disse hensynene. Samtidig legges det til rette for en effektiv saksbehandling. Jeg vil understreke at det er tale om få, men viktige og krevende saker. Behovet for konfidensialitet gjør seg gjeldende i ulik grad. Staten vil bestrebe seg på at vedtakene i størst mulig grad bygger på informasjon som ikke må holdes skjult for den vedtaket gjelder. Jeg har merket meg i innstillingen at mindretallet har sagt seg uenig i en uttalelse fra flertallet. Flertallet skriver at en utlending ikke kan nektes status som flyktning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Representantene fra Fremskrittspartiet ser derimot ut til å mene at Flyktningkonvensjonen åpner for dette. Jeg vil understreke, som også foregående taler – saksordføreren – gjorde, at dette spørsmålet ikke har betydning for de foreslåtte lovendringene. Jeg finner det likevel nødvendig å bemerke at uttalelsen fra komiteens flertall er riktig. Adgangen til å nekte anerkjennelse som flyktning er regulert i utlendingsloven § 31 og Flyktningkonvensjonens artikkel 1F. Verken grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn er blant grunnlagene for å nekte anerkjennelse. De bestemmelsene i Flyktningkonvensjonen mindretallet framhever til støtte for sitt syn, åpner heller ikke for dette. De gjelder ganske enkelt andre spørsmål. Artikkel 9 gjelder tiltak rettet mot enkeltindivider i krigssituasjoner eller lignende. Artikkel 2 slår fast at flyktninger plikter å rette seg etter mottakerlandets lover. Artikkel 33 åpner for å utvise en flyktning av hensyn til nasjonal sikkerhet, men ikke for å nekte anerkjennelse som flyktning. Jeg vil understreke at også norsk rett åpner for utvisning av flyktninger av slike hensyn. Retur kan imidlertid aldri finne sted så lenge det foreligger en reell fare for alvorlige overgrep. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 16. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen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

vedtatt. Stortinget skal i denne saken behandle et forslag fra Fremskrittspartiet til omfattende endringer i utlendingsloven. Utgangspunktet er at norsk innvandringspolitikk bestemmes av norske myndigheter, men et minimumskrav er at vi oppfyller våre internasjonale forpliktelser etter alminnelig folkerett og de internasjonale avtalene vi er bundet av. Dagens utlendingslov ble vedtatt av Stortinget i april 2008 og trådte i kraft 1. januar 2010, etter et omfattende arbeid med bred politisk enighet. Utlendingsloven med tilhørende forskrifter er i seg selv et komplisert regelverk for regulering av og kontroll med inn- og utreise og utlendingers opphold i riket. Fremskrittspartiets forslag er omfattende, og ble tildelt komiteen for bare 3 uker siden, mandag 27. mai.

der hun gjennomgår de viktigste forslagene til endringer. På samme måte som tidligere arbeids- og inkluderingsminister vurderte det i 2008, konkluderer nåværende minister på utlendingsfeltet med at en rekke av forslagene bryter med Norges grunnleggende internasjonale forpliktelser på utlendingsfeltet. For alle de andre partiene er dette grunn nok i seg selv til å innstille på at forslagene ikke bifalles. Som i 2008, vil forslagene bare få Fremskrittspartiets egne stemmer. Innenfor rammen av et 5-minuttersinnlegg er det ikke mulig å kommentere alle forslagene, men retningen på dem anslås allerede i forbindelse med formålsparagrafen. Fremskrittspartiet foreslår her å innføre en restriktiv fortolkning av alminnelig folkerett og internasjonale konvensjoner. Det finnes det allerede internasjonale kjøreregler for. Vi kan ikke lage vår egen praksis i strid med det. Bruken av begreper som at loven bare skal omfatte dem som er reelt forfulgt, uttrykker dessuten en sterk skepsis til at mange av dem som får flyktningstatus i dag, egentlig ikke er forfulgt. Det er en oppfatning Fremskrittspartiet står alene om. Flere av forslagene strider mot internasjonale forpliktelser. Forslagsstillerne mener at Norge skal tolke Schengen-avtalen på sin egen måte ved å senke kravet til grensekontroll. Det har vi ikke adgang til å gjøre. Det skal bli vanskeligere å få opphold i Norge for en rekke grupper, til og med for personer som har krav på beskyttelse. Fremskrittspartiet vil sende dem tilbake til den regionen de kom fra, og la andre land ta seg av dem. Arbeidsinnvandrere skal ikke lenger få permanent opphold. De skal heller ikke få rett til å ta med seg sine familier til Norge. Det er ikke brudd på internasjonale konvensjoner, men likevel ikke særlig smart, med tanke på rekruttering av framtidig arbeidskraft. Det som er brudd på internasjonale konvensjoner, er imidlertid forslagene om å senke terskelen for å frata folk med beskyttelsesbehov deres flyktningstatus, jf. forrige sak, forslag om å innskrenke mulighetene for opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, å oppheve Barnekonvensjonens krav om at barnets beste skal være et grunnleggende

Det fremmes også forslag om senket terskel for bruk av tvangsmidler, bl.a. lukkede mottak for alle som ikke kan dokumentere sin ID ved ankomst. Summen av alle forslagene som fremmes, bryter med Rasediskrimineringskonvensjonen, Den europeiske menneskerettskonvensjon, FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter og Barnekonvensjonen. Mindre alvorlig, men like fullt noe ingen andre partier ønsker å slutte seg til, er at de strengere reglene for både permanent og midlertidig opphold vil føre til et betydelig administrativt merarbeid, stikk i strid med det forslagsstillerne selv sier at de ønsker. Som sagt: Forslagene får ikke støtte fra noen andre partier. Jeg forutsetter at forslagsstillerne selv tar opp de forslag de ønsker å fremme i saken.

Dette fikk vi avslag på. Vi ba på nytt om en lovteknisk gjennomgang, da basert på svarbrevet fra departementet. Vi fikk et nytt avslag. Grunnen til at vi gjorde det, var for å unngå at vi skulle komme i en situasjon der det ble framsatt en del påstander om at dette forslaget bryter med internasjonale konvensjoner. Nå sier heller ikke statsråden at det bryter med internasjonale konvensjoner,

England diskuterer man for tiden nye lover for å begrense innvandringen, og i Sveits gjør man akkurat det samme. Så vidt jeg vet, bryter de ingen internasjonale konvensjoner. I sine brev skriver statsråden at vi kan bryte en del konvensjoner, og at det er stor forskjell på det forslaget vi har lagt fram, og det de har lagt fram i Danmark. Rett før jeg gikk i salen, gikk jeg gjennom

som gjør at vi holder oss innenfor. Men det er klart det er forskjell på tolkningen av internasjonale lover. Norge har større innvandring enn både Danmark og Finland til sammen. Da er det lov til å spørre hvorfor det er slik. Det må da være noe med lovverket som gjør at det å komme til Norge er mer attraktivt enn det er å komme til disse landene. Hvis vi ønsker å redusere innvandringen, kan vi gjøre det. Men hvis en er fornøyd med den innvandringsstrømmen vi har til Norge, lar en selvsagt være. Men grunnen til at Fremskrittspartiet fremmer forslaget – og intensjonene med dette forslaget – er at vi ønsker å få en bærekraftig innvandring, og en innvandring som ikke vil gå ut over de velferdsgoder vi har i Norge i dag. Jeg har sagt det tidligere, og jeg sier det igjen: Alt er mulig – det kommer bare an på hvordan en gjør det, og om en vil gjøre det. For en tid siden var undertegnede i Finland og så på innvandrings- og integreringspolitikken der. Vi besøkte bl.a. Helsingsfors förvaltningsdomstol. Ett av forslagene vi har fremmet her, går på å legge ned UNE og få en forvaltningsdomstol i Norge. Vi hadde en grundig gjennomgang av forvaltningsdomstolen og hvordan forvaltningsdomstolen fungerte i Finland. Helsingfors förvaltningsdomstol behandler ca. 8 000 saker i året, og ca. 20 pst. – eller rundt 2 000 av disse – sa de, omhandlet asyl- eller innvandringssaker. Det ble sagt at nærmere 100 pst. klager på vedtak

for ny behandling, er det på grunn av endrede forutsetninger i hjemlandet. Og det er viktig: De endrede forutsetningene som kan skje i hjemlandet, skal en forvaltningsdomstol ta hensyn til, og det tar den finske forvaltningsdomstolen hensyn til, slik at det kan legges til grunn når det endelige vedtaket fattes. Det som var hovedsaken med forvaltningsdomstolen, var respekten for vedtak. med forvaltningsdomstolen, var respekten for vedtak. Det var gjennomgående i hele forvaltningen og for de politikerne vi pratet med i Finland. Det var en mye større respekt for vedtak fattet i en forvaltningsdomstol enn det var for et forvaltningsvedtak fattet av administrasjonen. Så det må være mulighet også for Norge å vurdere om en forvaltningsdomstol er det rette å ha her, slik at vi får en tryggere, sikrere, og mer effektiv behandling av asylsaker. Med dette – siden jeg ser at tiden er ute – fremmer jeg de forslag som Fremskrittspartiet har i saken. Representanten Morten Ørsal Johansen har tatt opp de forslagene han refererte til. Senterpartiet vil føre en innvandringspolitikk som setter menneskeverdet i

Den utgjør en viktig faktor i norsk økonomi, samtidig som den stiller oss overfor nye utfordringer når det gjelder hvordan velferdsstaten skal innrettes. De forslagene vi behandler i Stortinget i dag, viser med tydelighet at når det gjelder en del fundamentale forhold i innvandrings- og integreringspolitikken, går det et klart skille mellom Fremskrittspartiet på den ene siden og de øvrige partiene på den andre. Det går bl.a. på virkelighetsforståelsen og forholdet til Norges internasjonale forpliktelser. Innvandringspolitikken blir til stadighet utfordret – og ikke bare fra Fremskrittspartiets side. På den ene siden har vi dem som hevder at politikken er naiv og mislykket, at innvandrere har for lett adgang til Norge. På den andre siden har vi dem som mener at Norge fører en altfor streng, ja endog inhuman og hjerterå, politikk overfor innvandrere. Av og til er det vanskelig å forstå at det er den samme innvandringspolitikken begge kritiserer. Personlig er jeg glad for debatten. Jeg tror det er sunt, og jeg hadde vært langt mer bekymret om vi ikke hadde hatt noen debatt, eller om kritikken kun hadde kommet fra den ene kanten. Innvandringspolitikk dreier seg i stor grad om å balansere ulike hensyn. Det er krevende, det er nødvendig – og vi vet at vi ikke kan gjøre alle til lags. Selv om innvandringspolitikken i stor grad handler om å balansere ulike hensyn, er det noen hensyn som alene veier så tungt at de etter mitt syn ikke skal være gjenstand for vurdering. Som et ansvarlig medlem av verdenssamfunnet, kan vi etter Senterpartiets syn ikke vurdere om Norge skal følge sine internasjonale forpliktelser. Forfulgte som søker asyl i Norge, har krav på beskyttelse og en human og rettferdig behandling, enten noen liker det eller ikke. Mange av forslagene fra forslagsstillerne har vært Flertallet i komiteen, alle unntatt Fremskrittspartiet, mener flere av forslagene enten er i strid med – eller må antas å være i strid med – Norges internasjonale forpliktelser. Vi skal være åpne for debatt også om innvandringspolitikk, men ikke for forslag som bryter med våre internasjonale forpliktelser. Flere av forslagene er dessuten kostnadskrevende og kan være til hinder for integrering, noe som er det stikk motsatte av hva vi egentlig trenger.

Flertallet i komiteen mener dette i stor grad er en dekkende beskrivelse av dagens norske velferdssamfunn. Vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, også når vi sammenligner oss med andre europeiske land. Vi har høy sysselsetting, I tillegg har vi lyktes bedre med integrering enn de fleste andre land. Vi ligger i verdenstoppen når det gjelder bistand, og landet vårt er preget av en høy grad av tillit mellom innbyggerne og mellom innbyggere og myndighetene. Innvandrere utgjør litt over 13 pst. av befolkningen og står for 12 pst. av den samlede sysselsettingen. Mange innvandrere har allerede stor betydning som en ressurs i norsk arbeidsliv, men det er ingen tvil om at det også er altfor mange som står utenfor arbeidslivet. Det er et problem for dem det gjelder, og det er et problem for samfunnet. At flest mulig har en jobb å gå til, et hjem å bo i og er aktive i lokalsamfunnet er tre kriterier for en vellykket integrering. Her påhviler det både samfunnet og den enkelte innvandrer et viktig ansvar. Senterpartiet mener nøkkelen til integrering ligger i aktivitet aktivitet – aktivitet i arbeidslivet, i skolen og i lokalsamfunnet. Derfor må det legges opp til at innvandrere så raskt som mulig blir bosatt i en kommune, kommer i gang med introduksjonsprogram og kommer ut i arbeid.

lite tjenlig, i hvert fall hvis man ønsker å lykkes med integreringen. Som det har blitt sagt av tidligere talere, er det å tegne et bilde av norsk integreringspolitikk som om den skulle ha vært totalt mislykket, å ikke snakke sant om integreringen i Norge. Sammenlignet med en del andre OECD-land har man kommet ganske langt i Norge, uten dermed å si vi har lyktes på alle områder. områder. Integrering må vi fortsatt fokusere på, for jeg ser at på flere områder kan vi også her i Norge bli langt bedre. Jeg registrerer at man i dette forslaget også går inn for å gjøre det vanskeligere når det gjelder arbeidsinnvandring. Nå har komiteen på sine to siste turer hatt oppe disse temaene, både i Møre og Romsdal Romsdal og i Finnmark. Vi har møtt et næringsliv som er veldig tydelig på at de hadde ikke klart denne veksten hadde det ikke vært nettopp for arbeidsinnvandrere som kommer og utøver et viktig stykke arbeid. Dette er utrolig viktig også for distriktene. Så jeg ber Fremskrittspartiet om de restriksjonene som foreslås når det gjelder arbeidsinnvandring. Til dette med lukkede mottak: Jeg vet ikke om representanter for Fremskrittspartiet har besøkt et lukket mottak. Undertegnede har gjort det. Da komiteen var på reise til Australia og New Zealand, startet jeg den reisen litt før og brukte bl.a. en dag til å besøke et såkalt lukket mottak. Lukket mottak høres kanskje litt tilforlatelig ut, men la meg bare presisere at et lukket mottak er et fengsel. Det er et fengsel der folk sperres inne uten bevegelsesfrihet. Nå skal ikke jeg sammenligne forholdene i Australia og i Norge, men jeg har vært på et lukket mottak. Det har gjort inntrykk, og jeg håper virkelig ikke at det skal bli politikk her i Norge. Så til diskusjonen mellom statsråden og og representanten fra Fremskrittspartiet angående mulig brudd på menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser. For egen del har jeg lyst til å si at når det gjelder menneskerettighetene, er de – slik de er formulert i FNs menneskerettigheter – minimumsrettigheter. Det er rettigheter som må være på plass, i hvert fall må de være på plass skal man kunne snakke om å ha en noenlunde anstendighet rundt et menneskeliv. Jeg vil advare sterkt mot å legge asylpolitikken så tett opp mot disse minimumsrettighetene som mulig. Da er det alltid en fare for at man trår over, og det er for så vidt et budskap til oss alle.

i tilknytning til meldingen om barn på flukt, hvor man krever det som Kristelig Folkeparti og Venstre har krevd, nemlig en forskriftsendring, fordi man ser at barns beste ikke blir godt nok ivaretatt. Jeg hadde bare lyst til å nevne det i denne forbindelse. Helt til slutt: Det legges også opp til innstramninger når det gjelder familiegjenforening. Man ønsker å innføre en 24-årsregel. På komiteens reise til København for ikke så lenge siden tok vi det opp med våre danske kolleger, som ikke kunne vise til noen forskning eller noen resultater som viser at 24-årsregelen har noen hensikt, eller har noen betydning. Men det kan hende at Fremskrittspartiet vet noe de ikke vet, og

trukket. Utgangspunktet til Fremskrittspartiet er som vanlig en blanding av fordommer, kunnskapsmangel og sikkert noen taktiske vurderinger. Her er det virkelig ikke mye framsnakking, som det heter, av innvandrere, av mangfold, av andre religioner enn den kristne, av livssyn osv., og heller ikke av innvandringspolitikken, for den blir beskrevet som «naiv og mislykket og utfordrer den innbyrdes tilliten i det norske samfunnet». Det med tillit er utvilsomt riktig, men det er motsatt av det Fremskrittspartiet hevder. Det er Fremskrittspartiet som konstant utfordrer innbyrdes tillit i det norske samfunnet ved så systematisk å svartmale, problematisere, se problemer framfor muligheter og ikke minst dukke eller feige unna i debatten om internasjonale forpliktelser. Nei,

og familiegjenforente har et vanskelig utgangspunkt for deltakelse i norsk arbeidsliv.» Sjølsagt har de det. Hvis du har levd i et land preget av krig, som du flykter fra, har du sjølsagt i utgangspunktet en noe mer krevende utfordring med hensyn til å komme inn på arbeidsmarkedet. For SV og heldigvis de fleste andre partier, mer eller mindre, er dette et klart signal om at vi trenger handling, vi trenger forsterket integreringspolitikk, med stikkord som språk, utdanning, jobb, bolig

og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring. Siv Jensen boltret seg på landsmøtets talerstol med alle disse minusmilliardene, men trakk seg i Politisk kvarter på mandag, dagen etter landsmøtet. Da møtte Siv Jensen SSB-forskeren og klarte ikke lenger å forsvare sin lettvinte omgang med den forskningsrapporten. Men nå dukker den faktisk opp igjen, de samme tallene og den samme argumentasjonen, og den samme argumentasjonen, i denne innstillinga, så det var nok bare en midlertidig seier for SSB-forskeren da partilederen i Fremskrittspartiet var enig i at dette var misbruk av den typen tall. En av de store teoretikerne og til en viss grad praktikerne på dialog, Jürgen Habermas, er veldig opptatt av at en i debatter skal prøve å søke seg fram til de gode argumenter, og måtte det beste argument vinne i debatten. Men det forutsetter at det er et noenlunde omforent utgangspunkt for dialogen. Det er helt klart at det mangler fullstendig i debatten her i dag. Fremskrittspartiet på den ene siden og alle vi andre på den andre siden har helt ulike oppfatninger av virkeligheten her, av hva som skjer ute i samfunnet vårt, har helt ulike oppfatninger av virkeligheten her, av hva som skjer ute i samfunnet vårt, av hva slags type innvandrere vi prater om, og av hva slags internasjonalt nettverk preget av lover, regler og overenskomster som vi lever etter i dag. Tidligere presidenter har betegnet ordene «feig» og «feighet» som uparlamentariske. Hvis presidenten husker riktig, brukte representanten utrykket «feige unna».

Det representantforslaget som komiteen nå behandler, gjelder hovedprinsippene for hele innvandrings- og flyktningpolitikken. Regjeringen vil føre en human, rettferdig og konsekvent asylpolitikk og er opptatt av balansen mellom de ulike hensyn som må ivaretas. Regjeringen har gjennomført en rekke innstramninger i løpet av de to siste periodene. Antallet asylsøkere har gått ned siden 2008–2009, og en større andel av dem som kommer, har et reelt beskyttelsesbehov. I fjor resulterte dette i at det i 54 pst. av alle realitetsbehandlede saker ble innvilget beskyttelse. Det representantforslaget som er framsatt, legger uforholdsmessig stor vekt på kontroll- og innvandringsregulering. Folkerettslige forpliktelser og humanitære hensyn settes til side, og det foreslås en rekke nye vilkår som vil gjøre saksbehandlingen uforholdsmessig ressurskrevende og Et av de overordnede elementene i forslaget er at det skal foretas en restriktiv fortolkning av alminnelig folkerett og internasjonale konvensjoner. Forslagsstillerne vil stryke det som i dag står om at loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av, når disse har til formål å styrke individets stilling. Etter forslaget skal det bare henvises til EØS-reglene og avtaler mellom de nordiske landene. Forslaget ville åpenbart markere en helt annen holdning til internasjonale menneskerettskonvensjoner enn det Norge er kjent for i dag. Jeg har i mitt brev av 4. juni trukket fram eksempler på at representantforslaget på en rekke punkter er i strid med – eller synes å forutsette en praksis i strid med – våre folkerettslige forpliktelser. Jeg vil tilføye at når forslagsstillerne i komitéinnstillingen legger vekt på hvilke asylsøkere som kan

Både Danmark og Finland følger Schengen-regelverkets vilkår for indre grensekontroll. Begge landene følger Flyktningkonvensjonens regler om eksklusjon fra flyktningstatus. Verken Danmark eller Finland har en slik praksis som forslagsstillerne legger opp til, med å henvise flyktninger til å søke beskyttelse i land i nærregionen. Ingen av landene har bestemmelser om å avslå opphold på humanitært grunnlag for nasjonalitetsgrupper som oppleves å ha større integreringsutfordringer enn andre. Begge landene har regelverk og praksis som tillater at det legges vekt på helsemessige og humanitære forhold ved vurderingen av asylsaker. Begge landene har bestemmelser i utvisningsregelverket som enten henviser til folkerettslige forpliktelser, eller stiller egne krav til å vurdere om utvisning er forholdsmessig. Ingen av landene har så strenge fengslingsregler som foreslått i Dokument 8-forslaget, at asylsøkere «skal» fengsles inntil identiteten er klarlagt. Dette er bare noen av mange og viktige eksempler på forskjeller mellom forslaget og politikken i Danmark og Finland. Forholdet mellom de forslagene som er framsatt og folkerettslige regler, kan derfor ikke forklares med en henvisning til dansk og finsk lovgivning. Dette ser jeg også at representanten Ørsal Johansen har erkjent i Dagbladet 12. juni. Jeg vil dessuten vise til det brevet som jeg har sendt komiteen i dag, hvor jeg går ytterligere inn i detaljer rundt disse spørsmålene. Det fører for langt å gå

I Danmark kan en få familiegjenforening etter tre år med permanent oppholdstillatelse. For å få permanent oppholdstillatelse må en ha vært lovlig i Danmark i fem år. Fem pluss tre er åtte. For meg er åtte år mer enn seks år. Er det ikke sånn for statsråden?

EØS-retten. Disse innspillene er nå til vurdering i departementet. Når det gjelder forslaget om å kreve at referansepersonen skal ha permanent oppholdstillatelse, som man først vil kunne få etter seks år med forslagsstillernes forslag, slik jeg husker dette, før det er mulig å få opphold for familiemedlemmene, er dette etter vår vurdering et uforholdsmessig vilkår. Dersom dette kravet også var ment å gjelde for flyktninger og deres familiemedlemmer, kan dette også være i strid med konvensjonens artikkel 8. Da blir mitt neste spørsmål, i og med at vårt forslag om seks års opphold kan være i strid med internasjonale konvensjoner: Danmark har åtte år. Har Danmark blitt dømt i noen som helst sammenheng for sitt regelverk om at du må ha hatt opphold i åtte år for å kunne få familiegjenforening? Jeg er ikke kjent med at slik dom foreligger. Det er også noe av bakgrunnen for de formuleringer jeg har valgt på noen områder knyttet til forslagene fra fremskrittspartirepresentantene. fremskrittspartirepresentantene. Vi vet jo at i de enkelte sakene er det domstolene som gjør sine vurderinger og de endelige beslutningene. Slik jeg forstår de generelle føringene bak forslagene, har jeg altså valgt å uttrykke meg som jeg har gjort. Jeg er er nesten fristet til å komme statsråden litt til unnsetning, for i Danmark er man mer liberal med direkte permanent oppholdstillatelse. Derfor blir ikke regnestykket alltid tre pluss fem. Men det jeg skulle stille statsråden spørsmål om, er en NOU fra 2010, som nå ligger og formodentlig samler støv på tredje året i en departementsskuff. Det jeg sikter til, er Mæland-utvalgets innstilling med temaet ny klageordning i utlendingsforvaltningen. Den er vi blitt forsikret om skulle komme til Stortinget, og det tror vi så gjerne, men da har vi lagt til grunn at det faktisk var det nåværende stortinget. Mitt spørsmål til statsråden er: Kommer det en sak om klageordningen i utlendingsforvaltningen? Vi har jobbet med det siktemålet gjennom hele det siste året, og målsettingen er fortsatt at det sittende storting skal få denne saken til behandling. Det er sent i sesjonen, så her er det selvsagt et stykke arbeid som jeg gjerne hadde sett at vi kunne lagt fram tidligere, men ulike andre saker har måttet bli tildelt høyere prioritet. Så har jeg lyst til å takke representanten Tetzschner for den innledende kommentaren. For dette er jo noe som synliggjør hvordan en del av disse forslagene faktisk er ganske komplekse og derfor vanskelige også i offentligheten å forstå. Derfor var det fra min side gitt ganske grundige svar til komiteen rundt de enkelte forslag. Det er et stort fokus på rettighetene til utlendinger og dem som kommer hit. Er

I dag er det slik at innvandrerne vil være i flertall i Oslo i løpet av det neste tiåret, og de gjennomsnittlige utgiftene for en ikke-vestlig innvandrer er 4,1 mill. kr i et livsløp. Det har SSB dokumentert, så det behøver vi ikke å diskutere lenger nå. Det vil si at vi både økonomisk og kulturelt står overfor enorme utfordringer. Er det slik for statsråden at det er viktigere å tenke på

også de som kommer fra andre land. Dette er noe av bakgrunnen for at vi har tydelige, rettferdige og forutsigbare regler i utlendingsloven, som vi også søker å anvende på en god måte. Vi har ofte diskusjoner i denne sal om disse reglene bør endres, og jeg hører også partier som ønsker at vi skal ha strengere regler enn hva vi har i dag. Andre partier ønsker at vi skal være mer liberale. Jeg føler mer enn på andre områder at vi må sikre – som sagt – tydelige, forutsigbare og rettferdige regler på utlendingsområdet. Replikkordskiftet er avsluttet.

i praksis på utlendingsfeltet i Norge, er dette forslag jeg tenker ikke har livets rett. Jeg viser til innleggene til saksordføreren og statsråd Faremo. Jeg vil også påpeke forslaget til ny § 23. Etter dagens regler gis det oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse til faglærte arbeidsinnvandrere. Forslagsstillerne har foreslått å endre dette i sitt forslag til § 23. Norge vil i årene som kommer, ha stort behov for arbeidsinnvandring, både av faglærte håndverkere og høyt utdannede ingeniører bl.a. i oljeindustrien på Vestlandet og i Nord-Norge. Fremskrittspartiet sier i forslaget at det også er viktig for Norge i større grad enn i dag å ha en arbeidsinnvandring av folk med høy utdannelse og kompetanse. Det er jeg også enig i. Men hvordan vil Fremskrittspartiet legge til rette for at de som har denne kompetansen og utdanningen, vil søke jobb i Norge og komme hit? Forslagsstillerne vil at det ikke skal være mulig å bruke en oppholdstillatelse til arbeidsinnvandring som grunnlag for permanent opphold. Men vil ikke da Fremskrittspartiets forslag til ny § 23 gjøre det mindre attraktivt nettopp for denne gruppen å komme Forslaget vil uten tvil svekke mulighetene til å gjøre Norge attraktivt for utenlandske eksperter, som både regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ønsker å rekruttere til norsk næringsliv. Hvem vil bryte opp hjemmefra, søke lykken i Norge, komme hit og begynne å jobbe, og så etter hvert se at man trives og ønsker å få familien sin hit, uten at det skal være mulig å få dette til? For Fremskrittspartiet sier i forslaget sitt at det er bare utlendinger med «permanent oppholdstillatelse» som kan få familiemedlemmer til Norge. Da vil de at det er bare utlendinger med «permanent oppholdstillatelse» som kan få familiemedlemmer til Norge. Da vil de nettopp utelukke arbeidsinnvandrerne fra å komme hit og jobbe her, for så å få familien hit. Å etablere seg som arbeidstakere i Norge vil da ikke være mulig. Jeg er

høy sysselsetting, en kommer i arbeid, en tar utdanning osv. Ja, en del tar utdanning, og en del er i arbeid og gjør en knakende god jobb også. Men det er et faktum at det er lavere sysselsettingsgrad blant innvandrerbefolkningen. Det tyder på at integreringen ikke fungerer, og at vi må gjøre noe. Det er mange som faller utenfor, og det er faktisk så mye som 40 pst. som er utenfor arbeid eller utdanning etter at de ferdig med introduksjonsordningen. Det er kritikkverdig, og det må vi gjøre noe med. Jeg vil også bemerke – som representanten Greni var inne på – at 13 pst. av befolkningen er innvandrere, og 30 pst. av dem som mottar sosialstøtte i Norge, har innvandrerbakgrunn. Og vi er fornøyd med integreringen. For meg er det en tragedie. Her må det settes i verk tiltak, og det må gjøres tragedie. Her må det settes i verk tiltak, og det må gjøres fort. Når vi ser på den kritikken vi får når det gjelder å hindre innvandring til Norge, grensekontroll, lover vi kan og ikke kan vedta, virker det på meg som om Norge har avgitt store deler av sin suverenitet til internasjonale konvensjoner, og at vi ikke lenger har råderett over eget land. Det synes jeg er beklagelig og trist, for Norge er faktisk en egen stat og må kunne ha muligheten til å ha kontroll på sitt eget land og sitt eget folk. Når det gjelder kunnskapsmangel, er SV i stor besittelse av det – til overmål, faktisk. Men Hagen har selv uttalt at stor innvandring vil ha konsekvenser for norsk økonomi. Når det gjelder tallene som representanten Bekkevold var inne på og kritikken mot vår partileder, har SSB overhodet ikke benektet tallenes riktighet. Tallene er riktige, og det er ikke det denne saken her dreier seg om. Til Bekkevold: Ja, vi har besøkt et lukket asylmottak. Vi var i Finland så på et lukket mottak som finnene var overmåte fornøyd med. De var overmåte fornøyd med måten det ble drevet på, hvordan det fungerte, og de ønsket en stor utvidelse av ordningen. Helt til slutt: I vårt

benyttes her. Fremskrittspartiet forsøker å gjøre denne debatten til en teknisk diskusjon, men det er ikke det den handler om. Det handler – som statsråden sa – om noen grunnleggende verdispørsmål i vårt land. Fremskrittspartiet sauser sammen diskusjonene om arbeidsinnvandring, utdanningsinnvandring, flyktninger og asylsøkere. Så forsøker de å framstille det som om vi har en voldsom tilstrømming av flyktninger til dette landet. Det er ikke sant. De utgjør det lille, lille mindretallet, men det denne diskusjonen handler om, er å avskjære mennesker på flukt fra muligheten til å komme til Norge og få et bedre liv. Morten Ørsal Johansen var i sitt første innlegg inne på at når folk kommer til Norge, må det må ha noe med lovverket å gjøre, at det er attraktivt for folk å komme til Norge. Nei, folk å komme til Norge. Nei, folk kommer til Norge fordi dette tross alt er et ganske godt land å bo i. Det er mange mennesker rundt i verden som misunner oss mulighetene og forutsetningene vi har, og det er mange som ønsker å ta del i det. Kanskje er Norge på 2000-tallet 1800-tallets USA. Kanskje er det her man har mulighetene til å leve ut den amerikanske drømmen i dette århundret.

på lik linje med Nord-Korea – foreslått å si opp internasjonale forpliktelser som et land har sluttet seg til. Sist gang vi debatterte dette i denne salen, var det ILO-konvensjon nr. 169 om samefolkets rettigheter som urfolk i landet det dreide seg om. Nå framsetter de en lang rekke forslag som er i strid med, eller som i sterk grad kan mistenkes for å være i strid med FNs Rasediskrimineringskonvensjonen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Den europeiske menneskerettskonvensjon og Wien-konvensjonen. Dette handler ikke bare om det. Det handler også om hvordan man faktisk ser på hvordan vi skal ta vare på dem som er på flukt. Jeg ser at taletiden min er i ferd med å gå ut, så jeg fortsetter i mitt neste innlegg.
Neste taler er representanten

innlegg. Jeg har lyst til å begynne med å minne om et punkt som statsråden faktisk har brukt som et viktig poeng i flere debatter, også her i denne salen, hvis jeg ikke husker feil: For et lite land som Norge, og for andre små land som vårt, er det helt avgjørende å ha orden i forholdet til internasjonale konvensjoner. Konvensjonene har kanskje aller størst betydning for oss som er små land. Jeg sitter selv som én av Stortingets representanter i Europarådet – menneskerettighetsorganisasjonen vår – og jeg ser jo der at når vi prøver å forsvare menneskerettigheter i en del av de såkalt nye demokratiene, Så det har ikke bare en betydning for folk som kommer til vårt land, men det har også en betydning for demokratidebatten i en større europeisk sammenheng. Jeg synes også vi har et ansvar for å sørge for at den debatten går på de skinnene som den bør gå på. Jeg vil kommentere et par av tingene som har blitt sagt her: Morten Ørsal Johansen viste til at det i Danmark kan gå opptil åtte år før flyktninger har rett til familiegjenforening, hvis jeg oppfattet spørsmålet hans til statsråden rett. Trine Bramsen, som er talsperson for innvandringssaker for Socialdemokraterne i det danske Folketinget, har kommentert en del av forslagene til Fremskrittspartiet i Dagbladet i en artikkel onsdag 12. juni. På punktet om at Fremskrittspartiet vil at flyktninger ikke skal ha rett til familiegjenforening før de har fått permanent oppholdstillatelse etter minst seks års botid, sier hun at dette ikke er dansk politikk: «I Danmark kan flyktninger godt familiegjenforenes kort tid etter at de har oppnådd asyl, særlig når det gjelder barn.» Tilfeldighetene vil særlig når det gjelder barn.» Tilfeldighetene vil det slik at Trine Bramsen kommer på besøk til oss på onsdag, så hvis noen er interessert i å få utdypet mer det punktet, skal vi klare å ordne et møte, for asyl står på dagsordenen til de møtene. Ellers sier Morten Ørsal Johansen at flertallet i denne saken ikke er i takt med det norske folket. Jeg mener at det er feil. Jeg mener at Statistisk sentralbyrås årlige holdningsundersøkelser, der nordmenn blir spurt om sine holdninger til innvandrere, viser en overveiende positiv holdning, som også går i riktig retning. Når det gjelder Christian Tybring-Gjeddes henvisning til SSB, får jeg komme tilbake til det i et nytt innlegg, for jeg ser at tiden er i ferd med å løpe ut. Jeg sier takk nå og tegner meg på nytt for å kommentere det. Jeg er fortsatt opprørt, så
Neste taler er representanten

eller fengsler. Her skal man altså låse inn barn, kvinner og menn på ubestemt tid, uten en rettferdig rettssak. For meg strider det mot en grunnleggende rettsoppfatning, og etter min oppfatning må det også være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 5. Det andre som man går løs på, er å svekke eller fjerne muligheten for å få opphold på bakgrunn av tvingende helsemessige forhold, eller fjerne muligheten for å få opphold på bakgrunn av tvingende helsemessige forhold, sosiale eller humanitære grunner. Man ønsker altså å kaste alvorlig syke mennesker ut av landet. Tungtveiende menneskelige hensyn ønsker man bare å se bort fra. Det er den politikken Fremskrittspartiet ønsker å innføre. Og det tredje: Det blir jo helt grelt, i lys av utsagnet til Ørsal Johansen om at det er Fremskrittspartiet som er i takt med folket, at når resten av Norge diskuterer hvordan vi vekter hensynet til barns beste for lengeværende barn i Norge av foreldre som har søkt asyl, men som ikke har fått det, velger altså Fremskrittspartiet i sitt forslag å ta bort bestemmelsen om at barns beste skal være et grunnleggende hensyn og omformulere det til at man skal ta «hensyn til barnets beste». Igjen: Etter min oppfatning – og nå er jeg bare lekmann på området – er det Tusen takk til representanten Bekkevold som på vegne av Kristelig Folkeparti tok et oppgjør med de forslagene som foreligger, men jeg må tillate meg å etterlyse en avklaring fra Venstre og Høyre om hvor man står. For dette er ikke en debatt om lovtekniske forhold, dette er en debatt om grunnleggende verdier. Og hvis det er på dette nivået vi skal se de borgerlige skrive seg sammen, er det for så vidt greit, vi har ingen problemer med å gå til valg på det, men det er i så fall helt nye toner fra Venstre og Høyre, og jeg etterlyser deres syn på disse forslagene også i debatten. Så må jeg få lov til å si at jeg for en gangs skyld er uenig med statsråd Faremo, for jeg tror ikke dette er så veldig vanskelig å forstå for opinionen. Det kan være vanskelig hvis vi gjør det til en lovteknisk diskusjon. Men igjen: Dette er ingen lovteknisk diskusjon, dette er en diskusjon om verdimessige spørsmål, og så får vi finne en måte å organisere det på. Fremskrittspartiet sier at de ønsker å ta vare på de norske verdiene og ta vare på nasjonen, men i sin iver etter å gjøre det setter de til side et av de aller viktigste trekkene ved norsk kultur, nemlig medmenneskeligheten og det å ta vare på de svakeste i vårt eget samfunn og i resten av verden. Det gjelder den diskusjonen som representanten Tybring-Gjedde nok engang dro opp, nemlig om de tallene som

grunnlag for. Likevel fortsetter altså Fremskrittspartiet å bruke disse tallene på sin måte. Tybring-Gjedde sa at en innvandrer koster 4,1 mill. kr i et livsløp. Statistisk sentralbyrå har til det livsløpet også lagt til det å få barn og barnebarn, som skal ha skole, som skal ha barnehageplass, som skal ha SFO, så det regnestykket omfatter mye, mye mer enn det Tybring-Gjedde tilsynelatende la inn i det. Dessuten sier Statistisk sentralbyrå at når de regner på sine tall, regner de på det de kaller forpliktelser. Det betyr altså ikke det samme som utbetalinger. Det er tall som er summert over 86 år. Det er ingen prognose, men alt som summeres over 86 år, gir store tall. I løpet av disse 86 årene har vi imidlertid mulighet til å påvirke mye, og den beste påvirkningen er å få flere i arbeid. Da henviser jeg bare til den omfattende debatten vi hadde her i forbindelse med integreringsmeldingen. Vi skal ikke ta den om igjen nå, men den har vi altså nettopp hatt. Jo flere vi klarer å få i arbeid, jo bedre er det, sier Statistisk sentralbyrå, for de regner ikke bare på hva du bidrar med i direkte skatt inn til samfunnet, men også hva du bidrar med indirekte via avgifter, bedriftsbeskatning og annet. Så det er store gevinster å hente på å få folk i arbeid. Hvis en da ikke er villig til å akseptere disse tallene, hvis en da sier, som Fremskrittspartiet gjør i sine merknader, at dette kommer til å koste oss 4 100 mrd. kr over det løpet på på 86 år, og 6 000 mrd. kr hvis vi trekker det enda lenger ut i tid, er det kanskje nok å minne om, for å få litt perspektiv på hva vi egentlig snakker om, de pensjonsforpliktelsene vi har i Norge i dag. Vi har et pensjonsfond som i dag har en markedsverdi på Verdien av allerede opptjente rettigheter til alderspensjon er på 5 770 mrd., til uføre og etterlatte på 1 175 mrd. og i Statens pensjonskasse

perspektiv. Jeg vil tillate meg å etterlyse litt redelighet i denne debatten. Nå er det for så vidt ikke noe nytt at debatter som handler om innvandringsfeltet, ikke nødvendigvis er veldig preget av redelighet, men det hadde vært bra om man i det minste forholdt seg til Fremskrittspartiets forslag, slik de ligger på bordet, og at man var redelig med internasjonale konvensjoner Norge er bundet av. For her står altså stortingsrepresentanter – som riktignok omtaler seg selv som lekfolk – og hevder at Fremskrittspartiets forslag om f.eks. lukkede mottak er i strid med artikkel 5 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det er ikke riktig. Det stipuleres helt klart en åpning i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det er ikke riktig. Det stipuleres helt klart en åpning i Den europeiske menneskerettskonvensjonen for å benytte det vi kaller lukkede mottak. Og det har altså ingenting med straff å gjøre, når man prøver å si at det er et fengsel. Fengsel er noe man sitter i for å sone en straff for en forbrytelse man har begått. Det å operere med lukkede mottak handler om å skjerme samfunnet mot personer som kommer fra utlandet, som man ikke nødvendigvis kjenner identiteten til,

Det er altså en rekke land som praktiserer det vi kaller lukkede mottak. Så prøver man å gi inntrykk av at dagens politikk ikke er på kollisjonskurs med folket, og representanten Christoffersen refererer til en undersøkelse som handler om nordmenns holdninger til innvandrere. Ja, nordmenn har en fornuftig holdning: Man møter mennesker som har bosatt seg i vårt land, på en god måte. Men det handler altså ikke om at man er tilhenger av dagens innvandrerpolitikk. Det er to forskjellige skåler. Motstanden mot den innvandringspolitikken som har vært ført i Norge over lang tid, er stor. Det handler om – og det demonstrerer denne debatten i dag – at man går seg vill i detaljer og regler og beskyldninger om konvensjoner uten å se de lange linjene, hva som skjer, hvordan samfunnet endrer seg, på grunn av en innvandringspolitikk som mangler bærekraft. Den mangler økonomisk bærekraft. Det har SSB bekreftet, selv om man prøver å prate seg bort fra det. Og på kort sikt, i løpet av noen tiår, kommer befolkningssammensetningen, demografien i dette landet, til å endres grunnleggende. Det er den store utfordringen, og den finnes ikke i denne debatten. Jeg ble utfordret av representanten debatten. Jeg ble utfordret av representanten Sivertsen til å klargjøre hva Høyre mener. Vi har vært med på flertallsmerknadene og tilført dem fornøden kvalitet, slik at man der kan lese hva vi mener. Når det gjelder dette representantforslaget, vil jeg si at det hadde vært en fordel å starte med et realistisk utgangspunkt, nemlig etter beste skjønn og overbevisning å finne ut hvor det nasjonale handlingsrommet går. Det går jo ved internasjonale konvensjoner. Derfor er det en viss tendens til overdrivelse på begge sider – litt utover det vi har skrevet merknader om. Siden jeg først er her, må

av. Så kan vi selvfølgelig ha Fremskrittspartiet mistenkt for alltid å ville holde en solid avstand til resten av det politiske Norge ved stadig å innta standpunkter i ytterkantene. Det er kanskje det de er kommet i skade for, når de også støter hodet mot internasjonale konvensjoner. Så representanten Sivertsen kan jeg berolige med at vi står inne for de internasjonale konvensjonene ikke bare fordi det er jus, men fordi de er båret av felles måter å se menneskeheten på. En ser også at det kan være behov for å effektivisere den norske utlendingsforvaltningen og passe på at det ikke blir unødig lang saksbehandlingstid, noe som i seg selv kan etablere realiteter og belastninger som ingen er tjent med. Til representanten Amundsen må jeg si at han kanskje gikk litt lett over det inngrepet det representerer å holde folk tilbake i såkalt lukkede mottak – under henvisning til at man ofte holder folk tilbake uten at det er straff. Det er i og for seg riktig, men det er likevel inngripende. Vi kan jo bare tenke oss varetekt. Det er jo heller ikke et straffeinstitutt. Man har det selvfølgelig for å hindre folks bevegelsesfrihet folks bevegelsesfrihet på grunnlag av mistanke om bevisforspillelsesfare, eller for å hindre at man rett og slett unndrar seg lovens lange arm. Vi har de hjemlene overfor de gruppene vi er redd skal unnvike et forvaltningsvedtak. Det er ingen grunn til å ha så store inngrep når det ikke er nødvendig. Det ville for øvrig være i strid med forholdsmessighetsprinsippet, som er nedfelt
Neste taler er representanten

Skei Grande har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg tror kanskje jeg har 5 minutter. Nei, det har du ikke nå. Etter hovedtalerne fra hvert parti har man en taletid på inntil 3 minutter. Jeg har ikke hatt ordet på den talerlista, men jeg skal klare dette på 3 minutter, hvis presidenten ikke bruker opp tida mi. Jeg har merket meg at Arbeiderpartiet syns Venstre har jobbet for lite i disse innspurtsdagene. Men vi skal klare å ta ordet også i Jeg har også merket meg at noen syntes det var uklart hva Venstre sto for i asyl- og flyktningpolitikken. Hvis man ikke har oppfattet det etter de fire siste årene, tror jeg man må være alene om det. Jeg mener at Fremskrittspartiet med disse forslagene på en måte stiller seg på sida av den politiske debatten, for det er så mange tiltak som både bryter og som er så bortafor alle de andre politiske partiene, at det er ganske fjernt å tenke seg at noen av dem skal få flertall i denne salen. Det som bør bekymre Arbeiderpartiet, er at man sjøl har stått for så mange innstramminger de siste åtte åra at Fremskrittspartiet må trosse internasjonale konvensjoner for å klare å være på yttersida av regjeringa i dag. så mange innstramminger de siste åtte åra at Fremskrittspartiet må trosse internasjonale konvensjoner for å klare å være på yttersida av regjeringa i dag. Jeg har lyst til å kommentere noen av forslagene – også synet på redelighet. Det er ikke forbud mot lukkede mottak. Vi bruker lukkede mottak i Norge, bl.a. Trandum, og vi bruker det når vi er redd for at noen skal unndra seg en utreise. Tetzschner gjorde godt og nøyaktig rede for for frihetsberøvelse er fengsel – ingenting annet. Vi bruker i dag fengsel også for å beskytte samfunnet, ikke bare som straff. Men det å påstå at alle som søker asyl, utfører en straffbar handling eller en handling som innbefatter at man vil unndra seg de tingene Tetzschner tok opp i innlegget sitt, mener jeg bryter med internasjonale konvensjoner. konvensjoner. Det å søke asyl er en menneskerett, ikke en forbrytelse. Forbrytelsen inntreffer først på det tidspunktet da det er fare for at du unndrar deg et offentlig vedtak. Så er det dette med prisen på mennesker. Hvis man setter seg ned og leser det norske nasjonalbudsjettet, skjønner man at Norge ikke er lønnsomt. Det er veldig få nordmenn som egentlig er

det. Da må man sette spørsmålstegn ved om det bare er noen som skal ha, og andre som ikke skal ha, en prislapp på seg, eller om vi skal sørge for å få velferdsstaten vår i balanse, både for dem som kommer hit og for dem som er født og oppvokst her. Jeg vil fortsette der representanten Skei Grande slapp – i debatten om hvem som her. Jeg vil fortsette der representanten Skei Grande slapp – i debatten om hvem som lønner seg, og ikke. Vi har sett de siste ukenes debatt om hvilke innvandrere som såkalt lønner seg, og hvilke innvandrere som ikke gjør det. Det er ikke uventet at ikke-vestlige innvandrere koster det norske samfunnet mest, mens integrering går lettere for dem som er mest lik oss. Faren ved denne typen regnestykker er at det kan være ganske usaklig å sortere mennesker i grupper. Hvis man f.eks. sendte alle norske menn under 25 år til Svalbard, ville kriminaliteten her på fastlandet eksempelvis blitt redusert med rundt 80 pst. Selvsagt ville samfunnet blitt mer lønnsomt hvis ingen ble gamle og krevde omsorgstilbud. Som flere andre har vært inne på her tidligere, er de største utfordringene for det norske samfunnet ikke hvilke innvandrere som såkalt lønner seg eller ikke. Utfordringen er at den jevne nordmann ikke er lønnsom i et slikt leste nå fra en meget velskrevet lederartikkel i Drammens Tidende. Samfunnsredaktør Odd Myklebust skrev en lederartikkel på bakgrunn av den vellykkede integreringen vi har sett av bl.a. bosniere i Norge. I det siste avsnittet skriver Myklebust bl.a.: «Kynikeren vet alltid hva noe koster, men kjenner aldri dens verdi.» Dette er et sitat etter Oscar Wilde. Myklebust minner oss også i slutten av den meget velskrevne lederartikkelen om noe som representanter for det bosniske samfunnet i min hjemkommune selv poengterte som veldig vesentlig for å lykkes med en god integrering: De poengterte velkomsten de fikk som et viktig premiss for raskt å kunne bidra. Det handler om tilhørighet – nøkkelen til integrering – det handler om hvordan vi velger å møte mennesker som kommer til Norge, enten de kommer for å bidra til verdiskaping i Norge som arbeidsinnvandrere, eller de er mennesker som kommer hit for å søke beskyttelse fordi de er forfulgt i sitt hjemland. Jeg skulle ønske at vi ikke fikk en valgkamp der innvandrere og en nedrakking av dem blir noens forsøk på å skaffe seg et ekstra mandat eller to, for det kan hende at den taktikken mislykkes – at det tvert imot slår motsatt ut. Jeg er for øvrig veldig enig med representanten Jeg er for øvrig veldig enig med representanten Christoffersen – jeg er helt enig i at vi ikke skal ha en valgkamp som rakker ned på innvandrere. Jeg oppfatter at alle partier er opptatt av det. Men det betyr jo ikke at vi skal la være å diskutere «elefanten i rommet», som er norsk innvandringspolitikk. Det er systemet og kritikken mot systemet, mot antallet som kommer og bosetter seg i Norge i et altfor raskt tempo i forhold til hva norsk integreringspolitikk kan møte, som er den fundamentale, grunnleggende utfordringen, nemlig at folk passerer grensen og bosetter seg her raskere enn det er mulig å integrere disse menneskene. Men det er altså ikke en kritikk av menneskene; det er en kritikk av systemet. Hvis man klarer å holde tungen rett i munnen, skal det gå helt utmerket. Ingen kan utelukke et politisk felt fra den frie politiske debatt gjennom å forsøke å si at man kritiserer innvandrere. Nei, det er systemet som kritiseres. I det samme systemet – det har for så vidt også vært oppe her flere ganger når man snakker om de internasjonale konvensjonene – er det jo ikke sånn at alle landene står bak alle konvensjoner uten forbehold. Nei, tvert om så tar en rekke land, også i Europa, forbehold på deler av konvensjonstekstene. Norges problem har vært at vi er relativt ukritiske i vår omgang med internasjonale konvensjoner, noe som ofte kan gi oss litt kattepine. Vår utfordring har vært at vi ikke har tenkt grundig nok gjennom behandlingen av konvensjonene. Det tror jeg er en utfordring. Dermed er det altså ikke noen selvfølge at man skal akseptere det som ligger fast – som konvensjonene som Norge er bundet Nei, man må kunne se på det i lys av nye politiske hendelser, i lys av samfunnets utvikling. Det gjør i hvert fall Fremskrittspartiet. Så synes jeg det er veldig morsomt når representanten Sivertsen forsøker å gi inntrykk av at det ikke er noen sammenheng mellom innvandringsregler på den ene siden og antall mennesker som kommer på den andre siden. Det har jo hans egen regjering bekreftet at det er. Det var altså en grunn til at regjeringen Stoltenberg i forrige periode – høsten 2008 – strammet til i asylpolitikken. Det var Stoltenberg i forrige periode – høsten 2008 – strammet til i asylpolitikken. Det var en grunn til det. Grunnen var rett og slett at asyltallene gikk dramatisk opp. Da måtte man stramme inn. Så selv hans egen regjering er kjent med disse sammenhengene. Hans egen regjering har faktisk også strammet inn når det kommer til menneskelige hensyn. Det er altså ikke noe automatikk i at man får opphold i Norge fordi om man har en alvorlig sykdom. Hans egen regjering strammet i forrige periode inn på innvilgelse av opphold på humanitært grunnlag for dem som hadde hiv. Det er bare ett eksempel. Jeg etterlyser igjen en reell debatt og ikke en skinndebatt som går veldig mye i pressen. Ja, det er riktig som flere av talerne har vært inne på, bl.a. representanten

dem som er ubegrunnet, og vi er helt tydelig på at de som kommer til Norge for å søke hjelp og beskyttelse, får opphold her. Men det som fikk meg til å ta ordet, var de interessante utspillene som jeg hørte representanten Amundsen nå komme med. Det jeg hører Amundsen si, er at internasjonale forpliktelser og konvensjoner som vi faktisk har gitt vår tilslutning til, ikke skal stå i veien. Hvilke internasjonale forpliktelser og konvensjoner som vi i dag forholder oss til, mener Fremskrittspartiet vi skal si opp, gå ut av, sånn at vi får plass til den enda mer restriktive politikken Fremskrittspartiet ønsker? Jeg føler jeg bør svare på spørsmålet til representanten Sivertsen. Jeg mener absolutt det er

gå igjennom internasjonale avtaler, vurdere dem i lys av dagens reelle politiske situasjon. Det tror jeg det er stort behov for. Men handlingsrommet i dagens konvensjoner, i dagens avtaler, er stort, og det er stort nok til at vi kan implementere Fremskrittspartiets innvandringspolitikk. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 17. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen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

og for det andre utvisning som følge av straffbar handling begått før innvilgelse av førstegangstillatelse og iverksettelse av vedtak for EØS-borgere med oppholdsrett etter utlendingsloven § 111. Når det gjelder aupairordningen, får vi bare minne om at Norge tiltrådte Europarådets avtale om ansettelse av au pair i 1969 – en avtale vi selvfølgelig er bundet av. av. Det innebærer at au pairer skal ha tid til å gå på språkkurs og arbeide maksimalt fem timer per dag. Antallet personer som får innvilget oppholdstillatelse som au pair, har økt, og dagens au pairer har endret litt sammensetning siden 1960-årene. De kommer nå i større grad fra land under utvikling enn det som var vanlig tidligere. tidligere. Forslaget om karanteneordning har som formål å styrke kulturaspektet og forhindre at au pairer benyttes som billig arbeidskraft. Etter utlendingsforskriften kan en utlending få oppholdstillatelse som au pair i Norge i til sammen to år når kontrakten tilfredsstiller de mer detaljerte kravene som UDI stiller. Som gjenytelse for oppholdet i vertsfamilien utfører au pairen visse oppgaver som lettere husarbeid, pass av barn mv. Au pairen må være mellom 18 og 30 år og skal ha anledning til å delta i norskopplæring. I dag er det ikke adgang til å ilegge karantene overfor vertsfamilie som bryter vilkårene for aupairopphold. En samlet komité viser til at formålet med ordningen er å gi mulighet på et mellommenneskelig nivå, ved at unge mennesker bor hos en norsk familie. Til gjengjeld bidrar au pairen med nærmere definerte ytelser, som nevnt. Komiteen er enig om at det stilles betingelser som gjør at forholdet ikke er, eller utvikler seg til å bli, en utnyttelse av au pairene som billig, ufaglært arbeidskraft, og vi mener at forslagene vil være et bidrag til å verne om ved at det gis mulighet for forvaltningsvedtak som innebærer at vertsfamilien kan settes i karantene hvis vilkårene for aupairoppholdet brytes. Vi mener også at forslagene til sanksjoner er lagt på et rimelig nivå så lenge det er snakk om brudd på de spesifikke vilkårene for oppholdstillatelse i forbindelse med oppholdet. På ett punkt har komiteen delt seg. Regjeringspartiene utgjør komiteens flertall. De mener at det i prinsippet kunne vært fint om man hadde hatt et felles nordisk regelverk på området, men anser det lite praktisk slik reglene er utformet i de andre nordiske landene i dag. Finland og Sverige har som kjent ikke bestemmelser om karantene, og de danske reglene inneholder regler som avviker lite grann fra dem som er foreslått i proposisjonen. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ville allikevel ha ansett det som en fordel om vi hadde kunnet nærmet oss de danske reglene, som bare er marginalt annerledes, fordi det hadde gitt Norden en større grad av rettsenhet sett utenfra. Så kunne vi arbeidet for at Finland og Sverige kunne komme etter. Noen av oss har den glede å delta i Nordisk råd. Da er hvorfor vi ikke tar mer hensyn til hverandre når vi har ny lovgivning under utarbeidelse, stadig oppe. Dette er et eksempel på at man ikke klarer å gripe mulighetene. Så har komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet reist en i og for seg interessant problemstilling, og det er om au pairen kan bli holdt ansvarlig for manglende skattetrekk fra vertsfamilien. vertsfamilien. Fremskrittspartiet gir uttrykk for at eventuelle sanksjoner må rettes mot arbeidsgiver, ikke mot arbeidstager. Det er en interessant problemstilling, men den ligger på siden av det saken gjelder. Vi er ikke uvillig til å gå inn i den diskusjonen i en annen sammenheng. En samlet komité ville anse den avgrensning som er gjort i personkretsen, som kan utløse

man søkte midlertidig oppholdstillatelse. Man skal da ikke kunne påberope seg den økte tilknytning som permanent oppholdstillatelse gir, hvis denne er oppnådd på gale premisser og tilbakeholdte opplysninger.

vi mener at regjeringens forslag i denne saken er bedre enn den danske ordningen, nettopp fordi regjeringens forslag forutsetter at det fattes forvaltningsvedtak i alle saker om karantene for vertsfamilier. Det gjør det ikke i Danmark, der hvor det bl.a. er avsagt en dom. Det at det fattes forvaltningsvedtak, forvaltningsvedtak, vil for det første forhindre at det innvilges opphold som au pair i tilfeller der vertsfamilien faktisk har karantene, noe som kan skje hvis karantene ilegges automatisk i forlengelsen av en dom i rettsapparatet. For det andre vil kravet om forvaltningsvedtak sørge for bedre informasjon til vertsfamilien om innholdet i vedtaket. De vil også få klagerett. For det tredje vil kravet om forvaltningsvedtak i alle saker gjøre det enklere å føre statistikk og følge med på bruken av karantenebestemmelsene. Når det gjelder mindretallsforslaget fra Fremskrittspartiet, stemmer ikke flertallet for det. Jeg støtter meg for så vidt til den begrunnelsen som saksordføreren ga på det punktet. Saksordføreren ga en veldig god og riktig gjennomgang av saken, og dette er

å drive med skatteunndragelse? Er det ikke misbruk av ordningen å utbetale nettolønn til au pairen, for så å beholde disse pengene selv og la au pairen få svi for at man har tilranet seg penger gjennom å være For meg er det misbruk av ordningen. Det er misbruk, og man bryter også skattereglene. For meg ville det være helt naturlig at dette fikk konsekvenser for den det gjelder – ikke konsekvenser for Det var Juridisk lovgivning for kvinner, JURK, som tok opp denne problemstillingen i høringen og sa at dette var en problemstilling som var aktuell, og som de så mye av. Da bør det være mulig at vi på Stortinget, når vi behandler en slik sak, tar dette på alvor og tar disse kvinnene på alvor – at vi gjør noe med det og unngår at det går år og dag før noen kanskje finner ut at man skal gjøre en endring i loven slik at det blir orden på det. Men i stedet viser dette den unnfallenhet dette storting til tider har når det Man avfeier det bare og ser hvordan det går. Konsekvensene er da at au pairer som blir utsatt for dette, får et skattekrav som langt overstiger en vanlig årslønn i landet de kommer fra. Er ikke det misbruk av ordningen, så vet ikke jeg. Med dette tar jeg opp forslaget vårt. Representanten Morten Ørsal Johansen har tatt opp det

kan imidlertid aupairordninga være en utnytting av sårbar arbeidskraft, gjerne fra fattige land – mennesker som kommer til oss og arbeider i rike norske familier. Det nye tjenerskapet har det blitt kalt i debatten vi har hatt i det siste, og som sist tok utgangspunkt i et program i NRK Brennpunkt.

innsats for nettopp å få mer anstendighet og ryddighet inn i aupairordninga. Vi har i denne forbindelse også hatt besøk og fått innspill fra Caritas og JURK, som viser at det er flere enn Norsk Folkehjelp og Fagforbundet som gjør noe her. Det er klart at det er noe med denne ordninga som i utgangspunktet er noe asymmetrisk, noe preget av ulikevekt, og som fort da kan føre til et misbruk. Det går bl.a. på at hele oppholdet i seg sjøl hviler på at aupairoppholdet fungerer. Fungerer det ikke, så skal man ut igjen. Man bor hos vertsfamilien, og det økonomiske er sjølsagt fullt og helt avhengig av at vertsfamilien er fornøyd med det man gjør, osv. Jeg må si at noen av de vertsfamilieintervjuene man har hørt de siste månedene, har skremt meg litt, for det er intervjuer som er veldig mye preget av at vi har utviklet et samfunn med et forhold til arbeid og familieliv som nærmest forutsetter at man organiserer opp igjen et tjenerskap i det norske samfunn. Hvis aupairordninga er til for å fylle behovet for at noen – i vid forstand – gjør husarbeid for oss, da er det vanskelig å si at dette primært er kulturutveksling. Da er det ikke kulturutveksling. Da er det rett og slett en jobb som må gjøres, som vi ikke lenger klarer å gjøre innenfor kjernefamilien. Hvis det er en jobb i den forstand, bør dette lønnes, organiseres og underlegges det regelverket som øvrig arbeidsliv må forholde seg til.

i den daglige driften av familien, men bruke dem i eldreomsorgen også. Det er jo besnærende, her trengs det folk. Og hvis vi òg kan få dem til halv pris – for å si det på den måten – så er dette fascinerende. Per Arne Olsen fra Fremskrittspartiet var inne på det samme i fjor – nettopp det samme forslaget – at våre behov for arbeidskraft innenfor helse og omsorg kunne løses ved å utvikle aupairordninga. Jeg håper inderlig at vi Jeg håper inderlig at vi ikke kommer dit. Da kan vi i hvert fall ikke lenger si at dette primært er kulturutveksling, for da er hensikten å få inn nødvendig arbeidskraft. Da er det ikke et aupairregelverk som skal regulere dette, men vanlig arbeidslivslovgivning. For å avslutte: Dette er vel – litt jf. forrige debatt – på mange måter drømmeinnvandreren for Fremskrittspartiet: Han eller hun er midlertidig, skal ut igjen og er underbetalt. Formålet med aupairordningen er å gi mulighet for

Senterpartiet mener dette er en god ordning som vi må hegne om. Selve ordningen er godt innarbeidet og forholdsvis detaljregulert, senest med bestemmelser som trådte i kraft i 2012. Det er en bra ordning for språk- og kulturutveksling, og de aller fleste respekterer regelverket slik at ordningen gir en vinn-vinn-situasjon for vertsfamilien og for I noen tilfeller ser det dessverre ut til at dette har utviklet seg til å bli en regelrett utnyttelse av au pair som billig, ufaglært arbeidskraft. De er i en ekstra sårbar situasjon fordi de både bor og lever sammen med den som er arbeidsgiver – hvis en kan kalle det det. Gjeldende rett gir ikke adgang til å treffe forvaltningsvedtak mot familier som bryter Senterpartiet støtter derfor forslag til endring i utlendingsloven § 27. Dersom en vertsfamilie grovt eller gjentatte ganger bryter reglene som skal verne om au pairens vilkår, kan det fattes vedtak om at det ikke skal gis oppholdstillatelse til nye au pairer hos vedkommende Dersom vertsfamilien bryter vilkårene, kan Utlendingsdirektoratet treffe vedtak om at det skal ilegges karantene i ett, to eller fem år. Hvis en person i vertsfamilien er ilagt fengselsstraff i mer enn tre måneder for forhold som er begått mot en som var au pair hos vedkommende vertsfamilie, kan det fattes vedtak om karantene i opptil ti år. Karantenebestemmelser rettet mot vertsfamilier vil kunne virke preventivt og være et bidrag til å verne om en lojal bruk av aupairordningen. En vil kunne forebygge bruk av ulovlig arbeidskraft og motvirke at disse hjemmene blir en arena for tvangsarbeid og i verste fall menneskehandel. Når det gjelder menneskehandel, omfattes dette selvfølgelig av dagens bestemmelser i straffeloven og vil måtte straffeforfølges på vanlig måte, uansett i hvilken sammenheng det har forekommet. Senterpartiet er enig i at det i prinsippet kunne være ønskelig med et felles nordisk regelverk på dette området. Dagens situasjon gjør det imidlertid lite hensiktsmessig, da verken Sverige eller Finland har bestemmelser om karantene. Vi støtter derfor regjeringens forslag om at Utlendingsdirektoratet må kunne fatte vedtak om karantene for å forhindre at det innvilges oppholdstillatelse for au pairer i en familie som har begått grove brudd på retningslinjene for vertsfamilier, eller der familiemedlemmer har begått straffbare handlinger mot tidligere

ordningen. Formålet med aupairordningen er å gi muligheter for internasjonal kultur- og språkutveksling på et mellommenneskelig nivå ved at unge mennesker bor hos en norsk familie. Til gjengjeld bidrar altså au pairen med nærmere definerte tjenesteytelser som lettere husarbeid og barnepass for familien. Egentlig høres dette veldig bra ut og gir en mulighet for unge mennesker til å oppleve noe helt nytt i livet. Men – som sagt – grunnen til at vi behandler denne saken, er at ordningen har utviklet seg i en retning som vi ikke ønsker, og hvor vi har sett eksempler på at mennesker er blitt utnyttet på det groveste. Dette har vi fått innspill om fra organisasjoner som kjenner disse menneskene. Caritas, den katolske kirkes bistandsorganisasjon, og JURK har vært nevnt, og vi har hatt samtaler med dem. Det er grunn til å være bekymret når en ordning ikke fungerer slik den burde gjøre. Komiteens leder, Aksel Hagen, var inne på nettopp dette: at vi nå kanskje ser tegningen av et nytt tjenerskap i Norge. Jeg håper virkelig at dette som nå skjer, og det vi nå gjør, forhindrer en slik utvikling. Kristelig Folkeparti er også med i en fellesmerknad sammen med Fremskrittspartiet og Høyre der vi ser det som fordelaktig å tilstrebe en felles nordisk praksis på dette området. Jeg ser at de rød-grønne partiene – regjeringspartiene – egentlig også ser det som formålstjenlig å ha et felles nordisk regelverk, men de anser det altså som lite hensiktsmessig i og med at verken Finland eller Sverige har bestemmelser om karantene. Men det vi egentlig legger i denne merknaden – i hvert fall det Kristelig Folkeparti legger i den – er at det jo må kunne gå an å gå i dialog med våre nordiske kolleger og se på om det er mulig å få til et slikt felles nordisk regelverk. Jeg tror det ville vært en styrke for dem som kommer hit, og som på en måte har hele Norden som nedslagsfelt. Dette kan vi kanskje bli enige om på sikt. I hvert fall tror jeg at en sånn dialog kanskje ville ha ført til at også våre nordiske frender i Sverige og Finland ville ha sett dette som

Avhengighetsforholdet mellom en au pair og dennes vertsfamilie gjør at au pairer kan være særlig utsatt for utnyttelse. Karanteneordningen kan motvirke misbruk, hindre sosial dumping og bidra til å forhindre framtidige brudd på vilkårene for oppholdstillatelse til au pair hos både den aktuelle vertsfamilien og andre vertsfamilier. Og jeg er enig med representanten Bekkevold i at vi må følge utviklingen, virkningen av de endrede rammene for ordningen nøye. Muligheten til å ilegge karantene vil kunne bidra til å verne om au pairers rettigheter med hensyn til oppgaver, boforhold og fritid. I tillegg vil forslaget kunne medvirke til å hindre tvangsarbeid, menneskehandel og andre straffbare forhold. Lovendringen som etablerer en karanteneordning, innebærer at det kan fattes vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse for å være au pair hos en vertsfamilie som grovt eller gjentatte ganger har brutt vilkår om oppholdstillatelse til au pair. Karantenen kan gjelde i ett, to eller fem år. Det kan også treffes vedtak på bakgrunn av ilagt straff eller særreaksjon for forhold begått mot en au pair. Karantenen kan da gjelde i inntil ti år. Vertsfamilier som har misbrukt aupairordningen, kan dermed ikke få en ny au pair i løpet av denne perioden. Når lovendringen trer i kraft, vil det ikke være mulig å få innvilget en søknad om oppholdstillatelse for å være au pair hos en familie som er ilagt karantene på bakgrunn av misbruk eller ilagt straff. Lovendringen vil dermed gjøre det tryggere å være au pair i Norge. Komiteens mindretall har bemerket at det anser det som fordelaktig å ha like regler i Norden, og at karantene burde inntre automatisk som følge av domfellelse for visse straffbare forhold begått mot au pairen, slik som i Danmark. Jeg er enig med komiteens flertall i at det i prinsippet er ønskelig med et felles nordisk regelverk på dette området, men at det er lite hensiktsmessig slik reglene er i dag i de andre nordiske landene. Verken Sverige eller Finland har bestemmelser om karantene. I Danmark inntrer karantene automatisk på bakgrunn av domfellelse, mens utlendingsmyndigheten fatter vedtak om karantene når nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Jeg mener det er mest hensiktsmessig å la utlendingsmyndighetene fatte vedtak om karantene i alle saker. Karantene er en forvaltningsmessig reaksjon som det bør knyttes et vedtak til. Vertsfamilien får da informasjon om vedtaket og mulighet til eventuelt å klage på det. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet har foreslått at arbeidsgivers ansvar for innbetaling av skatt presiseres i lovteksten, og at dette følges opp av en reaksjon på linje med det som ellers er foreslått i ny bestemmelse om karantene. Dette spørsmålet ble reist i høringsrunden.

Første taler er Kjersti Toppe, som er sakens ordfører.

Høyre mener regjeringens forslag er riktige grep for å gi større fleksibilitet og bedre omstillingsevne. Endringene gjøres i forlengelse av behandlingen av St.meld. nr. 23 for 2008–2009, Bibliotek Kunnskapsalmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid, og er i tråd med de intensjoner Stortinget hadde ved behandlingen av denne Litteraturfeltet er i sterk endring når det gjelder formidling, noe bibliotekene også vil merke. Det er derfor viktig at bibliotekssektoren er nær sitt publikum, og makter å fange opp de endringer utviklingen fører med seg. Biblioteket er et viktig møtested, som også må finne sin plass og utvikle sine oppgaver i årene som kommer. Den interessen lokale politikere viser i denne sammenheng vil være viktig, for ikke å si avgjørende, for utviklingen av Bibliotek-Norge. Gjennom forslagene til endringer bidrar regjeringen til nettopp å understreke dette ansvaret ved å gi større rom for lokal utvikling på dette området. Med dette slutter jeg meg på vegne av komiteen, med det unntaket som er nevnt for Kristelig Folkeparti, til regjeringens forslag.

Bibliotekene er preget av den omstillingen som hele litteraturfeltet gjennomgår som følge av teknologiske endringer, nye muligheter og nye utfordringer. Gode bibliotek gir bedre lesere, og bedre lesere gir kompetanse i arbeidslivet. Høyere deltagelse i arbeidslivet gir et mer engasjert samfunn, et bedre demokrati. Skolebibliotekene er manges første møte nettopp med bibliotekene og den verdenen som da kan åpne seg på litteraturens område. Derfor er Kristelig Folkeparti opptatt av at vi sikrer kompetansen i skolebibliotekene og mulighetene som ligger der, og vi tror at at samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek er veldig viktig i så måte. Jeg har forståelse for innvendingene, at det kan oppfattes som detaljstyrende å pålegge et slikt samarbeid i lovverket, men jeg tror realitetene likevel er sånn at den paragrafen har sin funksjon for videreutvikling av bibliotekssektoren, og i særdeleshet skolebibliotekene. På dette grunnlaget velger Kristelig Folkeparti å stemme for å beholde den gamle § 6, som det framgår av

offentlig debatt når det fungerer godt. Hvis Venstre hadde fått anledning til å begynne på nytt med en slik lov, hadde nok vi lagt dette inn i en felles kulturlov som inneholdt både museum, bibliotek og arkiv, for å få muligheten til å se lovgivninga der i sammenheng. Det ville også gitt innhold i den kulturloven som regjeringa har fått gjennomført, og som vel ikke har så stor betydning i praksis, annet enn som et symbol. Men hvis vi hadde lagt kulturlovene våre inn i én lov, ville en sånn lov hatt mer tyngde. I en digital hverdag vil bibliotekene våre nå være i en rivende utvikling, og ingen av oss vet helt hvor de kommer til å ende. Da syns jeg det er viktig å bruke anledninga til kanskje å rive ned noen murer – mellom bibliotek og andre institusjoner, men også mellom de ulike bibliotektypene. Jeg som kommer fra Oslo, vet jo at man nå holder på med et områdeløft for et område som trenger det, nemlig Tøyen. Der har man et folkebibliotek, og så har man et stort vitenskapsbibliotek knyttet til de naturvitenskaplige samlingene som også ligger på Tøyen. Min drøm er at skolebibliotek, folkebibliotek og universitetsbibliotek hadde vært ett bibliotek på Tøyen. Hvilken fantastisk mulighet man da ville hatt til både å koble kompetanse og gi ungene et tilbud som kanskje ingen andre har! Og slik ser jeg for meg at vi i framtida må kunne rive ned disse barrierene. På samme måte har bibliotekarene en unik kompetanse innen det å finne fram i informasjonssamfunnet. Sjøl om vi i Venstre er kjempeopptatt av at biblioteket skal være gratis, og at alle basistilbudene skal være gratis, tror jeg vi må satse på sånne ting som å koble fagbibliotek – f.eks. for ulike yrkesgrupper – inn mot bibliotek, slik at f.eks. homeopatene i Oslo kan leie en bibliotektjeneste av et bibliotek for å bygge opp et fagbibliotek og følge med på fagdebatter. Sånne ting tror jeg vi må satse på framover. Dette er de utviklingsarenaene vi har for bibliotekene framover, og det er viktig å legge rammer for det. Så vi kommer til å stemme for forslaget sånn som det ligger fra regjeringa. Men jeg tror at dette er et veldig spennende felt å følge videre, og jeg tror at poenget er å rive ned skott og gi handlingsrom til utvikling – for ingen av oss vet helt hvordan et bibliotek ser ut om 30–40 år. Folkebiblioteka har ein grunnleggande viktig demokratisk funksjon, og eg er veldig glad for den breie tilslutninga som komiteen gir til forslaga til endringar i lov om folkebibliotek. Regjeringas ambisjonar for biblioteksektoren vart omtalte i bibliotekmeldinga som vart fremma for Stortinget i 2009. Som ei oppfølging av meldinga har regjeringa nå fremma ein lovproposisjon om å endre lov om folkebibliotek, og målet er å legge til rette for robuste, omstillingsdyktige folkebibliotek slik at alle innbyggarar i landet kan Den digitale utviklinga – det at kunnskapskjeldene og litteraturen i stadig større grad vert tilgjengeleg på nett – gjer òg at biblioteka si rolle i samfunnet er i ferd med å endre seg. Det er viktig at biblioteka fyller sin funksjon både fysisk og digitalt. Folkebiblioteka skal oppfylle sitt demokratiske mandat digitalt ved at PC-ar er gratis tilgjengelege for bruk, og ved å bruke bibliotekaranes kompetanse til å systematisere og filtrere det vell av data og informasjon som er tilgjengelig, digitalt. Tilgjengeleggjering av e-bøker skal vere ein naturlig del av tenestene til folkebiblioteka, og i dag er dette eit kommunalt ansvar. Når det gjeld bøker frå innkjøpsordningane, har Kulturrådet i tillegg sett i gang eit prøveprosjekt der forskjellige distribusjonsløysingar vil gi eit erfaringsgrunnlag som det kan byggast vidare på i kommunane.

Denne viktige funksjonen foreslår regjeringa at òg vert spegla av i lov om folkebibliotek ved at biblioteka som ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt, vert slått fast i formålsparagrafen. Sjølv om gjeldande lov berre pålegg biblioteka å stille bøker gratis til disposisjon, har folkebiblioteka i stor grad òg drive aktiv formidling. Nå foreslår regjeringa at aktiv formidling òg vert framheva i formålsparagrafen som ei sentral oppgåve ved eit folkebibliotek. Fagleg relevant kompetanse er grunnleggande for gode bibliotektenester og ei framtidsretta utvikling. Regjeringa foreslår at det framleis vert stilt krav om fagutdanna biblioteksjef, og i forskriftsarbeidet som vil følgje lovendringa, vil krava til kva som kvalifiserer ein fagutdanna biblioteksjef, verte reviderte. Det har skjedd ei utvikling i kva for type utdanning som er relevant ein biblioteksjef, og utdanninga har endra seg frå eit gitt studieløp til ein samansetnad av forskjellige fagkombinasjonar. For å vareta kommunen sitt sjølvstyre, foreslår regjeringa at det framleis skal vere mogleg å dispensere frå kompetansekravet dersom det ikkje melder seg ein kvalifisert søkar. I forskrift vil det verte fastsett vilkår for dispensasjon og den mellombelse dispensasjonen vert fjerna. Det er viktig at kommunane satsar på å utvikle den som vert tilsett i stillinga som biblioteksjef, frå første stund, noko som den mellombelse dispensasjonen har vore til hinder for. Fylkeskommunane står midt i ein endringsprosess der fylkeskommunale oppgåver vert innretta mot rettleiing og koordinering. I dag er bibliotekfunksjonane i fylka organiserte svært forskjellig, og i lovforslaget foreslår regjeringa ei oppdatering av loven for å reflektere dette. Det er ikkje lenger naturleg at fylkeskommunane vert pålagt å oppretthalde fylkesbiblioteket som ein eigen organisasjon, og me foreslår å legge betre til rette for ei utvikling av fylket sine bibliotekoppgåver mot rettleiing og koordinering. Me meiner likevel at det er viktig at fylkeskommunen har bibliotekfagleg kompetanse på leiarnivå, og me opprettheld eit krav om det. Pålegget om samarbeid mellom folke- og skolebibliotek vert fjerna. Det er det enkelte som har reagert på. Men årsaka er at det er heilt opplagt at desse to institusjonane bør samarbeide, men det er unødvendig å pålegge ei organisatorisk eining i ein kommune å samarbeide med ei anna organisatorisk eining i same kommune. Det føreset eg at dei gjer. Det er òg eit poeng at pålegget slik det var utforma, berre gjaldt folkebiblioteka og ikkje Samtidig fjernar me ei rekke kan-bestemmingar, altså oppgåver som kommunen og fylkeskommunane framleis står fritt til å utføre, og som vil bidra til betre bibliotektenester, men som det ikkje er noko krav om at dei skal gjere, og som det derfor ikkje er like naturleg at vert omtalte i lovverket. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 19. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

Medieeierskapsloven er basert på at store deler av den offentlige samtalen og meningsutvekslingen skjer i massemediene. Kontroll med nyhetsformidlingen gir derfor store muligheter for å påvirke opinionen. Flertallet vektlegger at det også av demokratihensyn er viktig at denne påvirkningskraften ikke bør være konsentrert hos én eller noen få aktører. Det er dette som danner grunnlaget for medieeierskapsloven.

medieframtid vi vet lite om. Vi vet ikke hva slags eiere norske medier vil få i framtiden, men det vi vet, er at jo større eierkonsentrasjon vi åpner for i Norge, jo større kan konsekvensene bli ved et eventuelt oppkjøp. Regjeringen mener også at et slikt perspektiv gir grunnlag for at det fortsatt er behov for en egen lov om eierskap i mediene. Flertallet støtter et slikt syn. Vi ser alle at det helt åpenbart helt åpenbart er behov for å tilpasse loven til den teknologiske og markedsmessige utviklingen på mediesektoren. De elektroniske massemediene, inkludert avisenes og TV-kanalenes nett- og mobiltilbud, er i dag helt sentrale kanaler for formidling av nyheter og samfunnsdebatt i Norge. En lov som ikke omfatter de elektroniske kanalene, vil derfor være basert på et mediebilde som er utdatert, og en lov som ikke likestiller elektronisk og tradisjonell mediebruk, vil gi et misvisende bilde av eierposisjoner i sektoren. Reguleringen av eierskap i media er ett av flere virkemidler på området som virker sammen for å ivareta de overordnede målene om ytringsfrihet og mediemangfold. Også mediestøtten er et godt virkemiddel til å gi økonomisk grunnlag for et mangfold av medievirksomheter i Norge. Vi registrerer at mindretallet i sine budsjettmerknader ikke ser en slik sammenheng. De ønsker å kutte i eller fjerne pressestøtten, og de vil heller ikke gi sin støtte til denne lovendringen. Etter min mening bidrar mindretallet til å rive bort grunnlaget for det store mediemangfoldet vi er så heldige å ha i Norge – men dem om det. For flertallet er det viktig å presisere at medieeierskapsloven, sammen med loven om redaksjonell frihet i media, legger til rette for at dette mangfoldet av medievirksomheter også kan fungere som reelt uavhengige informasjonskilder og stemmer i offentligheten. Med støtte fra et flertall i denne salen foreslås det i denne proposisjonen flere endringer i medieeierskapsloven. Av tidshensyn får jeg ikke tid til å gå inn på detaljene, annet enn å vise til komiteens tilråding. Men det er verdt å merke seg at endringene innebærer en omlegging til en mer fleksibel reguleringsmodell ved at mer av den nærmere regelutformingen overlates til forskrift. I ettertid har vi registrert en debatt om hvorvidt det er i strid med § 100 i Grunnloven at Medietilsynet av regjeringen blir foreslått til å ha en kombinert rolle både som regel giver og tilsynsmyndighet. Komiteen har i den forbindelse mottatt en utredning fra Schibsted ASA som konkluderer med at regjeringens forslag er i strid med Grunnloven § 100. Denne utredningen har vært til vurdering hos Lovavdelingen i Justisdepartementet, som konkluderer med at lovforslaget ikke er i strid med § 100 i Grunnloven. Flertallet merker seg også at lovforslaget etter Lovavdelingens vurderinger ikke kan kritiseres som venstrehåndsarbeid – slik noen har antydet – og støtter dermed regjeringens lovforslag. Regjeringens forslag til ny medieeierskapslov overlater til Medietilsynet å lage regler på helt sentrale områder. Det mener vi er

Vi har i likhet med saksordføreren registrert den interessante debatten som har gått i det offentlige rom om hvorvidt dette er i strid med ytringsfriheten. Det har vært mange aktører med juridisk kompetanse som har uttalt seg, både i Norge og også internasjonalt, og de konkluderer med at det er et brudd på

grunn til å reflektere litt over det Lovavdelingen i Justisdepartementet har gjort tidligere. Tidligere har man fra Justisdepartementet og Lovavdelingen sagt at lov om Opplysningsvesenets fond ikke var i strid med Grunnloven § 106. debattert i denne sal. Mange mente at det var i strid med Grunnloven, og Høyesterett fant i plenumsdom også ut at Stortingets vedtak var i strid med Grunnloven. Det skjedde i 2010. Jeg vil også minne om vedtaket om rederibeskatningen, som var en viktig politisk sak for regjeringen, der stortingsflertallet

Så jeg tror man skal være veldig forsiktig, og kanskje også en smule ydmyk, når man skyver Justisdepartementet og Lovavdelingen foran seg som et sannhetsvitne om at dette er fullt mulig. Jeg tror man skal ta inn over seg at det her er kommet ganske skarpe innvendinger, og at man ikke bare vurderer om dette er brudd på Grunnloven, men at det faktisk er det.

Til slutt tar jeg opp de to forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre som står i innstillingen. Vi ønsker ikke å bli invitert til å være med og bryte Grunnloven, og derfor ønsker vi å stemme imot loven. Subsidiært stemmer vi for Kristelig Folkepartis forslag – dersom våre to forslag mot all formodning skulle bli nedstemt. Representanten Øyvind Korsberg har tatt opp de forslagene han refererte til. Det er min lodd å komme etter Korsberg bestandig. Da er mikrofonen så

om at Medietilsynet ved behov skal kunne definere et eget marked for elektroniske medier. Det har fra meget kompetent hold – som også tidligere innlegg har vært inne på – vært hevdet at dette er i strid med kravene i Grunnloven § 100, der det fremgår at et inngrep i ytringsfriheten skal skje ved lov. Det vil si at det skal belyses, drøftes og behandles i denne sal ikke i noe tilsyns, herunder Medietilsynets, byråkratier. For meg er dette ikke bare juridiske spesialiteter og en juridisk-teoretisk debatt. For meg er dette ytterst praktisk og av stor betydning for min og Høyres holdning til ytringsfrihetens rammer og hvem som skal kunne

veldig alvorlige temaet som ytringsfriheten er. Det krever en grundigere behandling enn det vi har opplevd at det har blitt gjort i dette tilfellet. For øvrig er Høyres utgangspunkt at regjeringen i forbindelse med dette forslaget nok ikke har stilt det viktigste spørsmålet: Trenger vi denne loven overhodet? Om vi har vært i tvil tidligere, er vi helt sikre nå: Det er åpenbart tid for skroting av medieeierskapsloven. Høyres hovedanliggende i mediepolitikken er å bidra til at norske utgivertradisjoner bringes videre. Det er publisistiske tradisjoner, kjennetegnet av god journalistikk, kvalitativt gode redaksjoner, nyhetsproduksjon, dekning av politisk stoff og samfunnsdebatt. Skal vi makte å bringe disse temaene videre, trenger vi en robust økonomi i mediebedriftene, som er bærere av disse tradisjonene. Dette er bedrifter som utfordres ikke bare av utenlandske medier, men kanskje først og fremst av nettsteder som spiser seg inn i inntektene deres uten å produsere redaksjonelt innhold. Erfaringene med medieeierskapsloven så langt er at den har hatt nokså vekslende suksess når det gjelder å regulere det den var satt til. Bortsatt fra et par hederlige unntak har sakene dreid seg om små og ubetydelige forhold, mens de virkelige store, krevende eierskapsovergangene egentlig har gått ganske greit, eller har måttet underkaste seg reguleringer som verken har ivaretatt industrielle behov eller hatt særlig betydning for mediemangfoldet. De omfattende oppgavene som Medietilsynet nå delegeres til å få, vil unektelig også kreve en stor innsats arbeidsmessig. Vi stiller spørsmål ved med hvilken utsikt vi har til at loven vil være egnet i en digital setting hvor nær sagt alle områder blir mer fleksible. Medietilsynets metode er å måle utgivelser og prosenter. Det henger lite sammen med dagens utfordringer. Det gir i og for seg også proposisjonen inntrykk av i den forstand at det legges opp til en mer fleksibel ordning. Men fortsatt dreier det seg om å telle eksemplarer. Vi ønsker å avvikle eierskapsloven. Vi mener at konkurranseloven langt på vei vil ivareta de behovene vi har. Man kan bidra til at Konkurransetilsynet kan oppfylle de oppgavene Medietilsynet har. Med dette som utgangspunkt er de forslagene som Høyre er med på, tatt opp. Men vi vil også Kristelig Folkepartis forslag subsidiært. Da er det registrert. Representanten Olemic Thommessen har tatt opp de forslagene han refererte til. I dag behandler vi endringer i medieeierskapsloven. Det er

og dels å sikre mot eierposisjoner som kan utnyttes for å fremme eiernes egne politiske eller økonomiske interesser. Det er tydeligvis ikke Høyre og Fremskrittspartiet enig i. De mener at medieeierskapsloven skal avvikles. De mener – som vi hørte – at den overlappes i så stor grad av konkurranseloven at det ikke er behov for den. Vi i Senterpartiet og de øvrige rød-grønne partiene mener tvert imot at det er stort behov for denne loven. Vi mener at for å nå de målsettingene som vi har om en mangfoldig presse og et stort tilfang nyheter og informasjon, er det av avgjørende betydning at vi beholder medieeierskapsloven. Schibsted har levert en høringsuttalelse der de mener å fastslå at dette lovforslaget er i strid med Grunnloven § 100, som vi hørte. Dette spørsmålet er grundig vurdert av Kulturdepartementet. De har i tillegg hentet en vurdering fra Lovavdelingen hos Justis- og beredskapsdepartementet, som har noe av landets beste kompetanse på feltet. Det er gledelig at Lovavdelingen konkluderer med at forslaget ikke er i strid med Grunnloven § 100. Vi ser ingen grunn til å gå videre med det spørsmålet, som Fremskrittspartiet og Høyre krever i et av de forslagene de framsetter. Jeg må si at det er litt underlig at Fremskrittspartiet og Høyre fortsatt har mistanke om at dette er i strid med Grunnloven, selv om representanten Korsberg kunne referere til at man hadde tatt feil i et par Det kunne vært fristende å spørre om de to partiene mener de sitter med bedre jurister enn Justisdepartementets lovavdeling. Flere av høringsinstansene har vært skeptiske til at eierskap i elektroniske medier skal reguleres i loven, og til forslaget fra departementet om avgrensing av virkeområde til elektroniske medier. Senterpartiet er glad for at både vi rød-grønne og Kristelig Folkeparti er enige om at eierskap i elektroniske medier skal reguleres. Men det er riktig at det kun er de av disse mediene som i dag har samme formål og funksjon som de tradisjonelle massemediene, som skal reguleres av loven i denne omgangen. Så ser vi at det skjer fryktelig mye innen medieverdenen med nye elektroniske medier og måter å kommunisere med lesere, lyttere eller seere på. Vi ser også at en stor del av den yngre garde i liten grad leser papiraviser, dersom de ikke finner den hjemme hos a’mor eller n’far, eller den ligger på jobb eller på Men her skjer det en rask utvikling som vi ikke klarer å se konturene av 10–20 år framover i tid. Derfor vil nok regelverket måtte bli endret i årene framover, og vi er fornøyd med at loven åpner for det. Senterpartiet mener at det skal settes en grense for nasjonalt eierskap i den nye loven, som også regjeringen foreslår. Den skal sikre minimum tre uavhengige nasjonale aktører av betydning i hvert av de ulike mediemarkedene. Det er også viktig for oss at den nasjonale eierskapsgrensen når det gjelder monomedieeierskap, ikke kan endres av Medietilsynet i forskrift, men Regionalt eierskap kan etter vårt syn ikke sikres flere aktører gjennom en nasjonal grense for eierskap. Senterpartiet mener det ville vært helt uholdbart dersom en aktør f.eks. kommer til å eie alle lokalavisene i Trøndelag. En slik situasjon er et lokaldemokratisk problem og sikrer ikke det mangfoldet av ulik informasjon og meninger som vi ønsker skal Derfor er vi helt enig i at eierskap også på regionalt nivå skal reguleres. Slik Senterpartiet ser det i dag, er det ikke behov for å regulere andre medier enn dagspresse på regionalt nivå, men vi ser det kan bli behov for å utvide dette på sikt, og er glad for at det åpnes for det. Senterpartiet har tro på at den nye medieeierskapsloven skal sikre oss en mangfoldig og god presse både på nasjonalt og regionalt nivå. Vi ser likevel at mediene og medievanene er i sterk forandring, og det blir nødvendig å holde et øye med utviklingen i årene framover for å justere forskriftene eller gå inn og endre loven om det skulle bli nødvendig.

la oss kalle det globalisering – som endrer betingelsene for norske mediehus. Jeg har derfor lyst til å si at Kristelig Folkeparti har benyttet denne anledningen som proposisjonen er, til å foreta en grundig vurdering og gjennomgang av statusen for medieeierskapsloven og behovet for en slik lov. Det framstår som klart for Kristelig Folkeparti at på tross av den utviklingen vi alle ser, er det ingen tvil om at i Norge i dag spiller de etablerte mediehusene fortsatt en veldig sentral rolle, både med hensyn til nyhetsformidling og det å sette dagsorden i den offentlige samtalen. Gjennom det gjør mediehusene en viktig jobb. Ikke desto mindre leder det til til at det er viktig å fokusere på risiko for maktkonsentrasjon i mediebransjen. Kristelig Folkeparti har derfor kommet fram til at det fortsatt er riktig å ha en medieeierskapslov, og vi støtter forslaget om å beholde 33. pst-grensen som utgangspunkt på nasjonalt nivå i hvert av de nasjonale markedene. Det er også sentralt for å oppnå målet om minimum tre uavhengige aktører av betydning i de ulike mediemarkedene. Flertallet i komiteen har understreket at dette betinger at reguleringene forvaltes på en måte som sikrer reell uavhengighet mellom de ulike aktørene. Jeg vil slutte meg til representanten Thommessens refleksjoner hvordan mediepolitikken i sin helhet understøtter målene om mangfold, selv om vi er uenig i konklusjonen når det gjelder lovverket. Det er viktig å understreke at det er helheten i de mediepolitiske virkemidlene som til sammen må legge grunnlaget for fortsatt mangfold i norske medier. Det gjelder hvordan vi forvalter og legger opp regelverket for mediestøtteordningen. Det gjelder ikke minst det store behovet for å få innført en plattformnøytral lav merverdiavgift, som kan sikre videre innovasjon og utvikling i en digital virkelighet. Flere har vært diskusjonen om forholdet mellom regjeringens lovforslag og Grunnloven § 100. Kristelig Folkeparti støtter seg til vurderingene fra Justisdepartementets lovavdeling. Vi finner det rimelig å legge til grunn at forslagene ikke er i strid med Grunnloven. Det er den juridiske delen av diskusjonen. Likevel bør vi spørre: Hva er hensiktsmessig i forholdet mellom regulering i lov og delegasjon til Medietilsynet? Hva er hensiktsmessig for å sikre forutsigbarhet for aktørene? Hva er hensiktsmessig for å sikre nødvendige, forutsigbare rammevilkår for forutsigbare rammevilkår for de aktørene som skal operere i disse virksomhetene? Proposisjonen illustrerer at den nye virkeligheten gjør det mer komplisert å regulere eierskapet i mediemarkedene. Proposisjonen illustrerer veldig tydelig at med én gang man skal begynne å regulere regionale markeder, blir dette enda mer komplisert.

tid. Når det har tatt så lang tid, syns jeg man kanskje ikke har brukt tida så godt. Jeg syns ikke man har tatt inn over seg alle de endringene vi har sett i mediepolitikken. Dette området er et av de store områdene vi har brukt mye tid på i programprosessen i Venstre. Vi har sett på hvilke virkemidler man må bruke for å sikre bredde og ytringsfrihet i en ny mediehverdag. Vi har falt ned på det forslaget som Høyre og Fremskrittspartiet har lagt fram her i dag – at den beste måten å regulere det på i en ny mediehverdag handler om å bruke konkurranseloven. Men da må nok konkurranseloven tilpasses den oppgaven. Så jeg er veldig glad for den kloke formuleringa som ligger i forslag nr. 1. Venstre kommer til å støtte det.

dette som veldig uavklart jus. Jeg har flere spørsmål enn svar etter å ha lest det som ligger foran oss. Den uavklarte jussen kan vi ikke gå inn i på et så viktig felt som ytringsfrihetsparagrafene våre. Derfor vil vi også stemme for forslag nr. 2. Jeg syns det er skremmende at man delegerer så mye kompetanse nedover i systemet. Jeg vet ikke om «feigt» er et et parlamentarisk uttrykk, men jeg kan si at jeg ikke syns det er veldig modig av en regjering å finne ut at den beste måten å forvalte dette på er å delegere det til noen langt under seg sjøl, slik at man ikke behøver å bli ansvarliggjort for det. Vi vil også benytte sjansen – hvis det går an i voteringsrekkefølgen – til å stemme subsidiært for forslaget til Kristelig Folkeparti. Det kommer til å bli store endringer på

bør først og fremst legge til rette for debatt, ytring og kvalitet. Det mener jeg er godt mulig å gjøre innenfor konkurranselovgivningas rammer. Man har ventet så lenge på en lov – man har ventet så lenge at den egentlig ikke er aktuell lenger. Massemedia er

Samtidig er det nødvendig å sikre at loven er tilpassa endringane i medielandskapet. Regjeringa har derfor foreslått å utvide loven med reglar om eigarskap i elektroniske medier. Elles er den viktigaste endringa ei omlegging til ein meir fleksibel reguleringsmodell, ved at den nærmare regelutforminga blir overlaten til forskrifter. Tanken er at dette vil gje ei meir treffsikker regulering, og dermed at eventuelle inngrep er betre grunngjevne og betre varetek formålet til loven. Loven er kontroversiell – noko anna er kanskje ikkje å vente. Han legg svære hindringar i vegen for dei moglegheitene dei store medieaktørane har til å ekspandere gjennom oppkjøp og samanslåingar. Det er openbert at loven er ein torn i sida for ein del av aktørane i bransjen. Som lovgjevarar er det då viktig at ein er bevisst på at medieeigarskapsloven ikkje er til for bransjens skyld – loven skal sikre mediemangfald og ytringsfridom for borgarane, òg gjennom tider med store strukturelle endringar for mediesektoren. Det er òg viktig å hugse at dei som loven er til for, ikkje har dei same talerøyra og ressursane som dei store bransjeaktørane har. I den samanhengen er det naturleg å kommentere debatten dei siste vekene om forholdet til § 100 i Grunnloven. Schibsted har fått produsert ein rapport som konkluderer med at forslaget er i strid med Grunnloven, fyrst og fremst fordi Grunnloven set strenge avgrensingar for høvet til delegering av lovgjevingsmyndigheit på dei områda som gjeld ytringsfridom. Med all respekt for dei framståande juristane som står bak rapporten, meiner eg at det er ei avsporing av debatten. Forholdet til Grunnloven § 100 har vorte vurdert ved fleire anledningar, både av departementet sjølv og av ekspertgruppa som har greidd ut grunnlaget for regjeringa sitt forslag til lovendringar. På bakgrunn av ein førespurnad frå komiteen i saka såg me det likevel som fornuftig å be Justisdepartementet si lovavdeling om ei ekstra vurdering av dette spørsmålet. Lovavdelinga konkluderer klart med at forslaget til endringar i medieeigarskapsloven ikkje er i strid med Grunnloven. Det er ikkje overraskande. Eg meiner at det bør rydde all tvil av vegen i spørsmålet, og at det no ikkje bør vere noko hinder for å vedta regjeringa sitt forslag til lovendringar. Høgre og Framstegspartiet ønsker å overlate eigarskapet på medieområdet til alminneleg konkurranserett, eventuelt med nokre tillegg i konkurranseloven. Eg meiner at dette vert galt, av ein enkel grunn: Utgiving av massemedia er noko langt meir enn berre Massemedia har i tillegg ei viktig demokratisk samfunnsrolle ved å vere ein sentral, offentleg arena for nyheitsformidling og politisk samfunnsdebatt. I motsetning til konkurranseloven, som skal sikre effektiv ressursbruk, skal medieeigarskapsloven sikre mediemangfald og ytringsfridom. Det er heilt ulike omsyn, og resultata av vurderingane kan derfor òg verte ulike. Dette er noko svært mange land i Europa har innsett, og det er òg svært mange som har eigne reglar om eigarskap i media i ei eller anna form. Det alle desse har til felles, er at dei har konkludert med at konkurranseretten aleine ikkje er tilstrekkeleg på medieområdet, enten det er Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania, Belgia eller Austerrike. Det er derfor noko me ikkje er aleine om. Så har eg lyst til å kommentere eit par punkt i det føreliggjande lovforslaget som har vore særleg kontroversielle. Det gjeld for det første avgrensinga av loven sitt verkeområde overfor elektroniske media, og for det andre spørsmålet om det er behov for reguleringar av eigarskap på regionalt nivå. Når det gjeld dei elektroniske media, har ein del bransjeaktørar tatt til Altså: Enten bør nett- og mobilmedia ikkje verte omfatta av loven i det heile, eller så bør alle sånne media verte omfatta, dvs. òg sosiale media og søkemotorar, inkludert aktørar som Facebook, Google og Twitter. Resultatet ville uansett vorte det same. Ein ville sikre at medieeigarskapsloven ikkje ville fått noka praktisk betyding på dette området. Eg meiner at om ein har ambisjonar om å tilpasse loven til dagens medieverkelegheit, må me i det minste sikre at han vil gjelde for dei viktigaste formidlingsplattformene. Når det gjeld eigarskapsreguleringar på regionalt nivå, vert spørsmålet: Er det mogleg å sikre det nødvendige eigarmangfaldet med nasjonale grenser aleine? Me meiner at svaret er nei. Eitt eksempel som me bruker i proposisjonen, er at ein aktør – i teorien – vil kunne eige alle lokalavisene i heile Nord-Noreg, Trøndelag og Vestlandet nord for Stavanger

strid med Grunnloven. Da er jeg litt imponert over at statsråden kan være så skråsikker i sin argumentasjon, spesielt med tanke på at arbeidet i Lovavdelingen har ført til at Stortinget tre ganger har vedtatt grunnlovsstridige lovendringer. På den bakgrunn: Hvordan kan statsråden være så sikker i sin argumentasjon, i og med at Lovavdelingen har har bommet en del ganger tidligere – og heller ikke har argumentert mot den siste betraktningen som har kommet fra Schibsted, som sto i Dagens Næringsliv 12. juni i år? Det er korrekt at eg viste til Lovavdelinga si vurdering av dette. I tillegg viste eg til at departementet sjølv har gjort same vurdering. Det har òg ekspertgruppa som har greidd ut grunnlaget for regjeringa sitt forslag på Eg registrerer at alle desse tre utgreiingane og tilnærmingane til dette spørsmålet konkluderer på same vis. Det gir ein veldig klar indikasjon på at den konklusjonen er korrekt. Eg registrerer òg at Justisdepartementets lovavdeling skriv i si vurdering at dei meiner det er klart at dette ikkje har vore for dårleg greidd ut, sånn som det har vorte påstått av enkelte. Summen av dette gjer at eg i alle fall føler meg relativt trygg på at det er riktig å legge fram denne medieeigarskapsloven. Jeg lurer på om statsråden er enig med meg i at den viktigste forutsetningen for å videreføre norske utgivertradisjoner – med alt det positive som jeg tror vi er enige i ligger i det det – er å sørge for at norske mediebedrifter har en god fremtid i Norge, og at de bærer videre disse tradisjonene inn i en digital tidsalder. Så ser vi at den loven vi nå diskuterer, omfatter først og fremst dem – og legger begrensninger på disse bedriftene. Samtidig ser vi at det inntektsgrunnlaget som er det viktigste for dem, og det mest krevende for dem å få på plass, nemlig inntektene på digital plattform, i veldig stor grad utfordres av nettsteder eller -sider som ikke har redaksjonelt innhold. Er det en problemstilling som bekymrer statsråden? Hva tenker hun rundt dette med at man får en ensidig begrensning i mediebedriftene? Svaret er eigentleg både ja og nei. Svaret er nei i den forstand at eg meiner at dei sidene som representanten Thommessen refererer til, sider med eit ikkje-redaksjonelt innhald – eg antar at han då refererer f.eks. til sosiale media og søkemotorar – skil seg frå dei redaksjonelle media på det sentrale punkt, nemleg at dei ikkje har ein redaksjon, og at dei ikkje på same måte som dei redaktørstyrte media, som har ein redaksjon, er ein sentral av nyheitsproduksjonen eller nyheitsformidlinga.

Jeg tenker f.eks. på FINN.no, jeg tenker på yr.no, jeg tenker på forskjellige typer steder som i og for seg ikke produserer – i denne sammenhengen – redaksjonelt relevant innhold, altså politikk og meningsutvikling, men som spiser ganske stor deler av inntektene, og som representerer en betydelig utfordring for mediehusene, i en periode hvor de selv strever med å få inntektene på plass. Frem til i dag har man tjent penger på papiravisen, og så har man egentlig ikke tjent stort på nettavisen. Nå begynner man å ta seg betalt for nettavisen, men det er tungt å dra i gang. Det har ikke vært noe særlig bidrag fra regjeringen, f.eks. med å avgrense NRKs radius. Den loven vi snakker om nå, vil ensidig slå ut for dem som produserer redaksjonelt. Alle de andre, inkludert de store telegigantene som velter seg inn i dette området, slipper

Det same gjeld ei rekke andre, enten det er søkemotorar eller sosiale media. Det gjer at behovet for å regulere dei i ein medieeigarskapslov, er – for å seie det mildt – svært avgrensa. Denne prinsipielle forskjellen er grunnen til at me

også på medieområdet: kutt i pressestøtten, et vingeklippet NRK og fritt fram for utenlandske eiere, for å nevne noen – slik representanten Thommessen uttrykte det i Dagsavisen i dag. Representantene for de mørkeblå bekrefter nok en gang sin tro på at om markedskreftene får spillerom, vil det ikke gå ut over verken medietilbudet eller mediemangfoldet i dette landet. Jeg deler ikke en slik tro på markedskreftene. Etter mitt syn velger de å utfordre ytringsfriheten og mediemangfoldet når de helt åpenlyst setter butikken foran politikken. Klar dere selv, er deres budskap til Medie-Norge ute i distriktene og nr. 2-avisene i de store byene. Et annet eksempel, som også statsråden var inne på, gjelder det at man utfordrer både og ytringsmangfoldet når man ikke ønsker en regional regulering. For min landsdel f.eks. kan det vise seg at én eier kan eie alle store aviser utenfor de sentrale strøk. Jeg synes ikke at det er en trygg medieframtid når vi kan risikere noe sånt.

økonomiske begreper, slik konkurranseloven legger opp til. Det er verdt å merke seg disse forskjellene mellom et mindretall som ønsker at markedskreftene skal styre politikken, og et flertall som mener at politikken kan påvirke markedskreftene, for å sikre bl.a. mediemangfoldet. Denne saken er et godt eksempel på nettopp det. Bare et par kommentarer til i og for seg både statsrådens og representanten

hvis man er redd for at ikke reguleringene blir tøffe nok. Og så er det ikke slik, som statsråden var inne på, at de fleste der ute i verden har funnet ut at det er klokt å holde seg med en medieeierskapslov. De fleste land har ikke en medieeierskapslov, de baserer seg nettopp på konkurranselovgivningen i sine land – f.eks. våre naboland Sverige og Danmark, og i og for seg også Nederland, gjør det. det. Jeg tror ikke at de landene har noen store problemer, i alle fall har det ikke tilflytt meg at disse har et problem som er større enn vårt, i alle fall, når det gjelder eierskapskonsentrasjon. Det er faktisk slik at til tross for at vi har hatt eierskapslovgivning som har vært ganske streng, har ikke det forhindret at vi har fått etablert ganske store eierskap. Det er ikke slik at denne loven har virket på en måte som vi si – den store floraen av aktører. En viktig side av det er at det er usikkert hvordan man tjener penger fremover. Da Schibsted ble pålagt å selge sine aksjer i Polaris, viste det seg at det ikke var så lett å bli kvitt dem – det sto ingen kjøper klar. Det henger rett og slett sammen med at det er usikkert hvilken lønnsomhet som ligger i mange av de store mediebedriftene. Det avgjørende nå – det var det jeg forsøkte å komme inn på i replikkordskiftet med statsråden – er å bidra til at vi får en inntjening i mediebedriftene som sikrer den robuste økonomien som skal til for å greie å betale store, kompetente redaksjoner. Det er betydelige utgifter, og det blir for enkelt når statsråden sier at man ikke skal regulere FINN.no, men man skal regulere de som produserer Det er nettopp poenget. Jeg mener jo ikke at man skal regulere FINN.no – det var det vel ingen som hadde tenkt – men jeg tenker at det er viktig å sørge for at de som produserer redaksjonelt innhold, ikke får en ulempe i forhold til de som de konkurrerer med, når det gjelder inntekter. Og der må vi ha med oss at robust økonomi henger sammen med god industriell utvikling, og det i sin tur dreier seg i veldig stor grad om gode eierskap og flyt i eierskap de forskjellige eierne imellom. Det er Konkurransetilsynet de beste til å vurdere. FINN.no var eit eksempel som representanten sjølv brukte, og då var det Når det gjeld resonnementet til Thommessen om at det slett ikkje er alle land som har denne typen reguleringar, har han sjølvsagt heilt rett i det. Det er ikkje alle land som har denne typen reguleringar, men det er mange som har det, bl.a. Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania, Belgia og Austerrike. Eg kan òg nemne at Europarådets ministerkomité i ein deklarasjon frå 2007 slo fast at ei regulering som berre fremjar konkurranseevne og marknadseffektivitet, kan føre til at det ikkje lenger er tilstrekkeleg mange uavhengige kanalar og stemmer i offentlegheita. Nyleg slo også Leveson-rapporten i Storbritannia fast at det er behov for andre og strengare reglar for medieeigarskap enn det som følgjer av generell konkurranserett. Det er med andre ord ikkje noko som me i Noreg er aleine om å meine.

konkurranselov. Dessverre glemte Thommessen å nevne det kanskje viktigste: Disse landene har heller ikke klart å bevare det mediemangfoldet som vi i Norge har gjort gjennom vår mediepolitikk. Presidenten synes det var eksemplarisk – det var kortere tid enn det som var tildelt. Representanten Olemic Thommessen har hatt ordet to ganger og får dermed ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

og at Konkurransetilsynet kan styrkes også når det gjelder den problemstillingen, det å se etter dette. Dermed mener vi at dette vil bli ivaretatt på en smidigere, og jeg tror ganske sikkert billigere, måte, sammenlignet med det som Medietilsynet etter hvert vil komme til å koste, dersom det virkelig skal utføre de oppgavene som det nå blir pålagt.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

I Dokument 8-forslaget fra Fremskrittspartiet om et modernisert bokmarked, bes regjeringa avslutte ordningen med bokavtale. Når vi samtidig har til behandling forslag til boklov, erstattes ordningen med bok- eller bransjeavtale, men unntaket fra konkurranseloven for bokbransjen videreføres. Fremskrittspartiet ønsker ikke dette, mens Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker å videreføre dagens system med en bransjeavtale. Jeg antar at mindretallene redegjør for Regjeringspartiene ønsker nå boklov i Norge velkommen. Dette er en gledens dag. Det er lenge siden arbeidet med boklov startet opp, og omsider er vi i havn. Norsk litteraturpolitikk har vært en suksess, hvor bransjeavtalen har vært vesentlig. Det nå å erstatte den med en obligatorisk lov, vil skape en forutsigbarhet i bransjen. Det vil sikre en langsiktighet i arbeidet for bredde, kvalitet, mangfold og tilgjengelighet i norsk litteratur – nettopp det som er samt for bevaring og videreutvikling av norsk språk, til glede for lesere og forfattere. Forslaget til boklov bygger på en avveining mellom konkurransehensyn og kulturpolitiske hensyn. Litteraturen er rett og slett for viktig til å overlates til markedet alene. Ett viktig element i bokloven er fastpris – altså at leverandør plikter å sette en bindende pris på nye bøker. Det betyr ikke at prisen må settes høyt, som enkelte motstandere av fastpris ynder å hevde, men man får ikke anledning til å dumpe prisene på et lite utvalg bestselgere. Litteraturen i Norge skal være en langt mer mangfoldig litteratur enn den vil bli om det kun er markedet som regulerer forholdene. I dag kan forlagene satse på smalere litteratur fordi disse utgivelsene blir finansiert gjennom salget av breddelitteraturen. Dersom det kun er lønnsomt å produsere bøker en vet vil selge godt, vil det bli så godt som umulig for de nye stemmene, debutantene og de nye skrivemåtene. Ønsker vi nye forfattere, må noen våge å satse på de ukjente. Dagens bestselgende forfattere har også vært usikre kort en gang. For å si det med Tom Egelands ord: «Norsk litteraturpolitikk har bidratt til å dyrke dem fram til folkekjære forfattere». Dette var en henvisning til f.eks. Petterson, Saabye Christensen og Wassmo. Både for leserne og forfatterne er altså fastprissystemet viktig – for forfatternes inntekt og I forslaget lovfestes også bestemmelser som gir leverandører, forfattere og oversettere anledning til å samarbeide om normalkontrakter. Uten disse er hver enkelt forfatter og oversetter overlatt til seg selv i forhandlingene med forlagene, noe som naturlig nok vil være vanskelig for nye forfattere og forfattere av smale bøker. Litteratur er ikke en vanlig vare. Vi ønsker et mangfold av bøker fra et mangfold forfattere i ulike sjangre. Vi ønsker en bokbransje som har råd til å ta sjanser, satse på noe nytt og ukjent, og eksperimentell litteratur. Dette vil neppe overleve på det frie markedet. Fremskrittspartiet er i det store og hele motstandere av litteraturpolitiske virkemidler, og har en evinnelig tro på markedets fortreffelighet, og at konkurranse vil sikre mangfold også innenfor bokbransjen. Tar vi en kjapp sammenligning mellom land, ser vi at det i Norge utgis flere titler og selges flere bøker enn i våre naboland, og vi ser at en utvikling med synkende antall bokhandlere er tydeligere i friprisland enn i Skal vi sikre bøker av god kvalitet, til samme pris over hele landet, må vi ha gode litteraturpolitiske virkemidler. Høyre og Kristelig Folkeparti støtter opp om virkemidlene, men ønsker å fortsette med en frivillig bransjeavtale i stedet for å innføre en boklov. Det er på ingen måte gitt at en kommer i havn med en eventuell ny avtale – og siden 2005 har vi sett en oppblomstring av forlag som står utenfor bransjeavtalen og som heller ikke er Det bør ikke være frivillig å være omfattet av de kulturpolitiske virkemidlene. I lovs form er det lovgiver som har styringen med virkemidlene, ikke bransjen selv. Jeg er glad for at fagbøker skal omfattes av bokloven. Det sikrer en bredde og et mangfold i både store og små fag, noe som er helt essensielt for å utvikle norsk som akademisk språk. Det har vært store endringer innenfor bokbransjen de

sikrer vi at befolkningen over hele landet får tilgang til et bredt utvalg av kvalitetslitteratur fra et mangfold forfattere, temaer og sjangre. De rød-grønnes kulturløft hadde som ambisjon å gjøre Norge til en stor europeisk kulturnasjon. Dette var sterkt inspirert bl.a. av den franske kulturpolitikken, og

viktigste grepene til Jack Lang var at han i 1982 innførte en boklov i Frankrike. Dette var for å gi næring til det franske språk, og sikre et stort mangfold i utgivelsene av franske bøker. Med vedtak om boklov her i kveld gjør vi som de store kulturnasjonene i Europa – som Tyskland, Frankrike, Italia og Spania har gjort før oss – nemlig å gi litteraturen en egen lov. De gjorde det ikke minst for å sikre sitt eget språk. En liten nasjon med et lite språk som det norske, bør i hvert fall gjøre det. I 2008 la kulturminister Trond Giske fram den første språkmeldingen på over 30 år: St.meld. nr. 35 for 2007–2008, Mål og meining. I den meldingen hadde han som mål å sikre det norske språket status, og at det skulle bli brukt på alle samfunnsområdene. Ikke minst ble det framhevet at fagspråkets betydning for norsk måtte vedvare, og utvikle seg som et samfunnsbærende og fullverdig språk. Meldingen den gangen anså fastprisordningen som veldig viktig for å sikre det norske fagspråket, og et av de bærende elementene i bokloven er nettopp at fagspråket er inkludert. I forfatterforeningens pressemelding av 26. april blir nettopp det norske språket sterkt framhevet. Det var den dagen regjeringen la fram forslag til boklov. Der fastslår forfatterforeningen betydningen av boklov og fastpris for å sikre det norske språket. Jeg siterer: «I dag har Regjeringen i statsråd gått inn for å fremme et forslag til norsk boklov for Stortinget. En boklov tar ikke for seg alle sider ved det norske samfunnet som en grunnlov gjør, den tar likevel for seg en av de viktigste forutsetningene for demokratiet vårt, nemlig språket. Den legger rammene for hvordan vi skal utvikle språket og skape litteraturen i framtida. Lovforslaget er inspirert av boklover i andre europeiske land. Den har mange fellestrekk med disse, men den er ingen blåkopi, den er tilpasset norske forhold.»

God litteraturpolitikk er heller ikke identisk med at bokhandlene ser ut som en Lidl-butikk. God litteraturpolitikk kjennetegnes ved at det utgis mange forfatterskap – både ukjente forfattere, unge, nye og bestselgere. At vi har muligheten til å gi ut både krim, diktsamling, sakprosa og skjønnlitteratur er beviset på om vi har en god Hvorfor er vi så sikre på at fripris vil svekke mangfoldet og distribusjonen ut til leserne? Jo, vi har erfaring fra friprisland som Sverige og Danmark. I Sverige utgis det i forhold til folketallet halvparten så mange titler som i Norge, og de siste årene har det vært en reduksjon i antall titler. Danmark fikk fripris i 2011. til folketallet halvparten så mange titler som i Norge, og de siste årene har det vært en reduksjon i antall titler. Danmark fikk fripris i 2011. Med det er antall utgivelser, bl.a. på Politikens Forlag, redusert med en tredjedel. Situasjonen er det motsatte i Norge, hvor vi har et fastprissystem – i sterk kontrast til våre naboland. Folk i Norge leser og kjøper flere bøker enn noensinne. Antall titler som gis ut, har steget

Men det vi i hvert fall er sikre på, er at den eneste garantien for at vi får en god litteraturpolitikk i årene framover, er at vi får beholde en rød-grønn regjering etter høstens valg. I dag reguleres det norske bokmarkedet gjennom en bokavtale. Nå skal den erstattes med en lov. Bokmarkedet er stort og

og med løsninger som er komplekse og utfordrende. En slik løsning har vi ikke noen tro på. Nå blir de som selger billige bøker, kriminelle. Sverige fikk fripris i 1970. De fjernet fastprisen. Hvem gjorde det? Jo, det gjorde Olof Palme. Han var forutseende. Slik jeg ser det, er ikke Sverige noe fattig kulturland, tvert imot. De har også mange gode forfattere. Konkurransetilsynet har vært skeptisk til den nye loven. De har forbrukerne i tankene. Det er flere kulturpolitiske ønsker som søkes oppnådd gjennom den nye bokloven. Blant disse ønskene finner man bl.a. et distriktspolitisk hensyn som dreier seg om et desentralisert bokhandlernett. Hvilke virkemidler har man for å få en

da det er forlagene som har hånd om prissettingen på bøker til sluttbruker. Samtidig med at det har foregått en konsentrasjon om færre aktører på forlagssiden, har forlagene også begynt å kjøpe seg opp stort i bokhandlerbransjen. Dermed forhandler de i praksis med seg selv, og tendensene til konsentrasjon på eiersiden i bokbransjen tilsvarer utviklingen i andre medier. Eierkonsentrasjonen kan true mangfoldet

Konkurranseprinsippet sikrer interessen til både smale og brede grupper. Den nye loven er ment å gi rammevilkår som sikrer høy kvalitet og et rikt mangfold i norsk litteratur. Hvordan kan man sitte her i Stortinget og garantere høy kvalitet på bøker som utgis? Hvordan kan man sitte her i Stortinget og garantere at det blir et mangfold ved å innføre en lov? Det kan man ikke. Bokbransjen her i landet frykter at litteraturen vil lide ved liberalisering. Hvem vil ikke ha konkurranse? Alle som driver business, og alle som driver business i bokbransjen, vil ikke ha konkurranse, har jeg forstått. Gjennom markedsanalyser fra den danske bokhandlerforeningen kan en ikke se at eller innsnevring av mangfoldet. Billigsalg av bestselgere i Danmark har ført til at flere leser bøker – flere har råd til å lese bøker. Det må også være viktig. En annen utfordring som bokmarkedet står overfor i dag, er de mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Hvis man har det norske språket i tankene, som jeg har forstått at representanten fra de når man laster ned utenlandske bøker – bøker på engelsk – en masse. Allikevel skal vi opprettholde momsen og ikke ha konkurranse når det gjelder e-bøker. Da blir det ikke troverdig når man snakker om at man har det norske språket i tankene. Med den nye loven får man en leveringsplikt. Da kan det vise seg at Apple og Amazon blir sterkere.

I dette bildet tror vi det er viktig at man opprettholder en viss dynamikk og en stor vilje og evne til omstilling og til det å finne frem til nye løsninger – ikke beskytte bransjen på en måte som fritar den for disse utfordringene. Det ble reist spørsmål om hva Høyre står for i litteraturpolitikken. Det kan man lese ut fra dagens avtale. Jeg vil få minne om at den avtalen som fungerer i dag, og det virkemiddelapparatet som for øvrig utfyller denne avtalen, ble godkjent som unntak fra Konkurransetilsynets bestemmelser av Høyre-statsråd Morten Meyer. Den menyen av virkemidler som i dag er gjeldende norsk politikk, er ikke vesentlig endret etter åtte år med rød-grønn regjering. Det viktigste hensynet å ivareta for Høyre er en klar målsetting om at vi også i fremtiden skal ha gode kår for utvikling av norske forfatterskap, og at leseren skal ha god tilgang på litteratur på norsk til konkurransedyktige priser. Da kreves en bredde av virkemidler, i tillegg til fastpriselementet, som vi ønsker å videreføre i form av en bokavtale. Så kommer selvfølgelig spørsmålet om merverdiavgift. Høyre ønsker en lik merverdiavgift, uavhengig av plattform, og selvsagt også stipendordningene og innkjøpsordningene en viktig helhet som til sammen skaper et godt grunnlag for norsk bokproduksjon. Vi mener at denne helheten nok er det sentrale svaret på hvorfor vi har gjort det bra i Norge. Det vises til andre land, f.eks. til boklovland som Frankrike og Tyskland, som representanten Gjul var innom. Da vil jeg minne om at en begrunnelse for at man har mange boklovland i Europa, er at det å ha en bransjeavtale er problematisk med tanke på konkurransereglene i EU. Sånn sett har ikke bransjeavtaletilnærmingen vært like aktuell. I tillegg er det også slik at mange av disse landene ikke har den menyen av virkemidler som vi har. Fastprisen er på en måte det ene store virkemiddelet selvfølgelig litt varierende fra land til land. I Norge har vi en bredere komposisjon, og den mener jeg har gitt gode resultater. Jeg tror vi kan konstatere at den norske bokbransjen har levd godt med dagens system, og at det nå vil være viktig å reforhandle det og bringe inn de temaene som også har vært sentrale i utformingen av dagens forslag til boklov. Jeg snakker da om spørsmålet om prisutvikling, om innovasjonstakten for formidling av e-bøker og tilgjengeligheten for små forlag uten egen bokhandel. Alle disse temaene har også vært viktige temaer i utformingen av bokloven og er i og for seg på mange måter besvart i det foreliggende utkastet, selv om jeg er litt usikker på i hvilken grad man vil ha suksess med faktisk å følge det opp innenfor forskriftene, slik det er antydet. Når det gjelder forskjellen mellom bransjeavtale og boklov, er den at med en bransjeavtale ligger i dag 15–20 pst. av omsetningen utenfor loven, den befinner seg altså i et rom som ikke er omfattet av er omfattet av fastprisen. Dette rommet er også et rom for utvikling av både konsepter og omsetningsmåter, som jeg tror bransjen har godt av å forholde seg til. Det har ikke vært like lett å være nykommer i den norske bokbransjen, selv om mange konsepter nå er Ellers legger Høyre betydelig vekt på det språklige temaet, som særlig knytter seg til læremiddelproduksjon, som jeg vil komme tilbake til. Jeg tar også opp forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Representanten Olemic Thommessen har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er en gledens dag i dag, som saksordføreren sa. Det er det både for Senterpartiet og

Senterpartiet mener det er viktig å få på plass litteraturpolitiske virkemidler som står seg i årene framover. Både kvalitet, bredde og utvalg er viktig for oss, og det er viktig at folk i hele landet – uavhengig av hvor en bor – får tilgang til et bredt utvalg av litteratur, med like priser. Det betyr også mye for bevaring og utvikling av norsk språk og ikke minst Det sentrale i loven er fastprisen. Den skal omhandle alle norske utgivere og forhandlere av bøker i det norske bokmarkedet, også e-bøker. Vi er glad for at også de aller fleste høringsinstansene er positive til innføring av boklov. Det er viktig at forlagene gjennom fastprisordningen gis mulighet til å subsidiere utgivelser som ikke har samme evne til inntjening som Vi ønsker å stimulere til bredden i utgivelser. Det er godt kjent at vi her i landet har bedre litteraturpolitisk måloppnåelse enn våre naboland Sverige og Danmark, som flere har nevnt tidligere i debatten. Vi utgir flere titler, og vi selger flere bøker enn nabolandene. Vi trenger fastprisen for at vi også i framtiden skal ligge på topp hva gjelder titler og salg av bøker, men trenger i tillegg andre virkemidler, som momsfritak og innkjøpsordninger. Senterpartiet mener også det er riktig at leverandører, forfattere og oversettere gis anledning til å samarbeide om normalkontrakter, som vil bidra til at det blir lettere for nye forfattere å inngå avtale. Senterpartiet er opptatt av mest mulig like konkurransevilkår i markedet, og da er skaffe- og leveringsplikt, felles frakt- og leveringsbestemmelser og ikke-diskrimineringsprinsipp tiltak som vil bidra. Det er også viktig for oss at fagbøker omfattes av loven, slik at vi sikrer bredde og mangfold i litteraturen for både store og små fag. Det var svært delte meninger i høringsrunden om avanseregulering mellom leverandør og forhandler. Selv om vi falt ned på at det skal være en bestemmelse om dette, er vi i Senterpartiet fortsatt usikre på Vår bekymring går på de minste og mest sårbare bokhandlerne og om de vil evne å sitte igjen med noe overskudd når det nå settes et avansetak. I våre naboland finnes det knapt en bokhandel igjen i byer på størrelse med Kongsvinger og Hamar. Det er svært bekymringsfullt. Derfor er vi så opptatt av å sikre at det skal være mulig å få fortjeneste på å selge bøker her i Norge. Vi er så heldige at vi her i landet fortsatt har mange distriktsbokhandlere, men mange av dem ser seg allerede i dag nødt til å drive med annen handel ved siden av å selge bøker. Vi er opptatt av at de i størst mulig grad skal tjene penger på å være bokhandlere – blir boksalget bare en liten bigeskjeft, vil det etter hvert forsvinne. Det ble avansetak, og det endte på 50 pst. Det er viktig for Senterpartiet at ordningen evalueres etter tre år for Det betyr at ordningen må vurderes på nytt, og jeg kan berolige alle involverte parter med at skulle dette taket vise seg å gi negative effekter, vil vi gjøre det vi kan for å få det fjernet. Det er også særdeles viktig for oss at fastsettelsen av rabattene mellom forhandler og leverandør skjer på grunnlag av frie forhandlinger. De eksemplene som nevnes i lovproposisjonen, og som kan være grunnlag for høy rabatt, er ikke ment som føringer for forhandlingene. forhandlingene. Skaffeplikten er også viktig. For å sikre at alle titler skal nå ut, må den fortsette slik som dagens innarbeidede praksis tilsier, der det er leverandøren som betaler frakten. Det høres ut på opposisjonen som om en boklov vil være uheldig for innovasjoner i bransjen, i motsetning til det bransjeavtalen da tydeligvis er. Det er i denne forbindelse viktig å minne om at 87 pst. av totalmarkedet for bøker faktisk er Dette er derfor ikke den store inngripen i markedet som det kan høres ut som når opposisjonen snakker. Jeg tror heller ikke at bokloven kan garantere en bokhandel i hver kommune, men det kan kanskje hjelpe. Det er ingen realisme i det representanten Thomsen snakker om, med mammutpriser hele året, men bokloven vil være viktig for å sikre bredden i norsk litteratur – det må jeg gjenta. Den er viktig for å sikre smalere utgivelser, sikre forfattere og forleggere gode vilkår og sikre at det finnes bokhandlere som kan leve av yrket sitt i hele Norge. Omsetning av bøker er

bør være frivillig å omstille seg i den retningen som forbrukerne – leserne – ønsker og å tilpasse seg en teknologisk utvikling. Svaret er vel kanskje ja – det bør være frivillig. Vi som myndigheter bør i hvert fall ikke lage reguleringer som gjør at man slipper Bokbransjen – hele litteraturfeltet – er i en omfattende omstilling. Kristelig Folkeparti er nok av den oppfatning at en bransjeavtale i større grad gir mulighet til å sikre en dynamikk som gjør at vi kan stimulere til at omstillingen skjer i takt med tidens Derfor har også Kristelig Folkeparti heller valgt – istedenfor å støtte det framlagte forslaget til boklov – å gå inn for å videreføre ordningen med en bransjeavtale også etter 2014. Vi mener at det i forbindelse med en slik reforhandling må legges vekt på at bransjen skal utvikle gode norske konsepter for digital omsetning av bøker med og at det gjøres tilgjengelig på en forbrukervennlig måte. Vi er opptatt av at eierforholdene i bransjen ikke skal virke ekskluderende for de små forlagenes muligheter framover. På det grunnlaget kan vi trekke to viktige konklusjoner: Den viktigste beslutningen er at vi vi står på fastprissystemet som et bærende element i litteraturpolitikken, og for Kristelig Folkepartis vedkommende mener vi at det sikres best gjennom en fortsatt avtale og ikke en

Jeg vil ha en litteraturpolitikk som er aktiv, og som sørger for at vi som et lite språk kan bidra med god litteratur til hele verden. Det var en tankevekker for meg å høre at et svært språk som mandarin, som er styrt av gammelkommunister med stor reguleringsiver, ikke regulerer sitt bokmarked, og derfor ikke har en eneste forfatter på full tid. Det er en fantastisk glede for Norge med et lite språk å kunne ha forfattere som blir mangemillionærer på en uke. Jeg tror det bidrar til at Norge utvikler seg som nasjon på en helt annen måte. Det jeg syns er rart med denne debatten, er at vi får enormt skryt for det systemet – for den bokavtalen – vi

systemet vårt på. Fordi bokbransjen er i enorm endring. Det er mange usikkerhetsfaktorer fordi vi skal over i en mer digital hverdag. Det å fryse situasjonen i en lov mener jeg er feil. Det systemet vi lager, må skapes i dialog med alle dem som jobber i bransjen. Bokavtalens styrke har nettopp vært solidariteten mellom bokhandlere, forlag, forfattere og politikere, der man setter seg ned sammen og lager et avtaleverk som skal bidra til at har nettopp vært solidariteten mellom bokhandlere, forlag, forfattere og politikere, der man setter seg ned sammen og lager et avtaleverk som skal bidra til at alle skal få en bit av kaka, men også alles målsettinger om å ha de små desentraliserte bokhandlene, og at nye forlag kan vokse opp. Vi har aldri sett så mange forlag vokse opp som under denne bokavtalen,

jeg syns fastpris er viktig. Det er viktig å ha et system som ivaretar alle delene, men all den vertikale integrasjon på eiersida og all digitaliseringa og alt som skjer, krever at dialogen bør styrkes og ikke svekkes, som den vil gjøre ved innføringa av en boklov. Derfor kommer vi i dag til å stemme imot en boklov, men fortsatt beholde den bokavtalen som har fungert så godt. Når den skal endres, skal den endres i dialog med dem som er aktører i den viktige litteraturverdenen vi har. I dag tar Noreg same skritt som andre store kulturnasjonar har gjort før oss. I snart 50 år har litteraturen vore regulert i ei unntaksforskrift til konkurranselovgjevinga. No er tida inne for å løfte litteraturen opp og inn i ein eigen lov. Litteratur bidrar til å bevare og utvikle verdiar som heile demokratiet vårt byggjer på, til å fordjupe oss i vår eiga verd eller i ei heilt anna verd. Det å produsere ei bok er ikkje som å produsere ein sykkel, joggesko eller dongeribukse. Bøker byggjer demokratiet, dei styrker ordskiftet – bak kvar einaste bok ligg det eit unikt kreativt arbeid. Loven me i dag skal behandle, er for for forfattarane og for lesarane. Loven kviler på fire pilarar. Loven gjer det obligatorisk å ha fastpris på nyutgjevingar fram til 1. mai året etter. Og Framstegspartiet seier at det betyr at ein ikkje vil ha konkurranse. Jo, ein vil ha konkurranse, men ein vil at nye bøker skal kunne konkurrere på kvalitet og innhald og ikkje berre på pris. Me føreslår ein avanseregulering mellom forlag og bokhandlar med eit rabattak på 50 pst., sånn at det ikkje berre er marknadsmaktene som rår. Loven omfattar i tillegg til skjønnlitteratur og sakprosa både fagbøker og e-bøker. Den fjerde pilaren er ein rekkje avgjerder om meir eins konkurransevilkår, sånn at mindre forlag eller bokhandlarar ikkje vert pressa av aktørar med ein sterkare Eg har merka meg at ein så godt som samla komité støttar regjeringa sine litteraturpolitiske målsettingar om mangfald, kvalitet og tilgjengelegheit, men at det er delte meiningar med omsyn til korleis ein skal nå desse måla. Mykje av debatten om bokloven har handla om korleis nye digitale utfordringar skal Kritikken av loven har m.a. vore at ei boklov vil vere til hinder for innovasjon og utvikling – ikkje minst med tanke på e-bøker, og at det vil fryse situasjonen sånn som han er i dag. Me meiner at det ikkje vil vere tilfellet. Ny teknologi og digitale plattformar vil gi fantastiske moglegheiter òg for spreiing av litteratur. Det er òg noko som loven legg til rette for. I dag kan ein lese eit intervju i Aftenposten med ein av dei som står bak det som heiter eReadz, det som kan verte ein norsk bokstrømmeteneste. Han seier der: «Loven er skrevet med henblikk på å la aktører som meg slippe til.» Han har hittil slite med at fleire forlag ikkje har vilja gjere avtalar med han.

Bokloven gir òg nye moglegheiter for å lage moderne prismodellar i takt med at strømme- og abonnementstenester for bøker på Internett vert vanleg. Det var det ikkje like enkelt å gjere før. Fastprisordninga gjev òg økonomisk rom for at ein skulle kunne satse på teknologi og på innovasjon. Det betyr i sum at bokloven gir dei beste rammevilkåra for å sikre utvikling av ein norsk e-bokmarknad. Det ligg òg eit

i tillegg til at me òg ved lov etablerer nokre vilkår som gjer at konkurransevilkåra vert likare for alle aktørane på dette feltet. Og så har eg ikkje behov for å kritisere andre land sin kulturpolitikk. Jeg kom ikke helt i land med mitt innlegg, og ettersom vi nå også har undervisningsministeren i salen, selv om ikke jeg skal rette noen spørsmål til henne, vil jeg likevel ta opp et litteratur- og språkpolitisk spørsmål som regjeringen kan ta med seg videre. Det dreier seg om fagbøker og undervisningsbøker. Universitetene har en strategi – bedre eller mindre godt forankret – om at det skal finnes lærebøker opp til bachelornivå. Det er et problem å få til. Den tilskuddsordningen som var til slike bøker, har under denne regjeringen blitt ganske kraftig kuttet – jeg tror faktisk bortimot halvert. Så ser jeg nå at bokloven omfatter fagbøker, og mitt spørsmål til kulturstatsråden er: Tror hun at dette er tilstrekkelig lærebokproduksjon, som vil sikre alle norske språkdomener, eller tror hun kanskje det må mer til? Når det gjeld tilskuddsordninga, er det ein type ting ein tar i budsjett – ikkje i lovarbeid – så det får me heller ta i den samanhengen. Elles er marknadsmekanismane dei same for fagbøker som for skjønnlitteratur og annan litteratur. Det er òg noko av grunnen til at me i bokloven har valt å sidestille dette og sikre at bokloven varetar alle typar bøker. Replikkordskiftet er

Det er en kulturbransje, men det er også en bransje med et marked og en økonomi og også til dels flinke økonomer. Og takk for det. Så har vi sett en voldsom endring i de ytre rammevilkår i forhold til nye bærere av informasjon, og vi har samtidig sett en bransje som i veldig stor grad For noen år tilbake var det et klart maktdelingsprinsipp hvor man hadde bokhandlerne på den ene siden og forleggerne på den andre. Så satt man og diskuterte bransjeforhold og gjorde justeringer i tråd med hvordan man oppfattet at markedet ønsket at denne bransjen totalt sett skulle fungere. I dag har vi en annen situasjon. Vi har en integrasjon hvor de største forlagene i stor grad har full kontroll over distribusjonen i og for seg den fysiske distribusjonen av boken som vare. Vi ser også at ambisjonen er tilsvarende når det gjelder nettbasert distribusjon. Jeg merker meg at noen hevder at dette er en gledens dag for bransjen, og det er kanskje slik. Det er kanskje en gledens dag i hvert fall for deler av bransjen, men ikke nødvendigvis hele bransjen. Men det store spørsmålet er i hvilken grad dette er en gledens dag for boken, for kulturen

men jeg vil også tro at det samme er situasjonen i Høyre. Derfor prøver man seg med å framstille det som at en bokavtale vil være så mye mer dynamisk enn en boklov. Ikke ett eneste eksempel har man kommet fram med i denne debatten hittil om at en bokavtale er mye mer dynamisk enn en boklov. Når e-bøker blir en del av bokloven,

med tanke på bokloven versus en bokavtale. Jeg vil være så uærbødig og si at det mest dynamiske med en bokavtale er at det kan bli en gradvis avvikling av hele avtalen, og at vi til syvende og sist kommer til å sitte igjen med ingenting. Det er det mest dynamiske, og jeg tror det er derfor hele bransjen, med noen få aktører som unntak, veldig sterkt ønsker seg fordi de ser at den bokavtalen vi har hatt fram til i dag, har vært god. Den har gitt kjempegode resultater. Sammenlikner vi oss med land som Sverige og Danmark når det gjelder utgivelse av bøker, ser vi at det er veldig gode resultater å vise til både med tanke på hvor mange bøker det norske folk kjøper, med tanke på antall utgivelser og med tanke på bredde. Men det som er viktig for bransjen, er forutsigbarheten i framtida, og det at en boklov fjerner usikkerheten til forfatterne, bokhandlerne og forleggerne om hvordan rammevilkårene kommer til å bli i årene framover. Med en boklov har man sikret rammevilkårene for litteraturpolitikken i årene framover. Framstegspartiet er

Det seier kulturpolitisk talsmann Olemic Thommessen i Dagsavisen 27. april. Eg reknar med at han framleis meiner det. Han seier ikkje så mykje om kva konkrete fordelar han er særleg kritisk til. Den same representanten sa til minervanett.no ganske nyleg at han ikkje er sikker på kor lenge Høgre vil ha bransjeavtalen vidare. Det er interessant å merke seg at Høgre både kritiserer bransjeavtalen og seier at dei antakeleg ikkje vil ha han på sikt. sikt. Representanten Thommessen har tidlegare sagt at det ikkje er slik at bransjeaktørane vil oppleve ei krasjlanding viss det hadde vore ei Høgre-dominert regjering, men alle signala han sender, tilseier samtidig – om ikkje anna – iallfall ei gradvis avvikling. I tillegg til denne grunnleggjande utryggleiken som Høgre gir til alle som denne bokloven vedkjem, viser dei òg at dei manglar ein konsistent analyse av På side 11 i innstillinga skriv dei at det forslaget til boklov som er lagt fram, vil «gjennomregulere bransjen og tvinge all omsetning av bøker inn i samme struktur». Altså: Dei kallar det å «gjennomregulere bransjen», og det seier dei òg at dei er imot. På side 12 i den same innstillinga fremmer dei forslag om at regjeringa bør «gjennomgå virkemiddelapparatet for litteratur med sikte på at alle bransjeaktører skal ha like rammevilkår for digital produksjon og distribusjon». Altså: Dei seier at dei likevel vil ha sterke reguleringar, fordi dei vil ha like rammevilkår for digital produksjon og distribusjon, samtidig som dei forkastar det som er verkemiddelet for å sikre nettopp det, nemleg bokloven. Eg trudde Høgre berre hadde låge ambisjonar, men så viser det seg at dei er inkonsistente i tillegg. Framstegspartiet har sagt frå denne talarstolen at leveringsplikta vil styrkje Amazon og Apple sine føresetnader i Noreg. Det er derfor viktig for meg å få presisert frå same talarstol at ein ikkje får rettane frå bokloven viss ein ikkje òg tar forpliktingane som bokloven inneber. Det betyr at slik som det er no – at desse aktørane sel frå utlandet – er dei ikkje omfatta av leveringsplikta. Dei må

gir. Fire av fem nordiske land har ikke innført boklov og har heller ikke planer om å gjøre det. Tvert imot har de innført det vi frykter mest av alt, nemlig fripris på bøker. I Sverige fikk de fripris i 1970, da landet ble ledet av den kjente liberalisten Olof Palme. Dette er altså land vi har tette historiske og kulturelle bånd til, som samfunnsmessig likner på oss på flere måter. Og dette mener flertallet i salen er katastrofe. Det ble også sagt fra representanten fra de rød-grønne at e-boken blir en del av avtalen. Ja, det skulle bare mangle. Jeg har også forstått at Amazon og Apple gnir seg i hendene og ser at de store forlagene nå har leveringsplikt, at nå har leveringsplikt, at de nå kan komme på banen. Men fortsatt har vi en problemstilling, og det er momsen. Bøkene og e-bøkene blir priset forskjellig, og e-bøkene blir dyrere. Jeg sa i replikkordskiftet at de siste nordiske vinnerne av Nobelprisen i litteratur kom fra friprisland.

stort sett – i hvert fall 70 pst. – fra et friprisland. Det er også et tankekors at man faktisk finner bøker som er verdt å oversette der ute, som vi frykter så mye. Jeg stilte statsråden en del spørsmål: Hvordan kan man med en ny lov, nye paragrafer, garantere en bredde i bokhandlernettet? Det fikk jeg ikke noe svar på. Hvordan kan man sikre kvalitet med nye lovparagrafer i utgivelsene? Det fikk jeg ikke noe svar på. Hvordan kan man sikre brede og smale utgivelser? Det fikk jeg heller ikke noe svar på. Forleggerne sitter hver eneste dag og avslår når det kommer forfatterspirer inn. Vi kan ikke sitte her og vedta lover når det kan være mange der ute

kan garantere, er at de store forleggerne fortsatt gnir seg i hendene. Statsråden inviterte til noen kommentarer. Det gleder meg at hun med slik interesse leser intervjuer og mine uttalelser rundt omkring. Jeg må innrømme at min hukommelse for de enkelte sitatene er vanskelig for meg å ta igjen. Jeg går ikke rundt og husker nøyaktig hva jeg har sagt eller ikke har sagt.

eller den faktiske politikk vi har ført gjennom mange år, må kunne si at vi borger for en konsistens når det gjelder vår litteraturpolitikk. Jeg vanskelig kan skjønne at vi gjennom det standpunktet vi har nå, gir signaler i retning av noe som bør gi bransjen grunn til å ligge våken om natten, og at det skulle være stor usikkerhet. Det er klart at dagens bransjeavtale må reforhandles, i den forstand at tidene har om prisutviklingen, om innovasjonstakten, om tilgjengelighet for små forlag uten en bokhandel. Dette er alle temaer som har vært ganske sentrale i utviklingen av det foreliggende boklovutkastet, og som selvfølgelig også vil være tema ved en reforhandling av en bransjeavtale. Når det gjelder spørsmålet om manglende konsistens – nemlig om lik behandling – dreier det seg først og fremst om lik behandling av plattform. av plattform. Det som er det påtrengende politiske behovet nå, er en gjennomgang av hele virkemiddelapparatet, slik at virkemiddelapparatet ikke fungerer diskriminerende med hensyn til plattform. Det betyr f.eks. at momsspørsmålet – lik moms på e-bok og papirbok der vi mener at regjeringen ikke bidrar nevneverdig, og et viktig grep når det gjelder hele dynamikken rundt overgangen til nye plattformer. Jeg gir meg med det. Men jeg kan som sagt ikke skjønne at det er noe motsetningsforhold mellom på den ene siden å skulle videreføre ønsket om en frivillighet når det gjelder bransjeavtalen, som når det kommer til stykket ikke vil være så frivillig allikevel, og på den andre siden å ønske en plattformuavhengig gjennomgang av virkemiddelapparatet for øvrig.

Så spør same representant frå Framstegspartiet: Korleis kan ein garantere tilgjengelegheit, og korleis kan ein garantere at ein sikrar bredde osv.? Eg synest eigentleg at det er litt underlege spørsmål, for det er klart at med bokloven styrer me rammevilkåra, føresetnadene for dette, og resonnementet vårt er at me meiner at litteratur er for viktig til at me kan overlate det til marknaden aleine. Det er ein ærleg sak å vere ideologisk mot marknadsregulering, men me som meiner at litteratur er for viktig til at ein kan overlate det til marknaden aleine, vil jo òg meine at det er nødvendig å ta i bruk denne typen verkemiddel for å styrke rammevilkåra, sånn at det ikkje minst skal verte så føreseieleg som forfattarane treng, og for at ein kan trygge vilkåra for å oppnå dei forfattarane treng, og for at ein kan trygge vilkåra for å oppnå dei litteraturpolitiske måla. Så seier same representant frå Framstegspartiet at forlaga og dei store aktørane nok gnir seg i hendene av bokloven. Eg ber representanten merke seg at det er forfattarane som har vore dei viktigaste pådrivarane for loven. Det er den gruppa loven òg er til for, saman med lesarane. Så registrerer eg at representanten frå Høgre gir uttrykk for at dei ønskjer ein bransjeavtale, men at han ikkje er tydeleg på kva avtalen vil bestå av. Det vil kanskje vise seg å verte tilfeldig, men ein kan jo lese noko ut av deira ideologiske grunnsyn. Dei er òg skeptiske til reguleringar, og vil ha minst mogleg av det. Eg kunne ikkje høyre at representanten Thommessen dementerte sitatet frå minervanett.no om at han ikkje var sikker på kor lenge dei ville

som først og fremst skal bære frem innholdet og balansen i en slik avtale. Det er et viktig poeng også fordi en slik prosess bidrar til at bransjen tar ansvar for sin egen dynamikk, som det ble sagt her i et tidligere innlegg. Det bidrar til lojaliteten rundt de litteraturpolitiske hensynene, som jeg tror er svært viktige i hele litteraturpolitikken. litteraturpolitikken. Det kan være en svakhet, både ved friprissystemet og ved lovsystemet, at bransjen fritas fra et slikt ansvar. Eg takkar for utgreiinga for gangen i korleis i ein bransjeavtale vert til. Eg registrerer at representanten frå Høgre er oppteken av at partane sjølve tek ansvar for sin eigen dynamikk – og det er her me skil lag. Me meiner at dette spørsmålet er så stort at ein ikkje berre overlèt det til ein bransjeavtale. Eg er glad for at bransjeavtalen har fungert såpass godt i såpass mange år. Han har òg inspirert på mange måtar. Men nå meiner i alle fall eg at tida er inne for at ein løfter det som har vore ei unntaksordning i konkurranselovgivinga – at ein løfter ho inn i lovs form. Det gjer ein ved hjelp av bokloven. Då sikrar ein òg gode rammevilkår for forfattarane, for lesarane og såleis for litteraturen. Det meiner eg er eit større ansvar enn det eg opplever at representanten Thommessen gir uttrykk for. Igjen registrerer eg at han vere å svare på kor lenge ein vil halde ved lag ein bransjeavtale. Altså: Han gjer ikkje noko for at det i det heile tatt skal verte føreseieleg for aktørane på litteraturfeltet over tid. Det er det dei har bedt om. Det er det som har vore årsaka til at forfattarane har vore pådrivarar for at ein skal ha ein boklov – at det kan verte føreseieleg – at dei ikkje treng å lure på korleis det skal gå kvar einaste gong bransjeavtalen skal

nemlig en boklov. Det skal være med når man diskuterer forutsigbarheten i de ulike alternativene.

som er viktig for at ein sikrar nettopp dei litteraturpolitiske målsettingane. Men samtidig er eg opptatt av at ein alltid skal vere kritisk til det ein sjølv legg fram, og derfor har eg òg invitert til ei evaluering av ein del av desse verkemidla i løpet av dei neste tre åra. Det er stor forskjell på å leggje fram ein boklov og på den måten signalisere at ein ønskjer at det skal verte føreseieleg over lengre tid, samtidig som ein ønskjer å sikre dei rammevilkåra som trengst for å

i makt mellom arbeidsgivere og ansatte, på samme måte som den bygger på en balanse i makt mellom fiskere og den som kjøper fisken, mellom en gårdbruker og den som foredler råvarene, altså næringsmiddelindustrien, eller innenfor handel. Det som har gjort at Norge har et anstendig arbeidsliv, er at vi i veldig stor grad har nasjonale avtaler hvor det gis rettigheter, men hvor det også gis ansvar. ansvar. Ikke minst når det gjelder det å inngå en avtale, gis det et ansvar. Det gis et medansvar for fagforeninger, enten de representerer sjølstendig næringsdrivende eller lønnsmottakere, i forhold til den avtale en inngår. Det har opp gjennom vår historie vært sentralt å ha nasjonale avtaler, for det er gjennom de nasjonale avtaler at vi sikrer dem som står svakest i yrkes- og næringsliv. Det som er saken i denne innstillinga, er at Atea er selskapet Atea er selskapet som kjøpte opp Umoe IKT i 2010, og slik de så det, ble det inngått en avtale – også med EL & IT Forbundets velsignelse – om at Umoe-ansatte ikke skulle kreve tariffavtale, da de hadde en lokal avtale fra 2011. Dette forholdet er noe som EL & IT Forbundet bestrider, og som de fikk medhold i arbeidsretten for, og en enstemmig dom slo fast at forbundet om nødvendig kunne streike for å oppnå en tariffavtale. Megling mellom partene førte ikke fram. Selskapet Atea har IKT-avtaler med NTNU og mange kommuner. Det er altså en sentral, viktig og sterk bedrift. Det som er saken, er spørsmålet om i hvilken grad en skal medvirke til å få til sentrale avtaler, og selskapet Atea er ikke spesielt glad i at en har kollektive avtaler. Derfor fikk en denne konflikten. Det førte til at regjeringa måtte gripe inn med tvungen lønnsnemnd, og det er det vi skal ta stilling til. Det er en enstemmig komité som går inn for det. Men jeg vil bare si at da EL & IT Forbundet hadde streiket i 18 dager, ble det varslet sympatistreiker i stort monn. Det er jo mange fagforeningsledere som vil påpeke at i arbeidsrettens historie er det en kjent måte å sikre at regjeringa griper inn på – og at arbeidsretten avgjør saken – at en utvider til sympatistreiker. Vi får i denne saken håpe at den rikslønnsnemnda som nå er satt til å ta stilling til saken, behandler det slik at en legger vekt på at en skal ha et arbeidsliv som sikrer at det er rettigheter og landsomfattende avtaler, noe som i større grad sikrer helhetlige vurderinger enn det som lokale avtaler gir. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 23. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med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

plikt for skolene til å samarbeide om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan bruk av personale i skolen som ikke er ansatt i undervisningsstilling, og som skal hjelpe til i opplæringen. Alt dette er en oppfølging av Meld. St. 18 for 2010–2011, Læring og fellesskap, som handler om tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Bakgrunnen for de to neste forslagene – erstatningsbestemmelse med delt bevisbyrde for saker om psykososialt miljø og utvidet foreldelsesfrist i straffesaker om psykososialt miljø – er en utredning fra 2011 om rettslige virkemidler for å motvirke mobbing, utført ved Universitetet i Oslo etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Psykososialt miljø fikk også bred omtale i Meld. St. 20

Som saksordfører er jeg glad for at komiteen slutter seg til de forslagene til endringer i opplæringsloven som nettopp ble nevnt. Jeg viser også til forslag til endring i privatskoleloven § 2-1, som innebærer bortfall av innvilgede godkjenninger av å tilby videregående opplæring på grunnlag av Montessori-pedagogikk. Forslaget er omtalt i kapittel 11 i proposisjonen. Komiteen har ikke kunnet gi kapittel 11 i proposisjonen en forsvarlig behandling før Stortinget går fra hverandre før sommeren. Komiteen har derfor ikke realitetsbehandlet proposisjonens forslag om endring av privatskoleloven under dette kapitlet. Komiteen går derfor inn for at forslaget til lovendring på dette punkt ikke blir tatt opp til votering i Stortinget. Proposisjonens forslag til endring av privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b) er dermed ikke tatt med i innstillingens utkast til vedtak. På samme måte er forslaget om ikrafttredelse i andre ledd under III ikke ført opp i innstillingens utkast til vedtak.
Neste taler er representanten

hjemmelen om kampen mot mobbing av skoleelever i skolen. Å gå fra halvårlig rapport til én årlig rapport i PP-tjenesten er vi enige om. Det gjør at de som jobber med dette, kan bruke mer tid på barn og mindre tid på papir – det er bra. Så kan jeg i og for seg henlede både lytternes og lesernes oppmerksomhet på budsjettdebatten for inneværende år, da vi diskuterte de rød-grønnes forslag om en lovfestet lærertetthetsnorm. Den gangen var vi enige om at det var kunnskapshull når det gjelder dette spørsmålet.

til å si at det vil bedre kvaliteten i skolen. Vi tror dessverre at det å fylle skolen med flere ufaglærte ikke er veien å gå for å styrke kvaliteten i norsk skole. Fremskrittspartiet støtter de øvrige forslagene, men jeg vil råde mine partikolleger til å stemme imot § 8-3 i dag.

fra det læreren helst vil konsentrere seg om; undervisningen og møtet med eleven. Høyre mener det er grunn til å merke seg reaksjonen fra Norsk forbund for utviklingshemmede. Elever med utviklingshemning er ofte fritatt for karakterer, de deltar ikke på nasjonale prøver og andre prøver, noe som kan gjøre det vanskelig å måle faglig fremgang og Høyre er derfor opptatt av at departementet må vurdere alternative måter til halvårsrapporter for å sikre god kommunikasjon mellom skole og hjem, slik at foreldre med utviklingshemmede barn får nødvendig informasjon om elevens progresjon og læringsutbytte. Myndighetenes kamp mot mobbing ble for alvor satt på dagsordenen med det første nasjonale mobbemanifestet under Bondevik Ti år senere er det nedslående når Elevundersøkelsen 2012 viser at mer enn 40 000 elever jevnlig mobbes i den norske skolen. Organisasjonen Stopp Mobbingen har gjort en kartlegging som viser at over 100 elever er mobbet ut av nærskolen. Det skulle aldri ha skjedd. Kampen mot mobbing må derfor føres videre med uforminsket styrke, lokalt og nasjonalt. Bak mobbetallene skjuler det seg triste barne- og ungdomsskjebner, psykiske lidelser og helt eller delvis tap av skolegang. Det er samfunnets og skolens felles ansvar og plikt å hjelpe disse elevene. Vi kan aldri akseptere «litt» mobbing. Bare nulltoleranse er akseptabelt. Kampen mot mobbing er langsiktig arbeid. Høye mobbetall forteller oss at innsatsen mot mobbing fortsatt må gis aller høyeste prioritet. Høyre mener derfor det er en milepæl i bekjempelsen av mobbing når det nå i opplæringsloven tas inn bestemmelser om at bevisbyrden deles. Ansvaret for å sikre et godt psykososialt læringsmiljø påligger skoleeier. Dagens situasjon der hele bevisbyrden faller på den svake part, mobbeofferet, er urimelig. Dagens lovendring vil forhåpentligvis gjøre at flere mobbeofre og deres foreldre orker og vil ta den belastningen det er å ta saken inn i rettssystemet – for å få prøvd rettslig den urett offeret har blitt utsatt for, og for å få vurdert erstatningskrav for tapt skolegang når det er siste utvei.

med økt lærertetthet på ungdomstrinnet for å høste erfaring og kunnskap om effekten av økt lærerressurs. Men nå, altså før tilskuddsordningen er trådt i kraft i skolen og på tross av at departementet i lovproposisjonen gjentar at kunnskapsgrunnlaget er usikkert, ber departementet om det KS omtaler som en blankofullmakt til å kunne innføre en lærernorm. KS viser også til at en slik norm kan få store konsekvenser for kommunenes muligheter til å organisere skolen på en både pedagogisk og ressursmessig fornuftig måte. Høyre mener det er på grensen til å være useriøst når regjeringen endrer loven før man vet om lovendringen faktisk vil ha noen som helst effekt. Vi har også med interesse merket oss at det er et som viser til at denne regjeringen i sin egen stortingsmelding om Stat og kommune – styring og samspel bl.a. skriver at det ikke bør innføres bemanningsnormer. Et klarere eksempel på en regjering som møter seg selv i døra, skal man lete lenge etter. Som mange representanter og saksordføreren har klargjort før meg, er etter. Som mange representanter og saksordføreren har klargjort før meg, er mange av de forslagene vi behandler nå, oppfølging av tidligere meldinger. Jeg tror at vi kan henvise litt til hva vi har sagt i forbindelse med de forskjellige meldingene. Men jeg har behov for å kommentere to ting, også fordi at dette er den siste debatten vi har på skoleområdet i denne komiteen. Vi har gjort mange grep,

og så er det det andre som gjelder det vi behandler i dag, nemlig mobbing. Det er trist å se etter den gode utviklingen vi hadde både under statsminister Kjell Magne Bondevik og etter at Kong Harald i sin tid fokuserte på mobbing i skolen og vi fikk tallene ned, dramatisk ned, at tallene nå er gått opp igjen. Det er viktig å gjøre det vi kan for at regelverket er i orden,

Men jeg har lyst til å gi noen ord med på veien. Dette er en politikk som Kristelig Folkeparti har stått for på flere landsmøter. Men de øremerkede tilskuddene til lærere som regjeringen bidro med i budsjettet, og måten de ble tildelt på, mener Kristelig Folkeparti ikke var god nok fordi man overstyrte de lokale eierne ved at det var departementet som skulle velge ut hvilke skoler som hadde det største Når det nå ligger en slik fullmakt på bordet og Kristelig Folkeparti støtter den, mener vi det er noen viktige forutsetninger som må være på plass. Det ene er at skoleeier trekkes med i diskusjonen, og at dette ikke gjøres over hodet på dem som eier skolene. Det andre premisset som er viktig, er at det også jobbes med de lærerne vi allerede har for å gi dem både etter- og videreutdanning, og gir de nye lærerne en obligatorisk mentorordning som gjør at de blir gode lærere. Jeg tror det er riktig, som mange sier, at det handler ikke bare om antallet lærere, men det handler om at vi har gode og kvalifiserte lærere. Så vi kommer til å støtte § 8-3. Da representanten kommer til å støtte § 8-3. Da representanten Eriksen sa at dette var siste debatten, ble jeg litt melankolsk, så jeg måtte tegne meg, men det var også for å gi en stemmeforklaring når det gjelder lærertetthet. Jeg representanten fra Kristelig Folkeparti hadde et veldig godt innlegg. Jeg har brukt et eksempel for å forklare hvorfor vi er uenige i måten å forklare dette på. Da tror jeg jeg må bruke representanten Harbergs hjemkommune. I representanten Harbergs hjemkommune stilte Venstre til valg med et stort ønske om å øke lærertettheten. Det sto øverst på dagsordenen for politikerne. De drev en svær valgkamp for å få flere lærere inn i skolen, fordi de syntes at lærertettheten var for lav. De vant valget. Venstre fikk ordføreren, og de har hvert eneste budsjettår lagt inn flere lærere. Nå har de klart å komme opp på et brukbart nivå, men de skal fortsatt ganske mye høyere. I nabokommunen hadde man politikere som ikke prioriterte flere lærere. Og fordi Grimstad akkurat nå har klart å komme over de magiske grensene,

for en norm når vi klarer å ha mange nok lærere inne i jobben. Er det noe jeg har prøvd i disse fire årene i utdanningskomiteen, er det å snakke om alle de tiltakene som skal til for å få flere lærere, alle de tiltakene som skal til for at vi skal ha flere kompetente lærere, og alle de tiltakene som skal til for at alle dem som er ufaglærte lærere, skal bli faglærte, gode pedagoger med god faglig basis for det de gjør. Det kommer vi til å fortsette

ut. Det er enstemmighet i komiteen om de aller fleste forslagene i denne saken, og de fleste av dem har også vært diskutert i andre sammenhenger, men dreier seg nå om lovendringer som skal til for å innfri saker som vi tidligere har diskutert. Så la meg bare knytte noen bemerkninger til det. For det første foreslår vi fjerne plikten til halvårsrapporter knyttet til spesialundervisning. Det betyr at det er over 50 000 halvårsrapporter som skolen nå slipper å fylle ut. Men jeg har lyst til å understreke at rettighetene til elevene når det gjelder spesialundervisning og oppfølging, rokkes det ikke ved, og de elevene har like store krav på tilbakemeldinger som alle andre elever har. Jeg forstår at man kan være urolig for om elevenes rettigheter svekkes, men det vil jeg på det sterkeste avvise at de gjør. Jeg vil også understreke at når det gjelder spørsmålet om elever som har krav på spesialundervisning, skal få karakterer eller ikke, er ikke det noe skolen kan bestemme. Det er det foreldrene som har rett til For det andre vedtar Stortinget i dag to veldig viktige endringer i rettssikkerheten til elever som utsettes for mobbing. Det er fordi vi er utålmodige etter å få mobbetallene ytterligere ned. Det er riktig at da man tok et nasjonalt grep for å få mobbetallene ned – og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik skal ha stor ære for det – klarte man i starten å få til en reduksjon. Men nå har det flatet ut over år, til tross for veldig stor innsats på dette området. Vi har hatt tilsyn nå flere år på rad nettopp med hensyn til det som dreier seg om elevenes læringsmiljø, og det jobbes mye mer systematisk nå rundt omkring på skoler med nettopp dette, men likevel er vi ikke fornøyd med de resultatene vi har. Derfor har vi bl.a. disse to lovendringene. Den ene dreier seg om delt bevisbyrde i erstatningssaker. Det er ikke fordi vi ønsker at flere elever skal måtte gå til erstatningssak mot en kommune, men fordi vi håper det er med på å understreke det ansvaret som kommunene har for å drive forebyggende arbeid. Så er det endringene i rammene for straffeloven og utvidelse av foreldelsesfristen. Begge deler er med i en større plan som vi har for ytterligere, håper vi, å få rettet oppmerksomheten mot mobbing, og for å ha fullt «trøkk» i det arbeidet hele tiden. Så noen kommentarer om det det er uenighet om, og jeg håper at verden rundt oss og alle som jobber i skolen og er opptatt av dette, virkelig legger merke til hvordan partiene nå argumenterer på dette området. Vi har i forbindelse med budsjettet innført en prøveordning som skal vare i fire år, med 600 øremerkede statlige lærerstillinger til ungdomsskoler som har mange elever per lærer, over 20 elever per lærer, og som har under gjennomsnittet i grunnskolepoeng. Det er for å høste erfaringer med en slik ordning med lærertetthet, og fordi vi hører på lærere, foreldre, elever og alle andre som har hverdagen sin i skolen, og som sier at dette er en utrolig viktig erfaring å få med seg for å styrke det arbeidet som vi Jeg har snakket med så mange lærere og så mange i lærerorganisasjonene, og begrunnelsen som mange lærere gir for å søke seg bort fra skolen,

jobb som de kan trives med, og at de føler seg mer tilfreds med måten de kan få gjort jobben sin på. Det blir spennende å høste de erfaringene som denne prøveordningen gir oss. En lovendring som gjør at man kan komme tilbake med en bestemmelse om lærertetthet, en norm for lærertetthet, mener jeg virkelig er å gi alle de gode lærerne som gjerne vil jobbe i skolen, et ekstra argument til å bli. Det blir replikkordskifte. Det er replikkordskifte. Det er allerede i dag i Norge en betydelig lærermangel. Hvordan skal statsråden unngå at den nye lærernormen blir en ren papirbestemmelse, når vi ikke ser konturene av en utdanningskapasitet eller tiltak for øvrig som skulle bidra til at man fikk det antall nye lærere som skal til for å gjøre en slik norm til en realitet? Det er i dag over 35 000 lærerutdannede som har valgt seg andre yrker enn læreryrket, og veldig mange av dem gir som en begrunnelse for å forlate skolen den utilstrekkeligheten de veldig ofte har følt på, nemlig at de ikke har hatt tid til å følge opp hver enkelt elev. Derfor håper jeg at den prøveordningen vi nå gjennomfører, kan gjøre skolen til en mer attraktiv arbeidsplass for alle de lærerne som nå har valgt andre yrker. Punkt 2: Det er også mange som sier at hvis de har mer tid til å følge opp hver enkelt elev, kan de godt tenke seg å utsette de planene de har om å gå av med pensjon. Jeg mener at hvis skolen generelt sett er en mer attraktiv arbeidsplass, kan vi tiltrekke oss flere gode krefter. Dette er altså ikke sånn at man kan sette noe likhetstegn mellom lærermangel og prøveprosjektet og ønsket om å øke lærertettheten. Mitt ønske og mitt mål er at det skal være motsatt. Jeg holder fast ved at en lærernorm blir en papirbestemmelse så lenge man ikke greier å komme opp med en troverdig beskrivelse av hvordan man skal

skulle fungere. Hva slags tilnærming er det? Dette ble varslet da vi foreslo dette i budsjettet, så det kan ikke ha kommet som noen overraskelse på komiteen. Dette var tvert imot en del av en plan for å endre loven, slik at man har et hjemmelsgrunnlag for å komme tilbake med en nærmere bestemt norm for lærertetthet. Så dette har ligget i kortene hele veien. Så dette har ligget i kortene hele veien. Hvis jeg kunne få lov til å gi Høyre et bitte lite råd, er det å la den begeistringen man har for lærere, også føre til at man hører på lærere. Det er ingenting jeg opplever at lærere oftere tar opp med meg, enn ønsket om å gjøre en god jobb på en slik måte at man kan følge opp hver enkelt elev bedre. Dette er et svar til disse ekspertene, som jeg også lytter til, nemlig de som har skoen på, og som gjør jobben hver eneste dag, som har en veldig sterk overbevisning om at dette vil gjøre læreryrket mer attraktivt og gjøre lærerjobben mer interessant og overkommelig.

og mest utfordrende og morsomste og på alle vis mest interessante jobben man kan ha. I tillegg har man en ekstrabonus, og det er å treffe så utrolig mange flinke og engasjerte folk hver eneste dag. Jeg har vært veldig opptatt av at vi skulle få til en bestemmelse for å øke lærertettheten. Nå har vi en prøveordning som vil gi oss bedre erfaring med nettopp dette. Det blir veldig spennende å se hvordan skolene bruker den muligheten de nå har. De kommer til å ha litt forskjellige innretninger. Noe av det vi vet fra forskningen, er at hvis man bare smører det tynt utover og fortsetter å jobbe akkurat som nå, er det vanskelig å måle noen stor effekt av det. Men hvis man jobber annerledes og sørger for å bruke de ekstra ressursene som de ekstra lærerne gir, kan vi f.eks. håpe å få ned den betydelige økningen vi har hatt i spesialundervisningen i løpet av de senere årene.

skole. Trine Skei Grande er jo fullt ut kjent med det, f.eks. at vi stoppet den omfattende privatiseringen som Venstre var med på sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, f.eks. at vi avlyste krigen med Skole-Norge for å få til en helt annen form for hvordan de nasjonale prøvene skulle fungere, f.eks. at vi har fått på plass et system for etter- og videreutdanning for lærere, som mange flere kommuner burde benytte seg av, f.eks. at vi har blitt mye bedre i forhold til tidlig innsats, som er avgjørende for at små lærevansker ikke skal vokse seg til å bli store lærevansker, f.eks. at vi er mye bedre på vurdering for læring nå enn vi var tidligere. Økt lærertetthet er ett av mange viktige forslag som vi nå gjennomfører. Trine Skei Grande skal ha veldig store problemer med å klare å holde det i et samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet. Replikkordskiftet er omme. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det var statsrådens svar til meg på den første replikken som fikk meg til å tegne meg igjen.

i sin yrkesaktive tid. Et annet spørsmål som statsråden heller ikke har noen gode svar på – det snakkes mye om det, statsråden sier at man har dialog med partene om det – og som hun heller ikke har kommet fram med noen konkrete forslag til, er hvordan nye karriereveier i skolen skal se ut. Det kunne ha vært et instrument for å få tilbake noen av disse 35 000 som statsråden snakker om, og som Jeg tror ikke at 600 stillinger i ungdomsskolen gjør en i stand til å rekruttere tilbake de mange tusen vi må ha tilbake av de 35 000, hvis vi skal ha et lønnlig håp om å tette det gapet og den mangelen på kvalifiserte lærere som vi ser åpne seg nå fram mot år 2020. Det er ingen tvil om at her kunne mye mer ha vært gjort. Statsråden og regjeringen har prioritert helt andre ting fremfor virkelig å sette inn støtet. Hvis man mente alvor med at man skulle rekruttere tilbake så mange av denne såkalte reserven, måtte man sette inn et helt annet støt i en helt annen størrelsesorden på et langt tidligere tidspunkt. Nå blir det en ny regjering som får denne ballen i fanget, og som står overfor de store utfordringene det er å skaffe norske elever de kvalifiserte lærerne som alle elever i norsk skole burde ha tilgang på.
Neste taler er

Jeg trivdes som lærer, jeg syntes det var fantastisk de gangene jeg fikk gjøre en virkelig forskjell. Da jeg så at det gikk et lys opp for en elev som hadde strevd med noe opp og ned i lange tider, da var det virkelig sånn at jeg visste at det var verdens beste jobb. Og så sier de: Hvis jeg bare fikk litt mer tid til å følge opp hver enkelt elev, sånn at jeg kunne oppleve det litt oftere i jobben, skulle jeg tenke på å komme tilbake på skolen. Vel, da prøver vi ut det. Grunnen til at det ikke bare er en prøveordning i løpet av fire år som vi nå skal høste erfaringer med, er også at vi gjør denne lovendringen i dag. Jeg er helt sikker på at Skole-Norge kommer til å merke seg hvem som stemmer for, og hvem som stemmer imot. Da kommer de til å merke seg at Høyre og Fremskrittspartiet og Venstre stemmer imot den endringen i opplæringsloven som gjør at man kan komme tilbake med en bestemmelse som sikrer lærertetthet. Det er veldig interessant. Det kommer nemlig veldig mange til å være opptatt av når de skal finne ut av om man faktisk hører på lærerne, har en strategi for hvordan man skal rekruttere flere tilbake til skolen, har en strategi for hvordan man skal prøve ut ulike systemer for å hindre en fortsatt økning i spesialundervisningen, har en strategi for hvordan man skal kunne jobbe mer variert og motiverende i skolen. På veien ned fra talerstolen sa statsråden at dette tar sin tid. Ja, det er
har han en taletid på 3 minutter.

handler om alt det du gjør rundt læreryrket. Da jeg var saksordfører for oppfølginga av Tidsbrukutvalgets rapport, lovte statsråden å ta bort ett – jeg gjentar: å ta bort ett – skjema. Det tok et og et halvt år fra Stortinget fattet vedtak om å ta bort ett skjema, til vi i dag tar bort ett skjema. Det er en av de tingene lærerne har bedt om. Vi har sagt at vi må kutte med 25 pst. – det er rått og hardt, men det må vi gjøre. For at lærere skal orke å være lærere, må de få lov til å være lærere. Det betyr at vi må få opp antall helsesøstre i skolen. Vi må få inn andre yrkesgrupper. Vi må få inn alle dem som kan avlaste lærerne i hverdagen. Venstre har foreslått 1 000 nye helsesøstre i alle statsbudsjett de siste åtte årene. Det kom 200 i forbindelse med folkehelsemeldinga, da man skulle gå til valg for andre gangen. Hvis man virkelig skal sørge for at lærere

Det gjør man med en stor tiltaksplan på alle nivå, som handler om hvordan man skal få tid til å være lærer, hvordan man avbyråkratiserer norsk skole, hvordan man sørger for å bringe statusen tilbake til yrket og hvordan man lager ordentlige karriereløp. Det har jeg lyst til å gjøre. Det hadde vært en spennende oppgave å ta fatt på. Men noen andre har dessverre sittet der og hatt den jobben i åtte år og funnet ut at den dagen man skal gå til valg, skal man begynne å høre på lærerne. Noen har hørt på dem kjempelenge og foreslått dette kjempelenge. Jeg tror ikke lærerne lar seg lure av en norm uten innhold. Jeg tror de ser at tiltak handler om å løfte hele yrket og gjenreise respekten for det. Det gjør man ikke ved å vedta en tallnorm i lov. Det gjør man ved systematisk å jobbe med å løfte yrket. Det er mulig hvis man vil, men det er fint at det skal drives valgkamp på lærere og lærertetthet.

har. Uansett hvordan statsråden snur og vender på det, er det å vedta en lærernorm nå, et slag i luften, for det er å love bort lærere man ikke har. Høyre, derimot, har vært kjempetydelig på hva som er våre prioriteringer: ny lærerutdanning, nye karriereveier, staten skal ta regningen for den ekstra lønnen som disse nye karrierestillingene skal kvalifisere til,

Nei, unnskyld, Snorre Serigstad Valen. Beklager så mye! Takk, president – og så vi som ga hverandre en klem på Stortingets avslutning lørdag! Vi må klemme mer! Jeg sitter her og hører på Elisabeth Aspaker, og representanten Lien er ikke fornøyd med at jeg forlenger denne debatten, men jeg gjør det likevel, for tanken slår meg jo: Det må stå forferdelig til i norsk skole. Elisabeth Aspaker svinger høyt og kommer med en virkelighetsbeskrivelse som jeg ikke kjenner igjen fra mine mange besøk på skoler rundt omkring i landet og spesielt i mitt eget hjemfylke og i min hjemkommune. Vi gjør det bedre på de internasjonale testene, som Høyre var så veldig opptatt av da de satt i regjering. Vi gjør det mye, mye bedre. Oppgangen fortsetter for hvert år Kristin Halvorsen er kunnskapsminister. Vi er ikke i en evig konflikttilstand med elevorganisasjonene og lærerorganisasjonene. lærerorganisasjonene. Vi innfører ikke privatiseringsreformer, som skaper to konkurrerende sektorer, betalt av det offentlige, som utarmer tilbudet innenfor yrkesfag og muligheten til å ha et godt distriktskoletilbud. Lærerne etterspør ikke Elisabeth Aspakers politikk. De vil ikke ha karakterer i barneskolen. De vil ikke ha et snevert, instrumentalistisk læringssyn, uansett hvor strengt og forfriskende det høres ut. De vil ikke ha privatiseringseksperimenter og den usikkerheten som Høyres kommuneøkonomiopplegg fører med seg. Når man driver politikk på representanten Elisabeth Aspaker-måten, ender man opp med ikke å ha noen andre visjoner enn å finne nye måter å formulere hvor ille det står til når de andre styrer. Da ender man opp med å legge skylden på kunnskapsministeren for det man tror blir dårlige resultater for Skole-Norge om morgenen, for så å prøve å ta æren for framgangen det viser seg å være, når resultatene er lagt fram på ettermiddagen, etter åtte år med SV i regjering. Til slutt er det å bemerke til Trine Skei Grande, siden hun er så opptatt av hva som er gjort de siste åtte årene, og at noe av det har tatt tid: Vi kan jo spørre lærerorganisasjonene om hvem de liker best – kunnskapsminister Kristin Halvorsen eller den regjeringen som partiene til Elisabeth Aspaker og Trine Skei Grande var en del av i fire år, før vi tok over. Ingen flere har bedt om ordet til sak nr. 24. Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 25 og 26 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Det er derfor ønskelig at dette avklares før vi eventuelt starter realitetsdebatten om begge innstillingene. Presidenten vil foreslå at det legges opp til en kort debatt om tilbakesending til regjeringen før Stortinget voterer over komiteens tilråding. Det åpnes for at hver partigruppe kan ha et innlegg på inntil 3 minutter. Det samme gjelder statsråden, dersom hun ønsker å ta ordet. – Det anses vedtatt.
Første taler er

Denne dyptgripende omorganiseringen av norske spesialstyrker er kun viet noen få setninger i proposisjonen. Stortinget må i en så viktig sak få seg forelagt et beslutningsgrunnlag hvor konsekvenser, kostnadsbilde og premisser er synliggjort og etterprøvbare. I den særdeles kortfattede saksframstillingen mangler bakgrunn, premisser og kostnads- og konsekvensanalyser.

eller skal ta beslutninger med store operative og organisatoriske konsekvenser. Vi opplevde det samme i forbindelse med Prop. 110 S for 2010–2011, der Stortinget ble bedt om å fatte vedtak om kjøp av fire treningsfly av typen F-35. Det var også norgeshistoriens største anskaffelse vi da begynte på, og den ble behandlet over to spalter i proposisjonen. Da vi behandlet langtidsplanen for Forsvaret i fjor vår, opplevde vi det samme. Komiteen stilte 291 skriftlige spørsmål for å belyse saken. I begge saker kalte vi også forsvarsminister og forsvarsjef inn til høring. En slik praksis med mangelfulle beslutningsgrunnlag til Stortinget er bare mulig fordi regjeringa kan presse sakene igjennom, med regjeringspartienes flertall i salen. Også denne gangen har komiteen forsøkt å avhjelpe mangelfull informasjon ved å stille spørsmål og arrangere høring, flertallet mener altså at saken ikke er godt nok belyst. Den uro og kontrovers som i tillegg har syntes å prege den interne prosessen som ledet fram til regjeringas forslag, er et tilleggsmoment som ikke er egnet til å inngi tillit til at alle sakens premisser og konsekvenser er belyst. På denne bakgrunnen mener flertallet at regjeringa må komme tilbake til Stortinget med en ny sak knyttet til spørsmålet om organisering av spesialstyrkene, med utgangspunkt i tiltak som rent faktisk øker den operative evnen, og hvor premisser, kostnader og konsekvenser er redegjort for på en tilstrekkelig god og etterprøvbar måte. Jeg vil også legge til at vi fra Høyres side støtter regjeringspartienes forslag
Neste taler er Sverre

Stortinget behov for et bedre beslutningsgrunnlag. At man velger å behandle en organisasjonsmessig endring av denne karakter i en investeringsproposisjon, framstår som særdeles forunderlig. Når det gjelder det saksframlegget som ble presentert for komiteen: Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at et samlet storting vil behandle det regjeringen her ønsker å behandle. Som alle i Stortinget er klar over, har det framkommet alvorlige bekymringsmeldinger som er bredt omtalt i mediene de siste ukene. Bare det burde fått et samlet storting til å heise flagget og erkjenne at det er mange faktorer som bør etterprøves mer før en beslutning om organisasjonsmessige endringer foretas. Vårt land er avhengig av en spesialstyrke som har det beste operative funksjonsnivå. Når tillitsvalgte i spesialstyrkemiljøet gir klar tilbakemelding om at konsekvensene av det som foreslås, kan rokke ved vår operative evne, skulle man tro at et ansvarlig storting forstår at denne Det er derfor vi i flertallet har anmodet om at denne delen av proposisjonen må fremmes i en ny sak, der premisser, kostnader og konsekvenser er redegjort for på en tilstrekkelig og adekvat måte. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at de rød-grønne partiene i denne sal, som er godt kjent med de problemstillinger tillitsvalgte har påpekt, ikke tar hensyn til nettopp det. Et samlet storting hadde stått seg på å behandle Prop. 136 S som det proposisjonen egentlig er, en investeringsproposisjon, og ikke en organisasjonsendring. Det skylder vi de soldatene som inngår i spesialstyrkene, det skylder vi de tillitsvalgte som har vært meget tydelige i sine tilbakemeldinger, og det skylder vi det norske folk – fordi vi er avhengig av et spesialstyrkemiljø som er funksjonsfriskt og i best mulig operativ stand til å løse de vanskelige oppdrag som vi pålegger dem.
Neste taler er Sverre Serigstad Valen …. Nei, unnskyld, Snorre Serigstad Valen.

dette. Jeg vil også holde det kontroll- og konstitusjonskomiteen holder på med, utenfor dagens debatt. Som sagt: Den svært alvorlige saken får gå sin gang – i egnede og passende organer. Det var litt om prosessen i Forsvaret. Jeg tror jeg kan si at fra denne saken kom til politisk behandling, har det vært en svært grundig behandling – en nesten uvanlig grundig behandling, vil jeg si. Forsvarsministeren har gjennomført en rekke reiser og besøk – til Marinejegerkommandoen og til Forsvarets Spesialkommando/Hærens jegerkommando, og til Haakonsvern, Ramsund og Rena. Hun og departementet har hatt en rekke møter med Forsvarets avdelinger, med tillitsvalgte og med enkeltpersoner. Etter at saken ble fremmet for Stortinget, har utenriks- og forsvarskomiteen gjennomført åpen høring med Komiteen har vært på besøk hos Marinejegerkommandoen og hos Forsvarets Spesialkommando/Hærens Jegerkommando, og komiteen har stilt, og fått svar på, godt over 50 spørsmål – til dels svært omfattende spørsmål og svar. Denne saken er derfor svært godt opplyst. Stortinget skulle ikke ha noen grunn til å sende saken tilbake til

Det bør ikke Stortinget bidra til. Det er Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som står bak innstillingen, ettersom disse partiene har flertall i utenriks- og forsvarskomiteen. Jeg anbefaler regjeringspartienes representanter å stemme imot innstillingen og forslaget om å sende saken tilbake til

i åpen høring, i møter og i innspill til komiteens medlemmer. I tillegg til at det har vært gjennomført høring, har komiteen besøkt både Marinejegerkommandoen og Forsvarets Spesialkommando. Det har vært en grundig og redelig politisk behandling av saken i komiteen. Derfor går jeg, i motsetning til enkelte andre som har hatt ordet, ikke inn på sakens realiteter når vi nå diskuterer dette tilbakesendingsforslaget, men nøyer meg med å si at jeg merker meg at det ikke kom noe forslag om utsettelse fra opposisjonen før avgivelsesøyeblikket, og etter at det hadde vært mye oppmerksomhet rundt andre sider ved denne saken i media, som ikke er vedkommende det vi faktisk behandler i salen i dag. Anklagene om trusler og avlytting er svært alvorlige, og de høres, som representanten Myrli sa, helt hinsides ut. Det er noe Forsvaret og departementet må komme til bunns i. Men det er ikke på grunnlag av den saken at opposisjonen krever utsettelse, det er fordi en sier at beslutningsgrunnlaget er for tynt. Det skulle jeg i så fall ønske at opposisjonen hadde gitt mye tydeligere uttrykk for mye tidligere. Det politiske oppdraget til forsvarssjefen etter terrorangrepet 22. juli 2011 innebar en helhetlig gjennomgang av spesialstyrkenes organisering. Denne omorganiseringen er jeg i så fall ønske at opposisjonen hadde gitt mye tydeligere uttrykk for mye tidligere. Det politiske oppdraget til forsvarssjefen etter terrorangrepet 22. juli 2011 innebar en helhetlig gjennomgang av spesialstyrkenes organisering. Denne omorganiseringen er utredet på vanlig måte av fjerde avdeling i Forsvarsdepartementet under rollen som langtidsplanleggingsavdeling for Forsvaret. Prosessen har vært inkluderende. Selve prosessen er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene, og de har vært med i hele prosessen. Alle beslutningspunkter i denne utredninga er fattet i Forsvarets ledergruppe. Dette er den beste faglige anbefaling som kan gis for å utvikle spesialstyrkene til morgendagens krav. Imidlertid er det noen i Marinejegerkommandoen som har vært, og er, uenige – dette på samme måte som ved nedleggelsen av HV-016 i Oslo, hvor det var uenighet. Forsvarssjefen har i media – etter Senterpartiets syn – fått uberettiget kritikk for å løse et politisk oppdrag på en god fagmilitær måte. Forsvarssjefen har, som flere har sagt, besøkt avdelingene, satt seg inn i forholdene og foretatt en helhetlig avveining i henhold til det oppdrag forsvarssjefen fikk. Fakta er at spesialstyrkene fortsatt skal rekrutteres fra hele Forsvaret. Grunnutdanning, befals- og offisersutdanning skal fortsatt skje i forsvarsgrenene, skal opprettholde forsvarsgrenvis tilknytning, henholdsvis Marinejegerkommandoen i Sjøforsvaret og Hærens Jegerkommando i Hæren. Regjeringens forslag går ut på å opprette eget virksomhetsområde for Forsvarets spesialstyrker med felles ledelse og eget budsjettkapittel – etter Senterpartiets mening en god løsning som ser en nødvendig helhet for å sikre en trygg framtid. Utenriks- og forsvarskomiteen har valgt å dele opp behandlingen av Prop. 136 S for 2012–2013 i

men nøye meg med å vise til at Kristelig Folkeparti frarår at saken sluttbehandles i dag. Grunnen til det er det nærmere redegjort for i komiteens innstilling, der komiteens flertall – Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti – viser til svakheter ved beslutningsgrunnlaget. Når det foreslås en dyptgripende omorganisering av spesialstyrkene, dvs. Forsvarets spesialkommando,

Det at saken omtales i mindre enn halvannen spalte i en proposisjon som primært handler om nye investeringsprosjekter, er en ekstra indikasjon på dette. Vi mener derfor at den beste løsningen er at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en ny sak, hvor beslutningsgrunnlaget er mer solid, og hvor det er dokumentert klarere at tiltakene vil øke den operative evnen til våre spesialstyrker. Kristelig Folkeparti støtter

derfor utsettelsesforslaget. Churchill sa en gang at poenget med demokrati ikke er at flertallet har makta, men at mindretallet har noe å si. Det er ikke ofte at opposisjonen har en posisjon som de har i denne saken. Jeg kan faktisk ikke huske at en samlet opposisjon har ment at man har hatt et for dårlig grunnlag til å fatte et vedtak. Det er med forundring jeg ser at regjeringa ikke tar det mer til seg og ser alvoret i det. Snorre Serigstad Valen sa at det ikke var da de behandlet saken, men da det i ettertid begynte å komme beskjed om varslinger, at saken ble løftet. Det syns ikke jeg er så rart. Vi er ombud, og vår jobb i denne salen er å være ombud for dem som har valgt oss. Det betyr at vi ikke forholder oss bare til informasjon gitt fra en statsråd. Vi forholder oss også til den informasjonen vi som ombud får fra dem som har valgt oss. Den informasjonen er også relevant. Det er derfor vi snakker med borgere, reiser til skoler, reiser til bedrifter – snakker med dem som sakene angår. Det er ikke bare sant det en statsråd har signert på. Det fins ofte andre sannheter, og når de sannhetene blir lagt foran oss, bør vi ta dem inn over oss. Jeg reagerer litt når Myrli sier at det er alvorlig hvis noen ikke har snakket sant i sine varsel. Jeg syns ikke man skal snakke sånn om varslere. For meg hørtes det nærmest ut som en trussel. Jeg syns vi skal ha en helt annen holdning til varslingsmeldinga enn det statsråden har vist gjennom måten det er svart på – det som ligger i kontrollkomiteen – og også som stortingsrepresentanter her har vist. Det er klart at prosessen rundt HV-016 ikke har økt tilliten i denne salen til sånne prosesser. Omlegging av HV-016 var ikke bare Det var faktisk stor debatt her i salen – også innad i regjeringspartiene – og etter Ombudsmannen for Forsvarets uttalelser de siste dagene kan man ikke avfeie det som en liten uenighet innad i Forsvaret. Det er mange spørsmål en kan stille til denne prosessen. Vi kommer også til å stemme for en utsettelse. Jeg er lei meg for at regjeringa ikke skjønner at dette ikke er noe vi gjør ofte. Men vi gjør det når vi virkelig føler at vi må gjøre det. det når vi virkelig føler at vi må gjøre det. Representanten Myrli sa at en måtte tenke over hva som ville skje hvis ikke regjeringas vedtak skulle gå igjennom – ved flertallet – nå. Jeg mener at det ikke er holdninga man skal ha til parlamentets behandling av regjeringas forslag. Det er faktisk her disse forslagene blir vedtatt, og det er dem man skal ha respekt for. Før Stortinget går til realitetsbehandling må Stortinget ta stilling til tilbakesendingsforslaget. Da er Stortinget klar til å gå til votering

jeg

Da er Stortinget klar til å gå til votering over innstillingens forslag til vedtak i sak nr. 25. Komiteen hadde innstilt: Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti står bak innstillingen, og Venstre har varslet at de støtter den.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

Så vil jeg passe på å fremme regjeringspartienes tre forslag i sak nr. 25. La meg først si litt om det det er enighet om i komiteen – flere viktige investeringsprosjekter. Det dreier seg om nye hangarer, kontor og oppstillingsplasser for helikopter i tilknytning til eksisterende helikopterbase på Bardufoss fornying og kapasitetsøkning av infrastruktur i Rusta leir på Bardufoss etablering av helikopterdetasjement på Haakonsvern med nye hangarer, kontor og plasser for oppstilling av helikopter nytt administrasjonsbygg og to nye flerbrukshaller til Marinejegerkommandoen ved Haakonsvern nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, – også ved Haakonsvern nytt bygg for dropp- og flyplass utbedring av hovedrullebanen ved Bodø hovedflystasjon med nytt dekke. La meg så si litt om anskaffelsen av ny kampfly. Regjeringen gis i dag fullmakt til å bestille seks F-35 kampfly – med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester – med forventet levering i 2017. Kostnadene for denne delen av anskaffelsen er på hvorav 4,5 mrd. kr utgjør de seks flyene, mens resten av kostnadene fordeler seg mellom nødvendig integrasjonsarbeid, anskaffelse av simulator, IKT og logistikk- og utdanningsvirksomhet. Kostnadene for den norske kampflyanskaffelsen ligger innenfor de anslagene som det ble redegjort for i statsbudsjettet. De forventede totale kostnadene for anskaffelsen av utgjør 62,6 mrd. 2013-kroner. Andre fra Arbeiderpartiet vil ta for seg det svært viktige industriprogrammet i kampflyanskaffelsen – noe det også er bred enighet om i Stortinget. Så over til dagens stridstema: organisering av våre spesialstyrker. I Norge har vi to spesialstyrkeavdelinger: Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando lokalisert til Rena i Østerdalen og Vealøs ved Horten – og Marinejegerkommandoen – lokalisert til Haakonsvern ved Bergen og Ramsund i Ofoten. Dette er det beste vi har av forsvarsavdelinger i Norge, og soldatene der gjør en svært god og viktig jobb som det står stor respekt av. Men vi må være ærlige og si at avdelingene er av begrenset størrelse. Derfor ønsker vi at to relativt små avdelinger i større grad kan virke sammen – og dra veksler på hverandre. Derfor etableres det nå en felles ledelse for de to avdelingene – med ledelsen direkte underlagt forsvarsjefen. Altså blir det en statusheving av spesialstyrkene både organisatorisk og faktisk. Jeg sier det enda mer presist: Med det vi nå gjør, styrker vi spesialstyrkene. Dette skulle egentlig ikke være til å misforstå. Det innebærer: Marinejegerkommandoen skal settes på nasjonal beredskap for å kunne bistå politiet i løsningen av kontraterroroppgaver – slik Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando er det. Det etableres en felles strategisk ledelse som skal sikre bedre samspill mellom de to spesialstyrkeavdelingene. Og – som før nevnt: Det skal bygges ny bygningsmasse til spesialstyrkene ved både Haakonsvern og på Rena. Det har vært en del spekulasjoner i media om den framtidige organiseringen av spesialstyrkene. Jeg vil understreke nok en gang at de to spesialstyrkeavdelingene fortsatt skal være lokalisert som i dag, på henholdsvis Rena og Vealøs

legger til rette for felles utvikling av spesialstyrkene og bedre samspill mellom de taktiske enhetene – på områder som beredskap, trening og øvelser. I tillegg vil en felles spesialstyrkeledelse også styrke evnen til helhetlig prioritering og ressursanvendelse. Dette er tiltak for bedre å synliggjøre viktigheten av og øke statusen til spesialstyrkene våre.

En utsettelse av behandlingen av denne saken ville etter mitt syn kunne skapt utfordringer for ønsket om raskt å sette Marinejegerkommandoen på nasjonal kontraterrorberedskap. Når det forslaget nå har falt, skal det bli interessant å se om opposisjonspartiene virkelig stemmer imot forslaget. Dette er en altfor viktig sak til å lage politisk spill av. La meg så kommentere noe av det som er sagt i debatten. Det synes å være et mønster fra opposisjonens side ved behandling av en del forsvarssaker, at det stilles en rekke spørsmål til departementet. Det er helt greit, det er en del av Stortingets arbeid. Så er en ikke fornøyd med de svarene som kommer, og så anklager en regjeringen for

Det stemmer ikke med virkeligheten. Så til representanten Staahle, som kritiserer regjeringen for å legge fram saken i investeringsproposisjonen. Jeg må nesten stille spørsmålet: Hvor ellers skulle saken vært lagt fram? Det er til regjeringens ære at en legger fram saken i en proposisjon til behandling i Stortinget. En kunne selvsagt ha ventet til statsbudsjettet i høst, men det ville forsinket prosessen et halvt års tid. Det er selvsagt mulig, men tidsaspektet må i alle fall være ett argument i saken. Dette dreier seg om at vi ønsker raskt å sette Marinejegerkommandoen på nasjonal kontraterrorberedskap. Husk hele bakgrunnen for saken: For snart to år siden opplevde dette landet hendelser som vi

marinejegerne, trekke dem fram og løfte dem opp. Så har hele debatten sporet av og blitt en debatt hvor det motsatte bildet har tegnet seg. Til slutt vil jeg si til Trine Skei Grande vedrørende at jeg skal ha kommet med trusler: Nå tror jeg vi alle får roe oss litt ned. Det må kunne gå an å føre politiske debatter uten at alt skal trusler. Denne saken bør vi også roe lite grann ned nå, og så får de interne prosessene i Forsvaret gå sin gang. Men jeg må si at hvis tillitsvalgte i Forsvarets avdelinger hevder at de har blitt truet med telefonavlytting, og det ikke er tilfellet, synes jeg det sier ganske mye om klimaet innad i de avdelingene. Det må virkelig være alvorlig. Jeg er heldigvis ikke i en sånn posisjon at jeg kan alvorlig. Jeg er heldigvis ikke i en sånn posisjon at jeg kan komme med trusler, og ikke hadde jeg tenkt å gjøre det hvis jeg hadde vært i en sånn posisjon heller. Heldigvis er ikke Stortingets rolle slik overfor Forsvarets avdelinger. Denne saken er det på tide å få sluttført. Vi ønsker bedre spesialstyrker i Norge. Derfor gjør vi dette nå. Representanten Sverre Myrli har tatt opp forslagene han viste til.

at alt er uproblematisk, mener han virkelig at dette kun er et politisk spill fra alle i opposisjonen? Jeg oppfatter at det er det som er signalet fra representanten Myrli, og det synes jeg på en måte er å si at resten av Stortinget, med unntak av dem som sitter i posisjon, har en i overkant negativ tilnærming. Representanten Myrli sier også at dette er viktig for å få marinejegerne på

Et annet moment som er viktig – i alle fall for dem av oss som bor i nærheten av nordområdene – er rullebanen i Bodø. Jeg ser nå at man skal ta grep for å utbedre den. Det synes jeg er positivt, men jeg tror at den flikkingen man nå gjør, i utgangspunktet bare er å sette plaster på et sår. Man løser ikke problemene som ligger der. Så til nye kampfly: Det er ikke ofte jeg håper at jeg tar feil fra denne talerstolen. Men akkurat nå håper jeg at jeg tar feil, på vegne av Fremskrittspartiet, uttrykke bekymring for om den teknologien som er beskrevet for de flyene vi har bestemt seg for å kjøpe, kommer til å være fullt ut det den var da vi tok det valget. Den andre bekymringen er: Vil man greie å levere flyene i henhold til den tidsplanen som er forespeilet, eller kan man ende opp i en situasjon der det blir forsinkelser? forsinkelser? Den tredje bekymringen vår handler om økonomien. Men etter å ha hørt på posisjonen og representanten Myrlis bekreftelse på at det er posisjonen som har vett og forstand, og de andre driver med politisk sirkus, er det ikke noen fare. Men en vakker dag kan Riksrevisjonen komme til å finne det for godt å si at her har muligens Stortinget tatt litt for lett på virkeligheten. Jeg vet ikke det i dag, og jeg skal også la være å konkludere. Men hvis man ser historisk på en del av de større investeringene våre,

herværende, tidligere justisminister Knut Storberget, har jeg lært én ting – at Justisdepartementet var i hvert fall veldig nøye og god på sin informasjon til Stortinget. Å bytte komité og jobbe med forsvarssaker var et lite sjokk. Det kan være sånn at man forventer at medlemmene i utenriks- og forsvarskomiteen skal være mye mer intelligente enn dem i andre komiteer. Det vet jeg ikke, og det er jeg i hvert fall ikke i stand til å måle. Men når man ser på informasjonen som legges fram fra Forsvarsdepartementet sammenlignet med informasjonen fra Justisdepartementet: Det Det går ikke an å sammenligne det. Jeg var saksordfører for en sak om kjøp av en satellitt til 1 073 000 kr, hvis jeg ikke husker helt feil. Det var én side tekst – og så forsvant den samme milliarden fordi man ikke hadde bruk for satellitten lenger. Hvis det er den måten man ønsker å informere Stortinget på, kan man selvfølgelig gjøre det. Men det står ikke mye respekt av det – fra mitt ståsted. Der mener jeg faktisk at Justisdepartementet har mye å lære Forsvarsdepartementet – hvis det da ikke er sånn at man har plassert de smarteste menneskene i forsvarskomiteen. Det er mulig. Det vet jeg ikke. Alt i alt synes jeg – som representanten Myrli sa – at denne saken i utgangspunktet er for viktig til å lage politisk grums av. Jeg tror det er et samlet storting som ønsker en sterkere og bedre beredskap. Jeg tror det er et samlet storting som i utgangspunktet ønsker å ta vare på kvalitetene som både marinejegerne og FSK og andre spesialenheter har. Men prosessen er også viktig. Jeg har oppfattet at statsråden har stått her og sagt at det viktigste vi gjør er å ta vare på mannskapene våre, for mannskapene er det viktigste. Derfor har dette – etter vårt skjønn – vært en prosess under pari.

Så hevder altså saksordføreren at det handler om å stille mange spørsmål, og at når man får svar man ikke liker, så stiller man nye. La meg gi noen eksempler. I forbindelse med langtidsplanen stilte komiteen et spørsmål om hva de beregnede pendlerkostnadene ville være med de tiltak og vedtak som ble foreslått. Vi fikk svar tilbake at det alltid vil være pendlerkostnader i Forsvaret. Det har også opposisjonen forstått. Vi spurte hvor store de ville være, så derfor måtte vi stille spørsmålet en gang til. I denne saken har vi stilt spørsmål om kostnadene ved tiltakene. Det er det ingen som kan svare på. Det er jo litt pussig, all den tid man skal sette marinejegerne på beredskap fra 1. august, altså dette budsjettåret, ikke å ha budsjettdekning for å gjøre det, og heller ikke å ha budsjettdekning for å gjøre det, og heller ikke å ha bedt om, i proposisjonen eller på andre måter, ekstra midler til å sette marinejegerne på beredskap. Vi har stilt mange spørsmål, og det er altså ikke for å være vanskelige at vi ikke godtar svarene, men det er rett og slett fordi vi ikke alltid får svar på det vi spør om; svar vi mener er helt avgjørende for å opplyse saken godt nok, for at Stortinget skal kunne fatte en beslutning som koster mange milliarder, eller som har store operative konsekvenser. Dette er en sak som har versert lenger enn i to år. Det har vært utredninger og forslag om spesialstyrkene i 2002 og 2010. Nettopp derfor er det veldig rart at man fra regjeringas side ikke finner det nødvendig å vie mer enn noen få setninger til dette i proposisjonen. Jeg vil også korrigere saksordføreren på ett punkt. Det er helt unødvendig å omorganisere spesialstyrkene for å sette marinejegerne på beredskap. Det kan regjeringa gjøre helt uten å bruke spesialstyrkesaken som nå ligger til behandling i Stortinget. Dersom regjeringa ønsker det, kan regjeringa når som helst sette Marinejegerkommandoen på nasjonal beredskap, og det er – som saksordføreren vil ha sett da han leste innstillingen – et forslag som hele Stortinget stiller seg bak. Alle støtter forslaget om at marinejegerne skal kunne settes på nasjonal beredskap, det er ingen uenighet om det. Dersom saken hadde blitt tilbakesendt til regjeringa – som vi foreslo – kunne regjeringa fortsatt ha satt marinejegerne på nasjonal beredskap. Det er mye man kan si om mange av de sakene som foreligger, men la meg knytte noen kommentarer til særlig to ting. Det ene er spørsmålet om QRA og framskutt base. Der er det nå bygget opp til ganske stor usikkerhet om hva som rent faktisk gjelder. I spørsmål fra komiteen – spørsmål nr. 45 i Innst. 489 S for 2012–2013 – spør opposisjonspartiene om tidsplanen for overføring av QRA til Evenes. Der er tidsplanen oppgitt å være for overføring av QRA til Evenes. Der er tidsplanen oppgitt å være at overføringen «av QRA-oppdraget med F-16 samt støtte til gjennomføring av styrkeproduksjon og øvingsaktivitet på Evenes» skal skje «innen utgangen av 2016.» Vi vet at det har vært mye diskusjon om dette faktisk kommer til å skje, all den tid det fortsatt ikke er utbyggingsarbeider i gang på Evenes. Vi vet også at generalinspektøren for Luftforsvaret har uttalt at det beste ville være å beholde F-16 og QRA-bidraget i Bodø Bodø ut F-16s levetid. Da jeg spurte forsvarssjefen om dette på høringen – om at generalinspektøren anbefalte videreføring av QRA i Bodø utover 2016 – spurte jeg også hvordan forsvarssjefen vurderte dette faglig, og da svarte forsvarssjefen: «Det reduserer den usikkerhet som vi lever med når det gjelder tap av kompetanse på vedlikeholdssiden.» Dette er altså Høyre helt enig i, og derfor omtaler vi også det i

stilles. Forsvarsdepartementet sier da også til NRK Nordland 6. juni i år at Forsvarsdepartementet ikke har tatt en beslutning i saken. Man kan jo – med et skråblikk – også merke seg at representanten Myrli mener denne saken er unødvendig å diskutere i Stortinget, men så viktig at den må diskuteres i regjeringsfraksjonen. Det er noe man kan Det andre temaet er spørsmålet om kampflykjøpet. Det er et flykjøp som hele Stortinget stiller seg bak, og vi skal nå i gang med hovedanskaffelsen. Men Norge har altså, som eneste partnerland, skjøvet fram anskaffelsen. Det er av stor interesse for Stortinget å vite hvordan forsvarsministeren vurderer de forhandlingsposisjonene det nå gir Norge – all den tid

Det er en klar forventning om at det skal foreligge flere industrikontrakter. Det er også en klar forventning om at verdien på dem over tid – altså flyets levetid – skal være omtrent tilsvarende som kostnadene ved kjøpet. Det er som sagt ikke ofte Stortinget og flertallet i Stortinget gjør det vi nå har gjort, og ber om det vi nå har bedt om. om. Det er ikke riktig – som representanten Snorre Serigstad Valen sa i sitt innlegg – at opposisjonspartiene ventet og ventet, bare for å kunne fange opp eventuelle problemsaker før vi ba om en tilbakesending. Grunnen til at vi ønsket å vente, var at vi ville gi departementet muligheten til å gi svar på de spørsmålene vi stilte. Det syns vi er fair i en prosess og en saksbehandling i komiteen. Det skulle vi selvfølgelig også gi denne gangen. Men da vi ikke fikk tilstrekkelige svar, svar som vi mente besvarte de store spørsmålene som man må stille i forbindelse med en såpass stor omorganisering, mente vi at det var nødvendig å gjøre det vi nå gjorde, og be om en tilbakesendelse til regjeringa. Vi har vært helt klare og tydelige på at varslersaken og de sakene som har kommet opp i kjølvannet av dette, ikke er årsaken til utsettelsen og tilbakesendelsesforslaget. men det er altså ikke grunnen til at opposisjonen i Stortinget nå ba om en tilbakesendelse. Som flertallet også skriver i sine merknader, er det behov for bedre koordinering, bedre samarbeid og eventuelt større grad av integrering av spesialavdelingene enn det vi har i dag.

og vi ønsker derfor en ytterligere utredning av saken, der vi får svar på de spørsmål vi stiller om alt fra operative konsekvenser til kostnader. Så lenge regjeringa ikke har klart å svare på det, etter gjentatte spørsmål og høringer, så mener vi det ikke er forsvarlig å stemme for det, på det nåværende tidspunkt. Først til komitélederen: Det er

fra Venstre sa jo eksplisitt i sitt forrige innlegg at det er ombudsrollen knyttet til varslersaken som danner bakgrunnen for at Venstre støttet forslaget om tilbakesending i hvert fall. Så til det jeg skulle si: Det er ikke til å unngå at forsvarspolitikk ofte blir distriktspolitikk, at debatten ofte går høyt, at det er mange sterke meninger. Og det er bra. Men det er også viktig å understreke følgende to poeng: Norge bruker ikke store summer på forsvar for å holde liv i industri, og Norge bruker ikke store summer på forsvar for å sysselsette. Pengene vi bruker på Forsvaret, skal brukes på landets forsvarsevne. Forsvaret er, som vi alle snakket om på fredag da vi vedtok kjønnsnøytral verneplikt, det skarpeste instrumentet demokratiet vårt har. Da er det spesielt viktig at det er demokratiet som vedtar både rammene for og organiseringen av forsvaret vårt. Det er fra vedtak i denne sal, og fra verneplikten, at forsvaret får sin legitimitet. Jeg skal innrømme én ting, og det er at jeg på min hals er nordist. Det kan ikke komme som noen overraskelse på noen i denne salen, jeg er SV-er og tilhenger av et sterkt nordisk forsvarssamarbeid og et brudd med NATOs out of area-politikk. Jeg representerer det eneste partiet på Stortinget som står for denne politikken, på tross av at vi er enige med våre forretningspartnere om grunnlaget vi styrer på nå. Og det synes jeg er greit. Derfor er det nok heller ingen overraskelse at jeg – i forrige periode da jeg ikke satt på Stortinget – helst skulle sett at det var svenske fly vi kjøpte for å ivareta vårt behov for et luftforsvar. SV er tilhengere av et godt norsk kampflyvåpen, og jeg tror at vår sikkerhet og våre interesser i vel så stor grad kunne vært ivaretatt av svenske fly, med det samarbeid med Sverige et slikt kjøp også ville gitt. Så lander Regjeringen på F-35. Og da har det vært viktig for SV å sørge for at ikke kampflyanskaffelsen skal komme ut av kontroll, For mange deler representanten Ellingsens bekymringer. Derfor har både vi og de de andre rød-grønne partiene vært opptatt av at Forsvaret måtte ta en større andel av anskaffelseskostnadene enn det opprinnelig var lagt opp til, at det er satt en klar kostnadsramme for kampflyanskaffelsen, og at Stortinget skal behandle hver enkelt bestilling som gjøres, slik at det er reell parlamentarisk kontroll. Det er jeg veldig glad for at vi har fått med et flertall på. Jeg er glad for at forsvarsministeren var så tydelig på det også i

og for min egen del må jeg legge til: å unngå unødvendig militarisering og væpning av Politiet. Forsvaret sitter på – uansett hva man gjør i politiet – kompetanse og kapasiteter som politiet av naturlige årsaker ikke i like stor grad kan ha. Jeg vil vise til spennende innlegg fra både Stein Ørnhøi og Kåre Willoch det siste året i samfunnsdebatten som fortjener debatt – også her i Stortinget. Det kommer vi også tilbake til senere når regjeringen legger fram sitt varslede høringsforslag til lovverk som regulerer dette. Men tilbake til saken: Jeg mener det er en god løsning at FSK og MJK fortsetter som to avdelinger, og får bevare sine ulike seleksjoner og utdanninger, mens man oppretter en felles ledelse for spesialstyrkene. Det er ikke en sammenslåing – jeg må bare understreke det, for det ble sagt tidligere. Norge er et lite land, og tilgangen på utstyr og fly, kjøretøy og gode øvingspartnere er begrenset, og det vil ligge en stor fordel i at man kan se de to styrkene i sammenheng og gjøre helhetlige prioriteringer. Etter mitt syn innebærer dette også en statusheving for spesialstyrkene som både MJK og FSK/HJK bør være fornøyde med.

simulatorer, IKT, utdanning og logistikkvirksomhet, samt en usikkerhetsavsetning for programmet. Budsjettet for Forsvarsdepartementet for 2013, når det gjelder store anskaffelser, øker fra 3,5 mrd. kr til 16,4 mrd. Kampflyinvesteringene er av enorme dimensjoner og krever en særlig årvåkenhet fra Stortingets side. Saken er tidligere behandlet mange steder, også i kontrollkomitéen, og statsråden har gitt sterke forsikringer om at budsjettet skal holdes. Som komitéen grundig omtaler i sin innstilling, er ikke forutsetninga om industrikontrakter for norsk industri på langt nær oppfylt. Fra Senterpartiets side understreker jeg betydninga av at det blir vesentlig framdrift på dette området. Og dette er langt mer enn ammunisjon. Militær teknologiutvikling har en svært stor verdi i utvikling av teknologi utvikling av teknologi for det sivile samfunn. Ikke minst utviklinga på Kongsberg, gjennom den lange tradisjonen på militærområdet, har vist hvordan vi i dag høster resultater av tidligere teknologiske sprang som følge av militære kontrakter. Det er vesentlig: Resultatene av det som nå forskes og utvikles, ser vi kanskje først om 15–20 år. I investeringsproposisjonen legges det også opp til syv bygg- og anleggsprosjekter, og Senterpartiet vil sterkt påpeke det engasjementet som vi har hatt for Bardufoss som hovedbase for Derfor vil jeg legge ekstra vekt på betydninga av at det i proposisjonen fremmes et investeringsprosjekt på Bardufoss som overstiger en halv milliard i kostnadsramme, og dette underbygger Bardufoss’ rolle som hovedbase for helikopter. I etterkant av terrorangrepene 22. juli 2011 har Rygge blitt gitt nye oppgaver innenfor beredskapsområdet, og blitt styrket vesentlig. Og det gjør det nødvendig å understreke nå må sikre at hovedbasen på Bardufoss blir den reelle ledelsen for alle helikopterskvadronene. Og jeg vil understreke det: Basen på Bardufoss har ikke minst stor betydning i det nasjonale fokus, i å sikre territoriell overvåkning og innsats – på sjø og land. Det territorielle må aldri bli undervurdert fra det militære forsvarets side. Det er det som er forsvar. I denne saken er det imidlertid knyttet mest oppmerksomhet til etableringa av et felles virksomhetsområde for Forsvarets spesialstyrker. Senterpartiet forventer at det er ryddige forhold i omorganiseringsprosesser, slik at beslutningene ikke kan trekkes i tvil. Som jeg sa tidligere, så mener vi i Senterpartiet at Forsvarssjefen har fått uberettiget mediekritikk fra sterke Jeg redegjorde i mitt forrige innlegg for det faglige grunnlaget for beslutninga. Siden Ombudsmannen for Forsvaret ble trukket inn i debatten, med Ombudsmannens beskrivelse av prosessen bak nedleggelsen av HV-016, føler jeg behov for å gå noe inn i det: Jeg blir ganske overrasket når det i Ombudsmannens redegjørelse på side 11, står som om det skulle være etter ordre fra Forsvarssjefen at HV-016 nedlegges. Hvis Stortinget hadde vært uenig, så hadde det selvsagt ikke skjedd. Det sies videre her at ved avgjørelse om nedleggelse føler personell at deres innsats ikke blir tilstrekkelig verdsatt. Jeg synes det er sterkt å skrive slike ting. slike ting. Ombudsmannen sier også at «etter ombudsmannens syn er denne saken ikke er håndtert på noen god måte fra Forsvarets side og personellet bør som minimum kunne forvente at Forsvaret behandler dem korrekt og med nødvendig respekt». Jeg syns det er sterkt at en kan si slike ting. Det sies videre at «klagen gjelder dels hvorvidt nedleggelsen er lovlig fattet», og at avgjørelsen til ombudsmannen skal skje i 2013. Ja, det bør være en enkel avgjørelse,

reelle operative gevinster. Planprosessen må sikre og dokumentere at dette faktisk er tilfellet. Nå er det i stedet åpenbare mangler ved beslutningsgrunnlaget. I tillegg er det usikkerhet rundt kvaliteten på den interne prosessen, noe som skaper uro i Forsvaret. De siste ukene har det i tillegg kommet fram at Forsvarsdepartementet har unnlatt å loggføre henvendelser i seks e-poster som gjelder en varslingssak knyttet til prosessen rundt omorganiseringen av spesialstyrkene. Denne manglende journalføringen er en ny indikasjon på at det er et forbedringspotensial når det gjelder saksbehandling i departementet. Hele opposisjonen har konkludert med at beslutningsgrunnlaget er for dårlig. Vi trenger en bedre prosess og et bedre beslutningsgrunnlag. Når regjeringen på tross av dette framtvinger en votering om omorganiseringen i dag, kommer vi i Kristelig Folkeparti til å stemme imot forslaget. støtter de sju nye investeringsprosjektene som på normalt vis fremmes i denne årlige investeringsproposisjonen, men vi er bekymret for enkelte forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Det gjelder bl.a. en kostnadsoverskridelse på 50 pst. for helikopterdetasjementet på Haakonsvern, og det gjelder informasjonen om forsinkelse og kostnadsøkning for

Vi legger til grunn at regjeringen har dekning for sine forsikringer om at kostnader, tidsplan og teknologiløsninger er i samsvar med forutsetningene. Vi må likevel peke på flere risikoelementer: Det er et betydelig avvik mellom det bildet regjeringen presenterer og informasjonen som kommer fram gjennom andre lands offisielle dokumenter, i riksrevisjonsrapporter, i tekniske vurderinger og i Det er ennå usikkerhet om flyets operative kapasitet, særlig når det gjelder utviklingen av programvare og den høyteknologiske hjelmen til pilotene. Det er også usikkerhet om framdriften i programmet og sluttprisen per kampfly, særlig fordi andre partnerland i F-35-programmet diskuterer om de skal bestille færre fly. Mest alvorlig blir det om hovedkunden, USA, gjør vedtak som reduserer eller forsinker programmet. Norsk industri har hittil bare klart å konkurrere til seg kontrakter til en verdi av rundt 2,2 mrd. kr knyttet til kampflyprosjektet. Det er milevidt fra det «gjenkjøpsmål» hele Stortinget legger til grunn, nemlig at den industrielle verdiskapningen i Norge må være av samme størrelsesorden som anskaffelseskostnadene. Vi er ikke helt i rute. Misforholdet vokser. Det krever politisk årvåkenhet. Vi støtter alle de sju investeringsprosjektene. Helikopterbasen og en bedre infrastruktur ved Rusta leir på Bardufoss er påkrevd. Utbedringen av rullebanen på Bodø hovedflystasjon er helt nødvendig. Investeringer i nye bygg for marinejegerne ved Haakonsvern og for spesialstyrkene på

både i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet og hos andre som vi har jobbet med, har ikke vekket mye tillit – og heller ikke denne gangen. Så kanskje man skal «roe seg ned» med å forhåndsprosedere dem, og heller la dem bli behandlet på en ordentlig måte. Det at det er så mye konflikt rundt omorganisering, sa representanten Myrli handler om kultur. Ja, det handler om kultur. Hvordan «setter» man en kultur? Jo, en kultur setter Jo, en kultur setter man som leder. Det er derfor man er sjef i et departement, det er derfor man er sjef i en sånn enhet, og det er på den måten man faktisk setter en kultur. Det var det som noen av oss begynte å fokusere på i 22. juli-høringa, med å si at det faktisk er en forskjell på å bestemme og å lede. Bestemme gjør man når man fatter vedtak. Lede er når man setter en kultur. Og kanskje vi her er ved noe av problemets kjerne. Snorre Serigstad Valen påsto at her var det masse tilgang på informasjon, og at hovedgrunnen var varslersaken. Nei, hovedgrunnen var at vi føler at dette ikke er belyst nok. Venstre sitter ikke engang i komiteen. Vi har lov til å stille to spørsmål per representant per uke, i disse to ukene har vi 200 saker. Vi er to personer, og på to uker har vi lov til å stille fire spørsmål til regjeringa for å opplyse de 200 sakene som blir behandlet disse to ukene. Det betyr at vi er ganske avhengig av at det stilles mange spørsmål fra andre. Det ble det gjort her, men vi føler likevel ikke at det er belyst. Jeg må si at jeg er belyst. Jeg må si at jeg er helt enig i bemerkningene fra Ombudsmannen for Forsvaret, selv om Lundteigen raljerte over dem. Lundteigen burde huske hvordan behandlinga var i denne sal, der det til og med var sentrale Arbeiderparti-folk som tok til orde mot prosessen og sa at den var for dårlig, at den ikke var bundet i et vedtak i salen. Og den kritikken som Ombudsmannen for Forsvaret nå bare setter ord på, er egentlig en en funksjon av den debatten som var i Stortinget. Jeg tiltrer ellers komitéleders uttalelser om dette – og det har nå vært mange problemer i Forsvaret knyttet både til kultur, til omorganisering og til det mandatet man har fra denne sal. Da vil jeg bruke siste del av min taletid til å si noe om flyvalg. flyvalg. I motsetning til SVs representant, er vi enig i det flyvalget som er gjort, men vi er veldig kritiske til prosessen. Da vi foretok kjøpet av treningsfly, så valgte Venstre å stemme imot – først og fremst fordi vi ikke syntes at dette var opplyst godt nok, men også fordi dette var en blankofullmakt til en regning som vi ikke ante hvor stor ville bli, eller som det var lagt prosess på. Vi kommer i dag til å eller som det var lagt prosess på. Vi kommer i dag til å akseptere kjøpet av de seks flyene i 2017, men vi er veldig kritiske til totalsummen på de 52 flyene, og vi kommer til å ta forbehold om at vi kan være mer kritiske til de flykjøpene som kommer. Dette er enorme investeringer, og alle stortingsrepresentantene bør føle seg trygge på at

med i alt 12,9 mrd. kr. Dette er det selvsagt gode grunner til. Disse investeringene vil betraktelig øke vår evne til å beherske vårt eget luft-, land- og sjøterritorium. Investeringene bidrar også til å realisere den forsvarsstruktur som Stortinget har vedtatt ved behandlingen av gjeldende langtidsplan for Forsvaret. Jeg er glad for at komiteen slutter seg til forslagene om nye bygge- og anleggsprosjekter, og samtidig gir sin tilslutning til bestillingsfullmakt for kampflyprogrammet. Så til de aktuelle investeringene: Regjeringen vil legge til rette for en kompakt samling av Forsvarets virksomhet på Bardufoss i Rusta leir. Videre foreslår regjeringen å gi Forsvarets hovedbase for helikopter på Bardufoss fremtidsrettede fasiliteter for å løse sine oppdrag. På Haakonsvern vil regjeringen sikre gode rammebetingelser for samvirke mellom Sjøforsvarets fregatter og NH90-helikoptrene og vil derfor starte bygging av helikopterdetasjement. Marinejegerkommandoen skal få tilpassede lokaler for å opprettholde og videreutvikle den høye kvaliteten som norske spesialstyrker har. Byggeprosjektet på Rena vil gi spesialstyrkene fasiliteter for å klargjøre last som kan droppes fra fly å sikre både militær og sivil flyaktivitet har regjeringen funnet det nødvendig å gjennomføre en oppgradering av rullebanen. Oppstart av hovedanskaffelsen av kampfly utgjør kostnadsmessig den største delen av de tiltakene Det er også en av de viktigste investeringene for Norges forsvar i anskuelig fremtid. F-35 vil avløse våre gamle F-16 og utgjøre ryggraden i Luftforsvaret og Forsvaret de neste 40 årene. Det er blitt spurt fra representanten Eriksen Søreide om hvilken posisjon en fremskynding av bestilling gir oss. Det gir oss en bedre posisjon til industriavtaler og til å være med i programmet som en aktiv og troverdig partner. Det har vi senest fått tilbakemelding om gjennom møtet i kampflyprogrammet i forrige uke i USA. Det er også sånn at den fremskyndingen av investeringene vil gjøre det lettere å utfase F-16 og innfase F-35, og vi får en bedre kontroll med både opplæring av personell og den krevende operasjonen som da må skje. Stortinget er vel kjent med at F-35 er et femtegenerasjons kampfly med unike kapasiteter,

Leveranseplanen legger også opp til at initiell operativ evne for de nye kampflyene vil være i 2019. Dette er viktig for å kunne opprettholde et tilfredsstillende operativt nivå i overgangsfasen mellom F-16 og F-35 og legge til rette for operativ drift på en forsvarlig måte. Det er i dag levert 65 fly til partnernasjonene, og de signalene jeg